Ida Marie Holen, Trond Røed, Thor Lillehovde og Kjell Arvid Svendsen er til stede og vil ta sete. Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter i inneværende uke – og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Sigvald Oppebøen Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for denne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

Farligheten kan være knyttet til andre forhold av individuell, demografisk eller kontekstuell karakter. Lovforslaget som Stortinget behandler i denne saken, omhandler sikkerhetsbestemmelsene i de regionale sikkerhetsavdelingene, lovgrunnlag for etablering og sikkerhetsbestemmelser rundt en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og etablering av en nasjonal koordineringsenhet. Lovendringene omfatter ikke vilkår for tvangsbehandling, overføring til de regionale sikkerhetsavdelingene eller omfanget/lengden på behandlingen, selv om debatten rundt loven i en periode kunne gi det inntrykket. Saken omfatter viktige og vesentlige endringer som har stor betydning for pasienter, ansatte og pårørende som har forbindelse med de regionale sikkerhetsavdelingene, og som omfattes av den nasjonale koordineringsenheten. Det er spørsmål som berører menneskerettighetene, den enkeltes autonomi og prinsipielle forhold mellom straff og behandling. I proposisjonen har regjeringen gått grundig inn i disse forholdene, både knyttet til menneskerettighetene, Grunnloven og rettsavgjørelser som berører disse spørsmålene. Pasientgrunnlaget for de regionale sikkerhetsavdelingene tilsier at voldsatferd er en aktuell problemstilling ved disse avdelingene. Volden kan ramme andre pasienter, besøkende og personell og ved rømning personer utenfor avdelingene. Ulike rutiner for registrering har vist at det er en rekke hendelser som kan knyttes til dette. Ved Regional sikkerhetsseksjon i Helse Bergen HF registrerte en i 2011 67 episoder med alvorlige skader rettet mot personell. Samme år var det ved St. Olavs Hospital registrert 494 skademeldinger forårsaket av I høringsrunden til lovforslaget har bedre sikkerhet i forbindelse med disse avdelingene fått bred støtte fra dem som er ansvarlig for enhetene, de berørte fagorganisasjonene og pasientorganisasjonene. Selv om det er uenighet i komiteens innstilling på ett enkelt punkt, opplever jeg at det er bred politisk støtte til behovet for bedre sikkerhetsbestemmelser i behovet for etablering av særlige sikkerhetsbestemmelser i en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og etablering av en nasjonal koordineringsenhet. Dagens lov stiller krav om begrunnet mistanke for undersøkelse av pasientens person, rom og eiendeler. Undersøkelse av kroppens hulrom er ikke tillatt, med unntak av etter nødretten. Disse begrensningene i muligheten for undersøkelse mener fagmiljøene innebærer at det er usikkerhet knyttet til risikonivået for medpasienter, personell og omgivelser. Kravet om konkret mistanke og forbudet mot undersøkelser av pasientens hulrom kan enten føre til en for lav sikkerhet, hvis det praktiseres slik loven krever, eller at praksisen blir slik at lovgrunnlaget og rettssikkerheten for praksisen ikke er god av bedre sikkerhetsrutiner knyttet til de regionale sikkerhetsavdelingene og muligheten for mer rutinemessig kontroll i forbindelse med inngang og utgang har derfor full støtte i komiteen. Det samme har etablering av en egen enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Kriteriene for overflytting dit er svært strenge. Dette vil være et tilbud som det av og til kanskje vil være behov for når det gjelder noen ytterst få pasienter, og hovedforskjellen mellom dette og en ordinær avdeling vil være at de sikkerhetstiltakene som kan brukes ved en regional avdeling, i all hovedsak vil være obligatoriske ved en slik avdeling. Det er også bred støtte til etablering av en som i større grad vil gi mulighet til å ha oversikt over pasienter som er dømt til overføring til det psykiske helsevernet. Jeg vil starte med å takke saksordføreren for et godt innlegg og en god komitébehandling. Jeg er

altså ikke omfatter vilkår for tvangsbehandling, overføring til de regionale sikkerhetsavdelingene eller omfang/lengde når det gjelder behandling, selv om mange i media har fokusert på slike spørsmål. Pasientgrunnlaget for de regionale sikkerhetsavdelingene tilsier at voldelig atferd er en aktuell problemstilling ved disse avdelingene. Volden kan ramme andre pasienter, besøkende og personell og ved rømning også Ulike rutiner for registrering av aggresjon, trusler, tilløp til vold og vold viser at det skjer ved disse avdelingene jevnlig. I 2011 var det ved Regional sikkerhetsseksjon Helse Bergen registrert 67 episoder med alvorlige skader rettet mot personalet. Samme år ved St. Olavs hospital var det registrert totalt 494 skademeldinger forårsaket av totalt 14 pasienter. Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst har politianmeldt flere forhold, forhold, som gjentatte trusler, vold, gisseltaking, rusmiddelmisbruk og andre straffbare forhold som gir grunnlag for anmeldelse. Det er altså på tide at vi får bedre sikkerhet ved disse avdelingene. Flere har påpekt faren for at de nye reglene for å kunne undersøke eiendeler m.m., lete etter våpen og andre ting, vil være behandlingshemmende. Til det kan man jo også si at dagens situasjon er behandlingshemmende. Når man ser omfanget av situasjoner ved de regionale sikkerhetsavdelingene, er det all grunn til å tro at det å skape en sikrere ramme for alle som er der, vil virke positivt, også i forhold til behandling. Dette ble da også påpekt av Legeforeningen under høringen. I sjeldne tilfeller kan det være behov for en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. En slik enhet skal være en del av en regional sikkerhetsavdeling, men kan fysisk lokaliseres et annet sted. Jeg er også glad for at en samlet komité slutter seg til dette, og at det også kan legges til f.eks. fengsel. En forutsetning for det er at enheten faglig og fysisk tilfredsstiller de samme krav som man stiller til helseinstitusjon. Overføring til enheten skal skje sjelden og bare i helt spesielle tilfeller. En overføring kan bare vedtas i særskilte tilfeller hvor det er særlig risiko for rømning, gisseltaking, alvorlig og voldelig atferd eller angrep mot pasienten selv, medpasienter eller personell. personell. Det er ganske tydelig sagt i lovforslaget at det er disse kriteriene som ligger til grunn for en slik overføring. Jeg mener at det i en slik sikkerhetsvurdering ikke vil være riktig å skille pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern, fra dem som ikke er det. Det er ikke grunnlaget for frihetsberøvelsen som står sentralt, det viktige er risikoen for svært alvorlige hendelser i samfunnet og sikkerheten til pasienter og personell. pasienter og personell. Pasienter som ikke er dømt til tvungent psykisk helsevern, kan også representere en særlig sikkerhetsrisiko. Det er mange eksempler på personer som er blitt dømt til ordinære fengselsstraffer for forskjellige forhold, som kan bli psykotiske under soning. De vil trenge behandling i det psykiske helsevernet, og nødvendige sikkerhetstiltak må også kunne iverksettes overfor slike pasienter. Men dette går ikke om man skal følge Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis forslag til innstilling. At Fremskrittspartiet mener dette, bryter vel med det meste de tidligere har sagt om slike tilfeller, og jeg undres om det bare er en glipp, eller om de faktisk nå legger om kursen for sin kriminalomsorgspolitikk. Hvis det siste stemmer, var det uansett et merkelig sted å begynne for det partiet som prøver å være tøffest mot kriminalitet. Til slutt: Jeg håper at debatten i dag bidrar til å oppklare en del av de misforståelsene som har versert i media om saken, og at man får godt belyst hva saken faktisk dreier seg om.

Flere har reagert på denne fremgangsmåten, et syn Fremskrittspartiet langt på vei deler. Dagens lovverk har vært beheftet med svakheter, mangler og uklarheter knyttet til det å håndtere enkelte saker både i forhold til straffeloven og innen psykisk helsevernlov. Det er derfor på høy tid at man foretar en grundig gjennomgang av disse problemstillingene, og det er derfor synd at saken ble beheftet med slikt hastverk. Fremskrittspartiet har flere bekymringer knyttet til denne saken. La meg først få starte med å slå fast at vi mener at vi må ha et lovverk som sikrer at personer som utfører kriminelle handlinger, må kunne holdes unna samfunnet, også på livstid. Det er ingen uenighet om nødvendigheten av en slik innstramming. Likevel er Fremskrittspartiet og hvorvidt denne lovendringen er i strid med Grunnloven. Vi er bekymret av to grunner hovedsakelig: For det første mener vi at Stortinget skal vokte seg vel for å vedta nye lover som kan være i strid med Grunnlovens ånd, og for det andre at vi de siste årene har sett flere saker hvor regjeringen har gjort lovendringer som senere har vært satt til side, fordi de har vært i strid med Grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkende kraft. Til tross for disse ankepunktene har Fremskrittspartiet likevel valgt å slutte seg til departementets vurderinger av dette, men med noen kritiske merknader. Regjeringen forslår også i denne saken en nasjonal koordineringsenhet, behov for bedre samhandling mellom helse- og justissektoren samt kunnskap og styringsdata for å kunne planlegge tjenestetilbudet bedre. Dette støtter Fremskrittspartiet. På ett område skiller likevel Fremskrittspartiet lag med flertallet, og det er i spørsmålet om hvem som skal kunne legges inn på den nye enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå, som også representanten Breen var inne på. Fremskrittspartiet mener det er hensiktsmessig å flytte personer som er dømt for kriminelle handlinger og til tvungent psykisk helsevern, til en slik enhet. Da kan en slik enhet gjerne være lokalisert innenfor fengselsmurene for vår del. Vi har imidlertid store problemer med å akseptere at også psykisk syke som aldri har begått noen kriminelle handlinger, nå i prinsippet skal kunne settes i fengsel, og det sammen med personer som har begått alvorlige kriminelle handlinger. Forslaget virker etter vårt syn rett og slett ikke skikkelig gjennomarbeidet. Enkeltmenneskets rettssikkerhet blir nærmest tilsidesatt, og de aller sykeste blir satt i bås med kriminelle – stikk i strid med hva denne gruppen trenger. Samfunnets kunnskap og holdninger til psykisk syke er allerede svært stigmatiserende. Alvorlig psykisk syke mennesker, som aldri har begått noe kriminelt, blir i dag hentet av politiet framfor helsepersonell, bl.a. på grunn av mangel på psykiatriambulanser. Nå skal de altså kunne Det som har vært avgjørende for Fremskrittspartiet i denne saken, er det faktum at det store flertallet av dem som i dag er inne til behandling i de regionale trygghetsavdelingene, aldri har gjort noe kriminelt, men blir likevel nå omfattet av det nye lovverket og dermed likestilt med tunge kriminelle. Fremskrittspartiet mener at når regjeringen åpner for dette,

men Fremskrittspartiet vil ikke legge andre pasienter inn i disse avdelingene enn dem som faktisk har gjort noe galt. På den måten mener vi at vi kan både ivareta samfunnets behov for beskyttelse, samtidig som vi ivaretar syke menneskers grunnleggende rettigheter. Jeg tar opp det forslaget som Fremskrittspartiet er med på, og som står referert i

Bakgrunnen for endringane er at vi har eit lovverk innafor psykisk helsevern som ikkje er godt nok for å vareta dei krava vi har til sikkerheit i dag. Det er ikkje til å leggja skjul på at ei konkret sak har vore katalysator for arbeidet. Innafor psykisk helse er mest mogleg frivilje i behandlinga og redusert og riktig bruk av tvang uttalte mål. Men i nokre situasjonar krevst det bruk av tvang, inkludert sikkerheits- og kontrolltiltak, av omsyn til pasienten sjølv og/eller av omsyn til andre menneske eller samfunnet elles. Det har frå helsefagleg hald vore etterlyst endringar i den psykiske helsevernlova for betre å kunna vareta sikkerheita ved helseinstitusjonar som greier ut og behandlar pasientar som representerer ein høg Aggresjon og vald, skadar som følgje av vald og rømingar, førekjem ved landet sine regionale sikkerheitsavdelingar. Vilkåra for å ta i bruk sikkerheitstiltak, t.d. ransaking, har vore for snevre. Farlige situasjonar har oppstått, med auka risiko for medpasientar, personell I høyringssvara til denne saka etterlyser ein eit betre lovverk som gjer det mogleg å behandla dei aller mest krevjande innlagde. Dette gjer vi no. Delar av dei nye endringane vil kunna gjelda svært få pasientar. Samstundes gjer vi endringar som gjer det mogleg for dei ved sikkerheitsavdelingar å sikra at det ikkje kjem farlege gjenstandar innafor institusjonsveggane, og såleis styrkja sikkerheita. Endringane handlar om å gi meir tryggleik for dei tilsette i psykiatrien, for pasienten og for samfunnet rundt. Saka representerer likevel eit demokratisk dilemma, i og med at ho reiser spørsmål om forholdet til Grunnlova § 97 og artiklar i Den europeiske

blir halde fram frå departementet si side at dei lovendringane som er foreslått, delvis er grunngitt av omsyn til pasienten si eiga sikkerheit, noko som tilseier at det ikkje ligg føre brot på Grunnlova § 97 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel 7. Dette er kompliserte avvegingar, men vurderingane får i dag Senterpartiet vil ta opp ein spesiell merknad frå innstillinga, der komiteen refererer til at fleire høyringsinstansar har reist kritikk med omsyn til at tidsperspektivet på lovarbeidet og behandlinga av dette har vore kortare enn normalt. Nokre brukerorganisasjonar har uttrykt si bekymring for at dei foreslåtte føresegnene kan få ein uheldig verknad for pasientar i regionale sikkerheitsavdelingar. På den andre sida har fleire høyringsinstansar uttrykt behov for liknande føresegner i fleire helseinstitusjonar, som f.eks. i akuttpsykiatriske avdelingar og lokale sikkerheitsavdelingar. Komiteen ber på dette grunnlaget om at departementet følgjer med på effekten av dei nye føresegnene, medrekna om føresegnene bidreg til måloppnåinga som føresett, og at Stortinget blir orientert på tenleg måte. Dette er viktig slik at vi sikrar at endringane fungerer etter intensjonen,

Det dreier seg om personer med betydelig risiko for voldelig atferd overfor andre pasienter og personell. I den forbindelse synes jeg det er viktig å minne om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2. Den innebærer at myndighetene har en plikt til lovmessig å beskytte enhver borgers rett til livet. Jeg tror at vi alle synes dette er en krevende sak, ikke minst vi i Stortinget, som har hatt kort Jeg er glad for at regjeringen i sin proposisjon har vurdert det nye lovforslaget grundig i forhold til både menneskerettigheter, Grunnloven og gjeldende rettspraksis i andre, sammenliknbare land. Enhver form for tvangsinnleggelse innen psykiatrien innebærer utfordringer i forhold til menneskerettigheter. Kristelig Folkeparti har sammen med Fremskrittspartiet valgt å påpeke alvoret og usikkerheten som mange har påpekt i høringen, knyttet til menneskerettighetene. Vi ber spesifikt om at regjeringen i forbindelse med implementeringen av loven sikrer at man ikke kommer i strid med disse. Regjeringen har også som mål å redusere tvangsbruk innen psykiatrien – et viktig arbeid som er i gang. Likevel kommer vi dessverre ikke bort fra at noe tvangsbruk er nødvendig, og tvangsbruken må derfor utøves på en faglig forsvarlig måte som ivaretar pasientens integritet og verdighet. Måten tvangen blir utøvd på, er her helt avgjørende, noe som også Norsk psykiatrisk forening fastslo under høringen. Pasienter som er innlagt ved sikkerhetsavdelinger, er psykisk syke mennesker. De må få hjelp som er i tråd med Den europeiske menneskerettighetkonvensjonens artikkel 3, som jeg har lyst til å sitere: «Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

at vi i dag ikke tar stilling til om en pasient skal overføres til sikkerhetsavdeling, ei heller hvor lenge frihetsberøvelsen som sådan skal vare. Som komiteen påpeker i sin innstilling, er det sikkerhetsbestemmelsene i sikkerhetsavdelingene vi behandler, samt opprettelse av en enhet med forsterket sikkerhetsnivå. Et viktig spørsmål er om man skal skille mellom dem som er innlagt i regionale sikkerhetsavdelinger etter psykisk helsevernlov, og følgelig ikke har noen aktuell dom, og dem som er domfelt, og som i tillegg er erkjent strafferettslig utilregnelige. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet mener at vi skal gjøre det, og begrunner dette i innstillingen. Vi foreslår derfor at kun pasienter som er dømt til tvungent helsevern, kan overføres til en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå,

innenfor norsk psykiatri, at noen kan mene at vi trenger strengere regler. Men hvis vi går bak tallene, hvis vi f.eks. ser på de 375 bemerkningene som kom i Helse Vest i 2011, var det en – én – som endte med legebehandling. Så det er ikke så «texas» der ute som det kan virke ut fra denne debatten. Venstre er også veldig kritisk til måten saksbehandlinga har vært gjort på, med korte høringsfrister. Vi reagerer faktisk litt på proposisjonen, der mange kritiske merknader og motforestillinger – fra Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjonen, Justisdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannen og mange flere – er utelatt. Det er det faktisk ikke veldig ofte vi opplever i denne salen. Først litt om de regionale sikkerhetsavdelingene. Det er ikke regulert hvilke pasienter som skal kunne komme inn under disse. Alle overføringene er veldig uklare. For hva menes egentlig med «aktuell risiko for alvorlig voldelig adferd»? Må det da være begått voldelig atferd? Må det være truet med voldelig atferd? Det framgår ikke av loven eller proposisjonen, og det er vi kritiske til. I dag kreves det en begrunnet mistanke for å undersøke pasientens eiendeler, rom og kropp. Men når det gjelder behovet for å øke muligheten for ransaking, mener vi at lovforslaget går altfor langt. I lovforslaget har man ikke engang krav om mistanke. «Det kan foretas undersøkelser», står det ganske enkelt. Det er en blankofullmakt. Dette er krenkende overfor mennesker – som kanskje kan bli mer syke av å bli utsatt for sånne krenkelser. Inngripen i lovhjemmelen må rammes inn, mener vi, og må ha vilkår. Blankofullmakt til behandlere innenfor psykisk helsevern tilhører Ja, det er fascinerende å sammenlikne denne debatten med tidligere debatter vi har hatt om tvang i psykiatrien. Det er en helt annen tone fra partiene, og det er en helt annen grunnholdning. Eller som én skriver i siste nummer av «Syn og Segn»: «Kva er det som rører seg i hovudet på ein politikar som vil straffa ei gruppe av psykisk sjuke kollektivt fordi Breivik kanskje hamnar på ei regional tryggingsavdeling?» Om de kravene som settes inn, skriver vedkommende: «Det er ikkje vanskeleg å sjå føre seg at færre vil ringja, skriva til og vitja pasienten under eit slikt regime.» Vi vil ikke ha en blankofullmakt, vi mener at man skal ha grunn til å tro før man griper inn. Så til de områdene som gjelder særlig sikkerhetsrisiko.

det er domstoler, med advokater og fagfolk som kan vurdere, som skal plassere folk inn i regimer som er strengere enn fengsel, mener flertallet her at én enkelt fagperson skal kunne sette mennesker inn under så strenge regimer, som vi ikke engang setter straffedømte inn under. Derfor har vi i dag foreslått en alternativ hjemmel. Det vil for det første bety at du må være dømt

Jeg ønsker størst mulig frihet og minst mulig tvang, men i enkelte tilfeller er det nødvendig med større sikkerhet enn i dag for å sørge for tryggheten til pasientene, ansatte og samfunnet for øvrig. Jeg har hele tiden vært åpen om at 22. juli-saken aktualiserte dette lovverket. Det har vært viktig at Stortinget skulle gis mulighet til å vedta endringene før sommeren. Dette har medført raskere lovarbeid og en kortere høringsfrist enn normalt. Jeg er glad for at flertallet i komiteen likevel har merket seg at regjeringen har gått grundig inn i forholdet til menneskerettighetene, til Grunnloven og til rettsavgjørelser som berører slike spørsmål. Jeg er også enig med komiteen i at departementet må følge med på effekten av de nye bestemmelsene. Stortinget skal orienteres på egnet måte. Menneskerettighetene er grunnleggende i vårt samfunn. De innebærer en plikt for myndighetene til å beskytte innbyggernes liv og helse. Derfor bidrar dette forslaget til å styrke menneskerettighetene. I noen tilfeller er det nødvendig å innskrenke noens frihet for å ivareta andres frihet og trygghet, for menneskerettighetene gjelder alle, også dem som i verste fall blir utsatt for vold som en følge av for dårlig sikkerhet ved et sykehus. Det er grundig beskrevet i proposisjonen hvem som kan overføres til enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Sentrale momenter i mitt forslag er graden av risiko knyttet til rømning, gisseltaking, alvorlig voldelig adferd eller angrep mot pasienten selv, medpasienter eller personell. Tidligere alvorlig voldelig adferd og at de fryktede handlingene vanskelig kan avverges ved en regional sikkerhetsavdeling, står sentralt ved vurdering av om det foreligger en særlig risiko. Jeg mener det sentrale i en slik vurdering er risikoen som foreligger, ikke hvorvidt en pasient er dømt til tvungent psykisk helsevern eller mottar behandling med hjemmel i lov om psykisk helsevern. Det er ikke grunnlaget for frihetsberøvelsen som står sentralt, men risikoen for svært alvorlige hendelser og sikkerheten til pasienter, personell og samfunnet for øvrig. Det er vel kjent at også pasienter som ikke er dømt til tvungent psykisk helsevern, kan representere en særlig sikkerhetsrisiko. Et eksempel på hvor at også pasienter som ikke er dømt til tvungent psykisk helsevern, kan representere en særlig sikkerhetsrisiko. Et eksempel på hvor uhensiktsmessig et slikt skille kan være, er at personer som er dømt til fengselsstraff for svært alvorlige handlinger, kan bli psykotiske og trenge tvangsbehandling i det psykiske helsevernet. Disse pasientene er da ikke dømt til tvungent psykisk helsevern, og de vil ikke kunne behandles i enheten ved et slikt skille. Dette er en sak med mange dilemmaer, men tiltakene er nødvendige. Noen sier tiltakene kommer for raskt, men mitt svar er at disse lovendringene burde vært fremmet for lenge siden. Jeg vil takke komiteen, og i særlig grad saksordføreren, for godt samarbeid. Komiteen har bidratt til en god og grundig behandling av denne saken, tross tidsbegrensningene. Jeg er også glad for at et stort flertall i komiteen støtter samtlige av regjeringens forslag til lovendringer i psykisk helsevernloven. Det blir replikkordskifte. Mange av oss er av den oppfatning at psykiatrien må styrkes, og ikke minst at vi må fjerne stigmatisering og få forståelse for at det er en sykdom og

på cella ved siden av Behring Breivik eller andre tungt kriminelle. Spørsmålet blir da om statsråden virkelig mener at dagens helsetilbud til psykisk syke er så dårlig at de må sperres inne i fengsel for at samfunnet og den enkelte pasient skal kunne føle seg

satt i gang sikkerhetstiltak, slik det foreslås i dette lovverket, og som kun skal gjelde de regionale avdelingene. Det kom også fram i høringen at enkelte av de ansattes organisasjoner var bekymret for sikkerheten ved de lokale enhetene og for det at det nå blir så pass stor forskjell på sikkerhetstiltakene, også vil øke presset om overføring av pasienter til de regionale avdelingene. Vil regjeringen nå, i etterkant av denne saken, foreta en vurdering av om det også er behov for en gjennomgang av lovverket knyttet til de lokale avdelingene og sikkerhetstiltak der? Komiteen har jo bedt om at det blir fulgt med på dette. Vi vil følge med på de erfaringene som gjøres. Men jeg har lyst til å understreke at her er man i et dilemma, for det er mange som legges inn ved psykiatriske avdelinger som verken er voldelige eller farlige for noen. De er bare syke, at her er man i et dilemma, for det er mange som legges inn ved psykiatriske avdelinger som verken er voldelige eller farlige for noen. De er bare syke, og det å innføre denne typen sikkerhetstiltak der ville egentlig være veldig inngripende, særlig fordi både Stortinget og regjeringen er opptatt av at vi skal bruke så lite tvang som mulig. Så dette er en vanskelig avveining. Samtidig har jeg Men dette er jo noe vi må følge med på, og som krever en gjennomgang av sikkerheten generelt. Jeg har et spørsmål om hvorvidt helseministeren har forståelse for den avgrensingen Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gjør i saken, der vi foreslår at kun pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern, kan overføres til enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Noe av bakgrunnen er at en del av disse vil kunne oppleve det som straff, i og med at plasseringen av denne avdelingen kan være innenfor fengselsmurene. Jeg har lyst til å understreke at når det gjelder avdelingen med særlig høy sikkerhet, sikkerhet, vil det være en veldig grundig vurdering av hvilke pasienter som blir lagt inn der. Men jeg vil også gjenta det jeg sa i innlegget mitt, om at med det skillet vil man unnta pasienter som er dømt for alvorlige forbrytelser, og som er farlige for samfunnet, men som blir akutt psykisk syke i fengsel og må behandles i helsevesenet. De ville da ikke kunne overføres til en slik enhet, og hvor skulle man ivareta dem da? Det er ikke sikkert man har god nok sikkerhet på de ordinære avdelingene til at den sikkerheten kan ivaretas. Det synes jeg også er en faktor man må ta med. Derfor dreier dette seg bare om sikkerheten og sikkerhetsnivået, og det gjelder generelt.

Det betyr jo at vi i prinsippet kan gravlegge alt vi har jobbet med når det gjelder å få ned tvangsbruk i psykisk helsevern, for det vil si at det foreligger alltid en risiko for vold blant de aller sykeste. Den eneste måten å fjerne all den risikoen på, altså oppfylle menneskerettighetene ut fra statsrådens definisjon av menneskerettigheter, er å isolere alle som i noen som helst tenkelig situasjon vil kunne utgjøre en trussel for vold. Er dette det statsråden faktisk mener, eller er det andre grunner til at hun mener at dette styrker et forslag som jeg mener klart kan komme i brudd med menneskerettighetene? Jeg mener at menneskerettighetene gjelder for alle. Det gjelder både for dem som er dømt til tvungent psykisk helsevern, for dem som er i psykiatrien, og for samfunnet for øvrig – hver enkelt innbygger i dette landet og i andre land. Det gjelder for alle. I noen tilfeller er man nødt til å gjøre noen inngripende tiltak overfor enkeltpersoner for å beskytte den enkelte, pasienten selv eller personell, og for å ivareta sikkerheten med tanke på rømning, gisseltaking eller angrep utenfra, og også med tanke på samfunnet for øvrig. øvrig. Det mener jeg at dette forslaget ivaretar. Jeg mener at det lovverket vi har hatt, ikke godt nok og i høy nok grad har ivaretatt sikkerheten på de regionale sikkerhetsavdelingene. Det mener jeg må gjøres noe med, og det er det dette dreier seg om. Det dreier seg om sikkerhetsnivået i psykiatrien. Jeg tror jeg skal gå over på en annen vinkling i denne saken. Man kan lese i proposisjonen: «Det er

det ikke er tatt stilling til hvorvidt en slik enhet skal ligge innenfor et fengsel eller utenfor. Når det er slik at vi for bare noen få dager siden har kunnet lese i media at en slik enhet allerede er nærmest ferdig bygget på Ila, spørsmål. Da må spørsmålet bli: Har statsråden gitt Stortinget riktig informasjon, eller er det kommunikasjonen med justisministeren som er dårlig? Nei, det er riktig: Da vi sendte saken til Stortinget, var det ikke tatt stilling til dette. Da gjorde vi en vurdering ved de regionale sikkerhetsavdelingene. og undersøkt om sikkerheten var god nok, og om man kunne etablere en enhet ved en av de regionale sikkerhetsavdelingene. Man har kommet til at det kan man i første omgang ikke gjøre. Så er det sendt en søknad om etablering på Ila, men den søknaden er ikke ferdigbehandlet, og man er selvfølgelig også avhengig av Stortingets behandling

Der har Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fremmet et alternativt forslag. Essensen i det forslaget går på at de som skal kunne flyttes opp til det øverste sikkerhetsnivået innenfor det psykiske helsevernet, må være dømt til tvungent psykisk helsevern. Det som undrer meg i den saken, er hvordan Fremskrittspartiet får dette til å henge sammen med sin kritikk av regjeringen i en rekke andre saker, hvor man gang på gang påpeker at regjeringen ikke tar samfunnets behov for beskyttelse på alvor. Jeg har lyst til å få en kommentar fra Fremskrittspartiet på hva de tenker rundt denne problemstillingen. Det man fort da kan få, er en del av de menneskene som pendler litt mellom kriminalomsorgen og psykiatrien, hvor man da f.eks. kan ha en situasjon hvor en person blir dømt for drap, det blir ordinær rettergang, personen havner i fengsel, får ordinær fengselsstraff, og så får vedkommende en psykose og trenger psykisk helsehjelp. En naturlig prosess for det i dag er at man havner på det høyeste sikkerhetsnivået innenfor helsevernet.

Så har jeg også lyst til å utfordre Venstre på noe. For det første synes jeg det høres ut på representanten Skei Grande som om alle personer som er i det psykiske helsevernet, enten er i det regionale psykiske helsevernet eller på tur til å havne på det nye sikkerhetsnivået. Det er jo ikke tilfellet. De aller fleste er på et mye, mye lavere nivå og vil ikke være i nærheten av å bli omfattet av det nye regelverket. Men det jeg har lyst til å utfordre representanten Skei Grande på, er: Hva er det hun mener er strengere med den nye sikkerhetsenheten kontra det man ser i høyrisikofengsel – når du da to ganger i ditt forrige innlegg påpekte at dette er mye, mye strengere enn det man har i fengsel? Hva konkret tenker du på da? Presidenten må minne om at all tale skal gå via presidenten, og presidenten vil sørge for at representanten blir kjent med spørsmålet.

enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå. Da vil jeg be om at man også ser på de strenge kriteriene som er lagt i arbeidet i proposisjonen, som også statsråden var inne på i sitt innlegg. Dette er pasienter med en særlig høy risiko alvorlig voldelig atferd eller angrep mot pasienten selv, medpasienter eller personell. Som man skriver i proposisjonen, vil det være sjelden at pasienten i seg selv er årsaken til at det foreligger en så høy risiko som man her beskriver. Det vil si at man i all hovedsak i de fleste tilfeller også må ha et nettverk utenfor som kan bidra ved dette. Men i de tilfeller det knyttes til pasientens egen situasjon,

representanten Breen var inne på, spesielt pasienter som blir overført til psykisk behandling etter at de er straffedømt, og som ikke er dømt til psykisk behandling. Det er også verdt å trekke fram noe som ikke kommer så mye fram i dag, men som har vært en vesentlig del av diskusjonen tidligere, nemlig om det skulle ha vært en egen domstolsbehandling knyttet til overføring til den særlige enhetens sikkerhetsnivå. Det var fra Høyres side det vesentligste diskusjonspunktet knyttet til dette forslaget. Men når det gjelder frihetsbrudd som vil være gjenstand for domsprøving etter tvisteloven kap. 36 eller straffeloven kap. 39 b, mener vi det i de fleste tilfellene vil være et spørsmål knyttet til de

og jeg mener at det bryter med EMK. Grunnen til at jeg ikke er helt sikker på om det bryter med Grunnloven, er at alle faktorene i EMK ikke er lagt inn i Grunnloven, sånn som vi ønsket det skulle gjøres. Men dette tror jeg ikke blir ferdig i dag – for å si det sånn. Dette er et brudd på det å omgås de aller, aller svakeste. Vi gjør en innstramming som ikke følger de allmenne rettsprinsippene. rettsprinsippene. Det er de svakeste som her blir utsatt for mulige overgrep, som kan bli sykere, og som heller ikke alltid kan framstille hvorfor de er blitt utsatt for overgrep. Dette kan være så syke mennesker at overgrep ikke kan kontrolleres. Så må jeg svare Breen. Jeg skal gi Breen ett eksempel. I § 4 A-12, første

i dag innstrammer vi så sterkt at det faktisk er fanger som sitter inne for store forbrytelser de har gjort i full bevissthet, som ikke blir utsatt for et sånt regime som vi i dag vedtar. I det hele tatt bruker man ordet «skal» på en rekke steder – både i §§ 4 A-12, 4 A-10 og 4 A-9 velger man å ikke ha en vurdering om hvorvidt det gjelder, men man bruker ordet Det er en sterk innstramming også i forhold til det som er kriminalomsorgen, som Breen akkurat snakket om. Det å utsette syke for enda mer tvangsmidler, det å ikke gjøre dem rettslig kontrollerbare, det å ikke ha systemer som sikrer oss mot overgrep, det å ikke gjøre ting som gjør at alle de som blir utsatt for de hardeste pressmidlene, ikke skal ha noen rettssikkerhet knyttet til de vurderingene, vurderingene, mener jeg er ganske skremmende. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til dette. Når tåka etter 22. juli begynner å legge seg, begynner vi å skjønne at de prinsippene vi skal vedta, faktisk skal gjelde alle mennesker, ikke bare ett enkelt tilfelle. Jeg ba om et treminuttersinnlegg fordi representanten Breen gjorde noen visitter til Fremskrittspartiets stillingstaking i denne saken på det ene punktet hvor vi skiller oss fra regjeringen. Det er

angripe Fremskrittspartiet, snakker han som en justispolitiker. Han refererte til justispolitikk i sitt første innlegg, og han understreket det langt på vei i sine holdninger i sitt andre innlegg. Dette, som vi andre snakker om, og som vi burde snakke om, er helsepolitikk. Vi snakker om psykisk syke mennesker, og det er ikke justispolitikk. Det kan også virke som om representanten Breen har glemt hva Fremskrittspartiet er med på i innstillingen, og som det er flertall for, nemlig det at vi må ha en innstramming av de regionale sikkerhetsavdelingene. Det ligger faktisk i innstillingen, og det har Fremskrittspartiet gitt uttrykk for gjennom mange, mange år. Og ja, det finnes fanger som – på samme måte som de som ikke er fanger – blir psykotiske. Det finnes sikkert både de som er dømt for å ha snytt på skatten, og de som er dømt for drap, men det finnes også mennesker som ikke er dømt for noe som helst. Vi ønsker at psykisk syke mennesker skal få behandling i det ordinære behandlingsapparatet. Er det fare for deres egen eller andres sikkerhet, har vi altså de regionale sikkerhetsavdelingene, som Fremskrittspartiet – og nå heldigvis også regjeringen – ønsker å stramme inn; vi ønsker å gjøre dem enda bedre.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

må det føres en aktiv politikk som motvirker produksjonsfall, og som gir muligheter for å gjøre nye funn. Petroleumsindustrien har gjennom de siste 40 årene bidratt vesentlig til finansiering og utvikling av den norske velferdsstaten. Saken som vi har til behandling i dag, gjelder planen for utbygging og drift av Martin

Operatørens økonomiske analyse viser at Martin Linge-feltet har en forventet nåverdi før skatt på 7,6 milliarder 2011-kroner. Den planlagte utbyggingsløsningen baserer seg på at kraftbehovet i driftfasen skal dekkes inn med kraft fra land via kabel, og maksimalt forbruk er beregnet til rundt 40 MW. Planlagt tilkoblingspunkt er Kollsnes, og konsesjonssøknad er sendt inn og behandles av NVE separat. Kraftsituasjonen i området ved oppstart gjør at det vil være aktuelt å knytte vilkår til en slik konsesjon, nettopp for å ivareta hensynet til kraftsystemet i regionen. I denne sammenheng er det en samlet komité som understreker betydningen av at dette ikke må være til hinder for kraftforsyningen på land. Det er gjennomført en konsekvensutredning for Martin Linge-feltet uten at det er avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke bør gjennomføres, eller at det bør gjennomføres avbøtende tiltak utover dem som ligger til grunn i utbyggingsplanene. Basert på operatørens beregninger, anslag som er gjort av Oljedirektoratet, og vurderinger gjort av Petroleumstilsynet, fremstår utbyggingen av Martin Linge-feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og tilstrekkelig robust prosjekt, som kan gjennomføres innenfor akseptable rammer med hensyn til sikkerhet, arbeidsmiljø, det ytre miljøet og fiskeriinteresser. I tillegg til skatteinntekter fra produksjonen på feltet vil utbyggingen og driften bidra til sysselsetting nasjonalt og regionalt. Samlede årsverk som forventes skapt i utbyggingsfasen og driftsfasen, er henholdsvis 16

de enorme mulighetene som fortsatt ligger i norsk olje- og gassvirksomhet. Dette er også et nytt bevis på at dette er en næring for framtiden, slik også tittelen på den nylig behandlede petroleumsmeldingen var. I proposisjonen er det redegjort godt for de miljømessige tiltak som ligger i bunnen når Stortinget i dag gir klarsignal for utbygging av feltet. Dette viser med all tydelighet at vi i denne næringen, og i norsk petroleumspolitikk, klarer å ha flere viktige tanker i hodet samtidig. Her snakker vi om å kombinere næringsutvikling og miljøtiltak på en god måte. Hovedmålet med vår petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, slik også saksordføreren sa. Dette er en god målsetting, som må være siktemålet også i tiden som kommer, og som utvilsomt er meget viktig for arbeidsplasser og velferd i hele landet. Jeg er tilfreds med at vi kan vedta to feltutbygginger i dag, og jeg er en meget stor optimist når det gjelder denne næringens muligheter i hele landet i årene som kommer. Jeg ser fram til flere slike åpninger i tiden som Ikke minst er jeg opptatt av den nordlige landsdelen i denne sammenheng. Jeg er tilfreds med at alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet, ser positivt på beslutningen om at feltet skal ha strømforsyning fra land i driftsfasen. Dette henger sammen med ønsket om å unngå økning i klimautslipp fra norsk sokkel. Dette er selvfølgelig et spørsmål som må vurderes for det enkelte prosjekt, men som må stå sentralt ved all slik

med der utbyggeren sjøl legger opp til å bruke elektrisk kraft fra land, slik som på Martin Linge-feltet, hvor Fremskrittspartiet reserverer seg. Å arbeide for økt elektrifisering på sokkelen er et viktig element for å kutte klimautslippene på sokkelen, og jeg er veldig glad for at det her er en bred enighet, altså med unntak av Fremskrittspartiet. Det er krevende med elektrifisering fordi det fordrer god samordning og riktig rekkefølge for å få det til. I denne saken legger utbygger sjøl opp til det. Det er et viktig element også i klimameldingen og i merknadene fra flertallet til klimameldingen at vi må få til økt elektrifisering. Men jeg merker meg altså at Fremskrittspartiet reserverer seg mot dette målet. Utbygginga av Martin Linge-feltet er,

I tillegg vil det kunne bidra til ein betre samla energiressursbruk. Moglegheitene for elektrifisering vil i kvart enkelt tilfelle avhenge av kostnader, av teknologiske løysingar, infrastruktur og nett – nett sjølvsagt i sjøen, men òg at det er eller blir etablert robust infrastruktur på land. Ikkje minst vil det vere avhengig av krafttilgangen på land, nok kraft og rein, Berre gjennom at petroleumsnæringa brukar og bidreg til meir produksjon av fornybar kraft, er ein med på å sikre reell klimagevinst ved denne typen tiltak. Derfor er regjeringa si mangeårige tydelege satsing på fornybar energi viktig. Gjennom dei grøne sertifikata kjem det store mengder ny fornybar energi inn i den nordiske marknaden i tida som kjem. Noko av dette bør gå til å redusere utsleppa av CO2 også frå norsk sokkel. Til slutt er det verdt å merke seg at feltet har fått namn etter kaptein Martin Linge – kjend skodespelar, men kanskje endå meir kjend som motstandsmann under den andre verdskrigen, som leiar av Kompani Linge. Både Lofoten-raidet i 1941 og Måløy-raidet var leia av Linge. Det var under at Linge sjølv blei skoten og drepen i kampar i Måløy sentrum. Desse raida bidrog til eit inntrykk av at tyskokkuperte Noreg stod overfor ein reell fare for angrep frå vest, og det var såleis med på å binde opp store styrkar av den tyske overkommandoen som kunne vore brukt andre plassar i verda. Såleis hadde denne innsatsen reell påverknad på utfallet av krigen. Dette er ein del av norsk motstandshistorie som fortener merksemd. Såleis er det greitt å kunne nemne dette òg i denne debatten, sidan oljefeltet har fått det namnet det har. Dette er en god sak og trenger fra Kristelig Folkeparti bare en kort kommentar. Det er slik, som

Det var et nålestikkraid. I den sammenheng ønsker jeg å bruke det som overgang til den saken og det feltet vi i dag behandler. Martin Linge-feltet skal altså elektrifiseres. Slik som Måløy-raidet i 1941 fikk stor betydning for krigen,

Neste taler er Per-Willy Amundsen.

og at olje- og gassalderen på langt nær er forbi. Jeg har lyst til å gi honnør til komiteen for en god innstilling. Det er en samstemt innstilling som ytterligere understreker den stabiliteten og forutsigbarheten som ligger i norsk olje- og gasspolitikk. Det står norsk sokkel og norsk olje- og gasspolitikk seg svært godt på. Aktiviteten i petroleumssektoren gir oss vekst, velferd og økonomisk handlefrihet for hele landet. Alle som er engasjert i denne virksomheten, har grunn til å føle stolthet. For å spre et riktigere bilde av viktigheten, verdiskapingen, langsiktigheten og mulighetene innenfor denne næringen er navnepolitikken endret. Dette feltet har fått navnet Martin Linge. Det er en mann som huskes som offiser og motstandsmann under den andre verdenskrigen. Det er det første nye navnet på et felt som Stortinget behandler nå i dag. Martin Linge-feltet ble påvist i 1975. Det er gledelig at det nå endelig er modnet fram en lønnsom utbyggingsløsning for dette feltet. Feltet ligger i en godt utforsket del av Nordsjøen og i nærheten av store produserende felt, som Oseberg og Troll. Utbyggingen viser viktigheten av langsiktighet i næringen, og at det fortsatt finnes muligheter i de områdene på norsk sokkel der vi har hatt aktivitet i lang tid. Det er avgjørende at næringen også evner å modne fram ressurser som dette for at vi skal klare å holde produksjonsnivået opp i årene som Stortinget har tidligere vedtatt at kraft fra land skal vurderes ved alle nye selvstendige utbygginger og større ombygginger på norsk sokkel. Den politikken er nylig videreført gjennom petroleumsmeldingen. Selskapene har gjennom CO2-avgift og kvoteplikt gode grunner til å drive sine felt ved bruk av kraft fra land.

fra norsk sokkel i forhold til en løsning basert på gassturbiner. For å opprettholde produksjonen fra norsk sokkel i årene framover gjør vi flere ting samtidig. Det letes etter og bygges ut nye funn. Det settes i gang flere tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende felt. I tillegg er det viktig at det modnes gode utbyggingsløsninger fra eksisterende funn, der det foreløpig ikke har eksistert noen kommersiell utbyggingsløsning. Martin Linge-prosjektet er et eksempel på det sistnevnte og illustrerer at det jobbes godt på alle områder. Jeg er svært glad for komiteens samstemmige oppslutning om regjeringens forslag om utbygging og drift av Martin

Kan statsråden gi en forsikring om at man ikke kommer til å havne i en situasjon der kraftforsyningen på land settes i fare den dagen man er i gang med produksjonen? Dette er et punkt som flere ganger har vært oppe til debatt og i ordskifter i Stortinget, etter at vi har hatt uheldige erfaringer med at for store punktuttak på strømnettet, uten tilstrekkelig sikring med ny overføringskapasitet til en ny produksjon, har skapt regionale ubalanser med dertil tilhørende problem. Det er det uhyre viktig for meg å unngå. Det varsles jo også at vi vil se dette opp mot den regionale forsyningssituasjonen og eventuelt stille krav som gjør at det

Men når det kommer frem en del påstander om elektrifisering, føler jeg behov for å ta ordet. Jeg vil vise til statsråd Ola Borten Moe som i sitt innlegg, helt korrekt, sa at elektrifisering i dette tilfellet vil redusere klimautslippene fra norsk sokkel. Representanten Sande er veldig opptatt av at dette vil gi klimaeffekt.

Det eneste man unngår, er at man får det på det norske klimaregnskapet. Utslippene blir nøyaktig de samme. Man flytter det fra norsk klimaregnskap til et annet lands klimaregnskap, men globalt sett oppnår man ingen verdens ting. Da er det man må stille seg spørsmålet, i hvert fall i den grad dette er kostnadskrevende operasjoner, om fornuften i Så er det ikke sånn at Fremskrittspartiet er prinsipielt imot elektrifisering. Vi er for elektrifisering der det er økonomisk, rasjonelt og fornuftig. Men det innebærer også at utbyggerne må ta på seg de reelle kostnadene som ligger i elektrifisering. Sånn som det er i dag, er det strømkundene som indirekte subsidierer elektrifisering når det gjelder fremføring av kraft i nettet. i nettet. Derfor er det viktig at vi har klare skillelinjer der. Fremskrittspartiet er ikke prinsipielt imot elektrifisering for å være imot elektrifisering, men vi sier at det må være økonomisk og rasjonelt, og oljeselskapene må selv bære de reelle kostnadene når det gjelder fremføring av elektrisk kraft. Å gjøre dette til en klimadebatt fremstår kun underlig – all den tid man snakker om klimaendringer som et globalt problem. problem. Det er altså ikke sånn at nasjonale grenser i den sammenheng har noen som helst slags betydning. Når man lytter til en del av innleggene i dag, særlig fra representanten Sande, høres det nesten ut som om de nasjonale utslippene er målet, ikke å redusere de globale utslippene. Dette kommer vi sikkert tilbake til i en sak senere i dag. Innleiingsvis vil eg òg vere tydeleg på at konsesjonane som blir gitt til Martin Linge-feltet i dag, er

Martin Linge-feltet vil derfor setje ein ny miljøstandard i Nordsjøen. Feltet skal vere i drift allereie i 2016 – 37 år etter at det blei funne. I kraftverda i dag er dette svært kort tid, og nyleg kunne vi lese i media at Total har ingen garantiar for at desse to nye kraftlinjene som skal sikre straumforsyninga frå Kollsnes, er på plass i tide. Det blir vist til utfordrande prosessar på land, som konsesjon for krafttilførselen, og er det noko vi alle er klar over, er det nettopp at desse prosessane tek tid – svært langt tid. Dei to kraftlinjene som trengst for å auke straumforsyninga på Kollsnes, er Mongstad–Kollsnes og Modalen–Mongstad. Men då Kollsnes-anlegget står for ein tredjedel av norsk gasseksport, vil nok dette bli løyst, blir det hevda. Martin Linge-prosjektet vil bruke rundt 40 MW straum, men Total ønskjer 65 MW fordi 8 MW vil gå tapt i overføringa, og fordi det kan bli bygd ut satelittfelt i tilknyting til Martin Linge-prosjektet. Ifølgje Total vil elektrifiseringa av feltet hindre utslepp av 2 millionar tonn CO2 over feltets levetid. Komiteens fleirtal, alle unnteke medlemmene frå Framstegspartiet, ser positivt på avgjerda om at feltet skal ha straumforsyning frå land i driftsfasen, og grunngivinga er at det er eit viktig bidrag for å unngå ei auke i klimautslepp frå Noreg og norsk sokkel. Framstegspartiet er, som det er blitt nemnt av andre, ikkje prinsipielt motstandar av elektrifisering av sokkelen, men er oppteke av at vi ikkje opplever det same som ein ser i Midt-Noreg, då ein bygde ut Ormen Manglande straumproduksjon og tilførselslinjer har ført til rekordhøge straumprisar og har kosta konkurranseutsett industri svært dyrt – og trugar framleis nyetableringar. Industriarbeidsplassane i regionen er framleis under press då straummangelen ikkje er løyst, og auka linjekapasitet ligg mange år fram i tid. Vi må ikkje stelle oss slik at vi får mange av desse svarte straumhòla langs vår. Det øydelegg den verdiskapinga som ein har tenkt skal leve vidare lenge etter at olje- og gasseventyret er over.

Vi fra Høyre mener det er viktig å oppmuntre selskapene og vise at vi verdsetter den beslutningen lisenshaverne har tatt her. Jeg understreker at dette er en beslutning lisenshaverne har tatt på kommersielt grunnlag, basert på CO2-avgift, på kvoter, på estimering av strømpriser osv. Det er en ren kommersiell beslutning. Allikevel synes jeg det er grunnlag for at vi fra komiteens side gir lisenshaverne honnør for det valget de har gjort. Utbyggingen er viktig for å opprettholde volum på norsk sokkel, noe et tverrpolitisk storting har sagt i forbindelse med petroleumsmeldingen at vi skal. Da er dette en viktig brikke i det å opprettholde volum og foreta lønnsom utbygging innenfor petroleumsnæringen på norsk sokkel. Fremskrittspartiet sier at de ikke har noe prinsipielt syn på elektrifisering, men likevel er

på kontinentet kan du utnytte den opp til 80 pst., så det er feil å si at det ikke gir bedre klimapolitikk å elektrifisere sokkelen, sjøl om gassen brennes andre steder. Så trengs det selvfølgelig mer internasjonalt samarbeid, som ikke nå er på plass. Inntil det må vi faktisk være opptatt av hvordan vi skal kunne kutte våre nasjonale til slutt en liten korrigering når det gjelder å redusere. Når vi nå snakker om en ny utbygging, snakker vi om å redusere en økning. Skal vi virkelig redusere i Nordsjøen, må vi elektrifisere eksisterende felt. Eg registrerer at representanten Amundsen kategorisk slår fast at elektrifisering av norsk sokkel ikkje reduserer globale utslepp, berre nasjonale utslepp. Dette er

hvorvidt det er regjeringens politikk eller ikke. Som jeg sier i denne debatten om elektrifisering: Faktum er at brenner du av en enhet gass – naturgass – i Norge eller i Tyskland, blir det nøyaktig de samme CO2-utslippene. Det er ikke sånn at naturlovene endrer seg ut fra hvor du brenner av den gassen. Det er et faktum man må erstatning, hva det erstatter, og – jeg holdt på å si – andre alternativer du drar inn i systemet, men faktum er at om du brenner av den gassen på norsk sokkel eller i Tyskland, blir CO2-utslippene nøyaktig de samme. Det var det jeg sa i mitt innlegg, men jeg ser at her går man litt i skyttergraven fordi dette er liksom en viktig del av klimapolitikken. Spørsmålet man må stille seg, er om kost–nytte-vurderingene når det gjelder klimapolitikken, for i for i mange tilfeller ville dette vært svært, svært dyre – kostbare – utbygginger. Jeg nevner eksempelet Snøhvit – elektrifiseringen av Snøhvit – som er anslått til 10 mrd. norske kroner. Det er en ganske dyr elektrifisering, for å si det mildt, dersom man skulle gjennomføre det. Da setter jeg spørsmålstegn ved evnen til å vurdere enkelte prosjekter opp mot hverandre, når man utgangspunktet mener at elektrifisering er det eneste riktige. Som sagt, Fremskrittspartiet er ikke prinsipielt imot det, men det må ligge en kost–nytte-vurdering – økonomisk sådan – til grunn. Ikke minst må man være trygg når det gjelder kraftsituasjonen på land. Det må ikke være sånn som vi har erfart i andre tilfeller, at det går ut over leveringssikkerhet og prisdannelse, som gjør at forbrukerne er de som blir rammet av elektrifisering. Så må vi få bort dette prinsippet om indirekte subsidier over nettleie, som strømkundene står for i dag, når det gjelder fremføring av kraft. Helt til slutt vil jeg egentlig skryte av navnepolitikken til regjeringen. Jeg synes det er bra, jeg synes det er flott, at man kan bruke norske historiske personer som referanser på viktige ting som vi snakker om, slik som norske felt på sokkelen, som bidrar til enorme inntekter og velstand til dette samfunnet. Da synes jeg det er flott at man kan ha referanser inn i norsk historie. Flere har ikke bedt om ordet til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

Wintershall Norge og RWE Dea, hvor Lundin altså har halvparten av rettighetene. Feltet ble påvist i 2007 og planlegges bygd ut med en bunnfast innretning med brønner, prosessanlegg, hjelpesystem og boligkvarter. Det er foreslått en eksportløsning for olje via Grane Oljerør til Stureterminalen. Løsning for gasseksport vil være via Sleipner eller SAGE. Utvinnbare reserver i feltet er anslått til 29,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det Utvinnbare reserver i feltet er anslått til 29,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det tilsvarer 183 millioner fat oljeekvivalenter. Omtrent 90 pst. av de utvinnbare ressursene er olje, mens resten er gass. Det er planlagt produksjonsstart 4. kvartal 2015, og man forventer å produsere over en

gjennom utredninger kommet fram at det er betydelige samordningsgevinster og kostnadsbesparelser ved en samordnet utbyggingsløsning for Edvard Grieg-feltet og nabofunnet Draupne. Rettighetshaverne i de to utvinningstillatelsene har derfor inngått en avtale om en samordnet utbygging, som legger til rette for at produksjonen fra en kan sluttprosesseres og eksporteres via innretningen på Edvard Grieg-feltet. Det er allerede foretatt relativt store investeringer i utbyggingen av Edvard Grieg-feltet – før Stortinget har gjort sitt vedtak. Tidlig i mai ble det kjent at Lundin som operatør har inngått en kontrakt med Kværner om produksjon av dekket til plattformen. Kontraktsverdien er antatt å ligge på Olje- og energidepartementet har etter petroleumsloven mulighet til å tillate slike tidlige investeringer under særlige forutsetninger. Det er det som er blitt gjort i dette spesifikke tilfellet. Det er isolert sett veldig gledelig å se at et oppdrag av denne størrelse går til en norsk leverandør. Samtidig føler jeg, som ordfører for denne saken, behov for å understreke at Stortingets behandling av plan for utbygging og drift er suveren. Tidlige investeringer gjøres fullt og helt på utbyggers egen risiko. Det er det viktig å slå fast – også med tanke på behandling av kommende utbyggingsplaner. Når store investeringer i utgangspunktet skal vente til etter at Stortinget har gjort sitt vedtak, er det fordi man ikke skal legge bindinger og utilbørlig økonomisk press på Stortinget med hensyn til dets mulighet til å behandle sakene på fritt grunnlag. grunnlag. Det er viktig for meg å understreke at dette er et prinsipp som ikke må utfordres over tid. Så skal jeg ikke gjøre noe forsøk på å trekke opp igjen fra forrige sak tilløpet til generell debatt om elektrifisering, men bare slå fast at gjeldende politikk er at kraft fra land skal utredes i forbindelse med alle nye felt. I tilfellet Edvard Grieg-feltet har operatøren funnet ut at for kraft fra land ligger på rundt 700 kr, dersom man samordner med Draupne og Dagny. Kostnaden for Edvard Grieg-feltet alene er beregnet til i overkant av 1 500 kr. Jokeren som for alvor kan dra kostnadene ned, dersom man går for en samordnet løsning i området, er Nå er alle operatørene på den sørlige delen av Utsirahøyden pålagt å utrede en samlet løsning for kraft fra land, som er ventet å være ferdig mot slutten av året. I planen for utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet framgår det tydelig at dersom det blir en samlet løsning for kraft fra land på den sørlige Utsirahøyden, skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning, såfremt Olje- og energidepartementet ikke bestemmer noe annet. I så fall skal Edvard Grieg-feltet dekke sin rettmessige andel av investerings- og driftskostnadene ved løsningen. Det påpekes derfor av en samlet komité at også Edvard Grieg-innretningen må bygges, slik at den er tilrettelagt for mottak, slik at den kan motta kraft fra land dersom det blir en aktuell løsning. I forbindelse med klimameldingen, som behandles i denne salen senere i dag, setter Stortinget et uttrykt mål om at den sørlige delen av Utsirahøyden skal elektrifiseres. Med disse merknadene er det en glede å si at det er en samlet komité som anbefaler at planen for utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet godkjennes av Stortinget. Det er

der det norske innholdet er så stort. Det virker som om operatøren har hatt et veldig bevisst forhold til fordelene ved å handle lokalt også på verftssiden. Dette var saksordføreren inne på. Dette er et globalt marked, men vi må ha lov til å glede oss over at aktørene velger norske løsninger i konkurranse med andre. Det tredje momentet jeg har lyst til å nevne, er spørsmålsstillingen knyttet til kraft fra land. Nå kan det nesten virke som om vi har et lite forspill til klimadebatten – klimameldingen kommer jo til behandling senere i dag. Høyre er opptatt av at vi forsyner installasjonene med kraft fra land, der dette er økonomisk forsvarlig. Det er denne tverrpolitiske linjen Stortinget har lagt seg på. Men spørsmålet om økonomi er også avhengig av hvor mange innretninger som vurderes samlet. Hvordan man ser på samordning, tidsaspekt osv., er viktig i disse økonomiske betraktningene. Her det viktig at Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet er tydelige i sine bestillinger med hensyn til hva som vurderes samlet. Jeg registrerer at operatøren har funnet ut at prisen på kraft fra land, samordnet med Draupne og Dagny, vil være ca. 700 kr., og at kostnaden for Edvard Grieg-feltet alene er beregnet til over 1 500 kr, som også saksordføreren var inne på. Dersom det blir en samlet løsning for kraft fra land på den sørlige Utsirahøyden, skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning, såfremt ikke Olje- og energidepartementet bestemmer noe annet. Kanskje kan statsråden i sitt innlegg utdype litt hva som ligger i dette at Olje- og energidepartementet kan beslutte noe annet, og hvilke vurderinger som i tilfelle vil ligge bak? De føringene innebærer at det nå installeres gassturbiner på Edvard Grieg-feltet, men at det samtidig tilrettelegges for strøm fra land. Vi må da forutsette at varmebehovet kan dekkes på annen måte enn gjennom avgass fra gassturbinene. gassturbinene. Jeg håper statsråden også kan bekrefte dette i sitt innlegg.

ombygginger. Det var forholdsvis enkelt i den saken, hvor det var kommersielt lønnsomt for utbygger. Her er det mer krevende, fordi en ensidig elektrifisering av Edvard Grieg-feltet vil være veldig kostbart. Det peker nettopp på det krevende med elektrifisering; at det fordrer god samordning i riktig rekkefølge for å få ting til. Det er – som det ble påpekt i en merknad til klimameldingen – et spesielt ansvar for myndighetene å få til og legge til rette for den rekkefølgen. Men som flere har sagt her, er det slik at hvis man får til elektrifisering av Utsirahøyden, der Edvard Grieg-feltet inngår, vil det være innenfor økonomiske rammer som er akseptable, og det vil være et viktig bidrag til at klimautslippene fra petroleumsvirksomheten ikke øker. øker. Derfor påpeker komiteen at Edvard Grieg-innretningen skal tilrettelegges for å motta kraft fra land, og at det er en forutsetning at Edvard Grieg-feltet skal være med og betale sin andel av investerings- og driftskostnadene for elektrifisering. Det er viktig å påpeke at utbyggers investeringer i gassturbin må være for utbyggers risiko og regning og ikke bidra til å svekke lønnsomhetsberegningene for elektrifisering av den sørlige delen av Utsirahøyden, når vi kommer så langt. Òg i saka om utbygging av Edvard Grieg-feltet er

målet regjeringa har uttrykt for elektrifisering på Utsirahøgda. Målet er meir enn eit uttrykt mål, men det er då bakgrunnen for at departementet har bede rettshavarane på denne delen av Utsirahøgda om på nytt å studere moglegheita for og konsekvensane av ei samordna kraft frå land-løysing for dette området. Vedtaket vi gjer i dag, er med på å rette for ei eventuell slik løysing. Vi registrerer òg at Statoil, som leiar dette arbeidet, har planar om å ha grunnlaget for investeringsavgjerd klar i løpet av 2012. Frå operatøren si side er det lagt opp til at feltet skal ha ein framskoten driftsorganisasjon i Stavanger-området og operasjonell støtte i tilknyting til hovudkontoret i Oslo. Geografisk nærleik driftsorganisasjonen og den konkrete aktiviteten er bra, både med tanke på HMS og av miljøomsyn. Det bidreg òg til å skape ringverknader på land i dei områda der ein har petroleumsverksemd, noko som er eit klart mål i norsk petroleumspolitikk. Det er òg gledeleg, sett med Senterpartiet sine auge, at norsk næringsliv er tyngre inne i prosjektet enn det kanskje har vore ein periode. Det er viktig for sysselsetjing, men òg for og vekst i norsk næringsliv som følgje av petroleumsaktiviteten, noko alle bør glede seg over. over. Edvard Grieg-feltet representerer på mange måtar eit trendskifte i norsk petroleumsaktivitet. Dette store funnet på norsk side har endra ei holdning om at norsk petroleumsaktivitet var ei solnedgangsnæring, til stor optimisme innan næringa. Dette er svært gledeleg og betyr uendeleg mykje for norsk maritim industri, for landets inntekter og for satsinga og trua på at petroleumsindustrien har ein lang periode framfor seg. Etter at venstresida i norsk politikk, med SV i spissen, har gjenteke mantraet at olja snart er slutt, viser dette funnet at det er all grunn til å ta både ingeniørutdanning innanfor feltet og maritim utdanning – i det heile satse på ei framtid innanfor petroleumssektoren. Dette er Framstegspartiet svært glad for, og etter 2013 vil forhåpentlegvis òg eit regjeringsskifte sørgje for at Lofoten og dei nordlege delane av landet vårt får delta i den utviklinga petroleumsnæringa representerer, til glede for både lokalsamfunn og region. Dette unner Framstegspartiet dei nordlege regionane. regionane. Dagens debatt burde vel egentlig være innhyllet i et lydteppe av Edvard Griegs «Lyriske stykker», «Morgenstemning» eller «I Dovregubbens hall». Det hadde satt en god stemning for denne debatten, men jeg vet ikke helt om det ville passet. Det er delte meninger om olje- og energiministerens nye Personlig er det vel andre ting jeg ville ha gjort med oljepolitikken enn å endre navn, men det gir oss iallfall mulighet for noen gode assosiasjoner. Spørsmålet er da: Ville Edvard Grieg vært beæret over denne oppkallingen? Jeg synes det er vanskelig å vite, for jeg vet ikke helt hva Edvard Grieg mente om klima- og miljøspørsmål, men jeg er altså litt i tvil om han ville vært fornøyd med denne PUD-en som vi i dag diskuterer. Slik jeg husker min musikkhistorie fra videregående, var Edvard Grieg opptatt av å skrive for datiden, eller nåtiden sin, og også for framtiden. Da er det nettopp det vi må sjekke ut denne PUD-en mot: datiden, nåtiden og framtiden. Norges olje- og gassindustri står for en fjerdedel av klimagasser. Vi har vedtatt tidligere at Norges klimagassutslipp skal reduseres med 30 pst. innen 2020. Det er kjente tall for oss. To tredjedeler av utslippene skal vi gjøre hjemme – ja, vi kjenner dette. Vi skal debattere det videre utover dagen. Det beste virkemidlet for å få dette til er å drive installasjonene ute i havet med kraft fra land i stedet for å installere forurensende gassturbiner på plattformene.

Elektrifisering av Utsirahøyden blir bare lønnsom dersom alle feltene inkluderes. Det er her problemet ligger. Det er her jeg tror Edvard Grieg ville hatt problemer. Han var opptatt av datiden, og han var opptatt av framtiden. Faktum er at regjeringen i denne saken tillater operatøren av Edvard Grieg-feltet å bygge ut feltet med to gassturbiner, som for øvrig også skal forsyne Draupne-feltet med kraft. Tillatelsen denne saken tillater operatøren av Edvard Grieg-feltet å bygge ut feltet med to gassturbiner, som for øvrig også skal forsyne Draupne-feltet med kraft. Tillatelsen vi gir i dag, gis kun måneder før grunnlaget for investeringsbeslutning for en samordnet kraft-fra-land-løsning for hele den sørlige delen av Utsirahøyden skal legges fram. Vi er kritiske til at det legges til rette for så store investeringer i gassdrevne turbiner på Utsirahøyden parallelt med at Det er ikke bare vi som er bekymret. Oljedirektoratet har i sine uttalelser til denne PUD-en påpekt at investeringer i turbiner og generatorer på feltet vil medføre at en samordnet kraft-fra-land-løsning for området vil bli dyrere og mindre kostnadseffektiv. Dersom en skal oppnå lønnsomhet for en felles kraft-fra-land-løsning, må kostnadene deles på alle feltene, inkludert feltene Edvard Grieg og Derfor har vi i våre merknader skrevet at Lundin må bære disse investeringene selv. Det er litt oppsiktsvekkende at representanten fra SV, Lars Egeland, sier i sitt innlegg at det er en selvfølge at operatøren må stå for og betale regningene selv når han ikke kan være med på det i merknadene som saken. Disse investeringene bør ikke inkluderes i beregningsgrunnlaget for hele den sørlige Utsirahøyden, for med en slik beregning vet vi svaret på den neste utredningen vi venter på. Og det er da ikke i tråd med den klimaenigheten vi skal vedta senere i dag, det er ikke i tråd med regjeringens ønsker, og jeg tror heller ikke det er i tråd med Edvard Griegs løsning

for kostnadsbesparelser og samordningsgevinster faktisk blir realisert. Avtalene som nå foreligger mellom rettighetshaverne, legger til rette for dette. Det eksisterer flere alternativer for transportløsninger av olje og gass fra feltet. Da størrelsen på Johan Sverdrup-funnet ble oppjustert høsten 2011,

Edvard Grieg-innretningen er tilrettelagt for å kunne ta imot kraft fra land dersom det skulle bli en aktuell løsning i framtiden. For tiden studeres mulighetene for og konsekvensene av en samordnet kraft-fra-land-løsning. Arbeidet ledes av Statoil, og alle berørte med utvinningstillatelser deltar. En eventuell løsning krever et betydelig kraftuttak fra land – krevende kommersielle løsninger – og må derfor utredes grundig. Selskapene planlegger å etablere et grunnlag for investeringsbeslutning mot slutten av 2012. Aldri tidligere – det er det viktig å understreke – er det ved feltutbygging satt så konkrete vilkår knyttet til kraft fra land som det gjøres ved Det er satt vilkår som sikrer at rettighetshaverne i Edvard Grieg-feltet bidrar aktivt i utredningsarbeidet, og betaler sin forholdsmessige andel av kostnadene ved utredningen. I tillegg, dersom departementet finner at en samordnet kraft-fra-land-løsning for området skal realiseres, skal også Edvard Grieg-feltet tilknyttes en sånn løsning med mindre departementet bestemmer noe annet. I så fall skal rettighetshaverne i Edvard Grieg-feltet dekke sin forholdsmessige andel av investerings- og driftskostnadene for løsningen. Disse vilkårene ivaretar nødvendig fleksibilitet for utformingen av en optimal samordnet kraft fra land-løsning for den sørlige delen av Utsirahøyden. Det betyr i klare ordelag at blir det en samordnet løsning med kraft fra land for Utsirahøyden, blir dette feltet en del av den

Leverandørindustrien opplever høy kapasitetsutnyttelse, og det er stor internasjonal konkurranse om deres tjenester. For å sikre best mulig prosjektframdrift og økonomi er tildeling av kontrakter på et optimalt tidspunkt et sentralt element for næringen. For å bidra til dette har jeg derfor tillatt tildeling av kontrakter før plan for drift og utbygging er endelig godkjent, sånn som petroleumsloven åpner for.

replikkordskifte. Statsråden sa i sitt innlegg at det aldri tidligere har vært satt så klare vilkår for elektrifisering som knyttet til Edvard Grieg-utbyggingen. Men jeg må allikevel igjen spørre statsråden: Så lenge en tar et forbehold om at Olje- og

Jeg tror det er viktig å lese det som står, ut fra det som er utgangspunktet, nemlig at blir det en samordnet kraft-fra-land-løsning, skal dette feltet være en del av den løsningen og betale sin andel, ikke bare av planleggingskostnadene, men selvsagt også av utbyggings- og driftskostnadene knyttet til en sånn infrastruktur. Så kan departementet velge å bestemme noe annet. Det krever i så fall en aktiv handling fra departementet å bestemme noe annet enn det som er utgangspunktet. Utgangspunktet er klokkeklart, ytterligere understreket av Stortingets behandling og komiteens merknader her i dag. For min egen del kan jeg ikke nå overskue gode grunner til at vi skulle unnta

at bordet kan fange, og at kostnadene ved en valgt løsning fanger avgjørelsen i forkant. Så jeg vil igjen spørre statsråden om han også forutsetter at varmebehovet på Edvard Grieg-feltet kan dekkes på annen måte enn gjennom avgass fra gassturbinene. Utgangspunktet for valg av kraft fra land for hele Utsira-formasjonen er det redegjort for i Stortinget ved flere anledninger, i hvert fall har det vært debattert i denne salen ved flere anledninger. Stortinget har senest gjennom petroleumsmeldingen lagt rammene for det, generelle rammevilkår. Her ligger det etter mitt skjønn godt til rette for at vi skal klare det, noe som jeg også har uttrykt offentlig. Det er vårt klare mål at vi skal få til dette. Det må likevel jobbes igjennom, utredes, for å se hvordan vi kan få på plass de gode, konkrete løsningene for å komme dit hen. Når det så gjelder et eventuelt varmebehov ved Edvard Grieg-feltet, og om det kan dekkes på andre måter enn gjennom å utnytte avgass fra kraftturbinene, mener jeg det ligger PUD-behandlingen, rett og slett av den grunn at hvis kraftturbinene ikke lenger går, må varmebehovet bli dekket på annet vis. Debattene om Martin Linge-feltet og om elektrifisering av Edvard Grieg-feltet er som musikk i mine ører, for å holde meg til termologien. Det som statsråden redegjør for i

Så det Stortinget gjør i dag, er offensivt, ikke defensivt, som man kan få inntrykk av når man hører på representanten Hjemdal. Jeg tror dette er godt i tråd med de ambisjonene som Edvard Grieg hadde for det norske samfunnet. Så kan vi heller ikke trekke konklusjonene på forhånd. Det er viktige ting som må utredes, det er et betydelig kraftbehov. Det må vi ha et avtak for uten at det ødelegger for kraftforsyningen på land, regionale ubalanser, og vi er nødt til å ha et kostnadsbilde som er samfunnsmessig lønnsomt – totaliteten skal være bra. Når denne beslutningen blir tatt, kommer generatorene til å være avskrevet, da er det «sunk cost» for samfunnet fra samfunnets side. Replikkordskiftet er

og større ombyggingar på norsk sokkel. Som statsråden presiserte, har det aldri tidlegare vore så klare vilkår knytte til kraft frå land som dei som blei gjorde no i forbindelse med utbygginga av dette feltet. Martin Linge-feltet skal bli forsynt med kraft frå land. Det går fram både av proposisjonen og det som er sagt her, at ei samordna løysing mellom alle aktørane på denne delen av Utsirahøgda kan opne for ei realisering av kraft frå land. Her er Johan Sverdrup-feltet jokeren, som òg saksordføraren var innom. Eg ser at det er argument både for og mot elektrifisering, men dersom Noreg berre skal auke CO2-utsleppa, må vi gå laus på oljesektoren, i alle fall dei nye utbyggingane, for å redusere dei nasjonale CO2-utsleppa. Det reknar eg med. Det andre, som bl.a. Erling Sande òg var innom i sitt innlegg, er at det vil vere vel anvend bruk av framtidig fornybar energi.

For å realisere dette må ein sjå at det er samfunnsøkonomisk nytte og verdi i det. Samtidig skjønner eg det som representanten Hjemdal var innom, at det òg må vere ei bedriftsøkonomisk lønnsemd i det, og ho kan fort bli dårlegare når ein reknar inn investeringa av turbinar, som ein skal gjere til

han er begeistret for alle nye funn og gjør en visitt til SV i den anledning. Mitt syn er jo at det er mer olje i verden enn klimaet tåler at vi utnytter. Det er situasjonen. Men for Grimstad er det slik: Pump opp all olje, vi er glad for alle nye funn, det gir oss en mulighet til å slippe å omstille oss, mens kanskje resten av verden omstiller seg til en framtid i et fornybart samfunn. Så avslutter han med å garantere at hvis det blir et regjeringsskifte, skal det ikke bli petroleumsfrie områder igjen langs norskekysten, uansett hvilken verdi de måtte ha for fiske, dyreliv og planteliv. Da vil den største torskestammen i verden være truet i Lofoten. Jeg frykter at Grimstad kan ha rett.
Neste taler er

Skal ein løyse fattigdomsproblema, som eg trudde kanskje SV òg var oppteke av, må energien fordelast òg blant dei fattige på jorda. I den samanhengen er norsk petroleumspolitikk umåteleg viktig, rett og slett for at ein skal få mat på bordet blant verdas fattige. Slik er verkelegheita, men det synest som om SV ikkje er like oppteke av desse som sit nedst ved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

vedtatt. Prognosene fremover som følge av klimaendringer tilsier at værforholdene i Norge skal bli våtere og varmere, og at innslagene av ekstremvær i ulike varianter sannsynligvis kommer til å opptre oftere. Dette får konsekvenser med hensyn til faren for flom og skred i Norge, hvordan vi skal leve med dette og hvordan vi skal møte denne utfordringen fremover. Stortingsmeldingen om flom og skred som vi nå har til behandling, er derfor en dagsaktuell og viktig sak med betydning for både små lokalsamfunn og større byer. Den statlige farekartleggingen har så langt avdekket at mer enn 150 000 mennesker i Norge bor i områder utsatt for flom eller skred. I tillegg kommer en rekke skoler, sykehus, barnehager, næringsbygg og den type innretninger. Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen til Stortinget viser at det i hovedsak er en bred enighet omkring forståelsen av farepotensialet for flom og skred fremover og organiseringen av ansvaret og arbeidet innenfor flom- og skredproblematikken. Vi har mye vakker og spennende natur med høye fjell og dype daler, fosser, elver og fjorder. I Norge lever vi ganske tett på naturen, og vi er glad i å bruke den – både gjennom å utnytte ressursgrunnlaget i næringssammenheng og for glede, rekreasjon og opplevelse. Meldingen slår fast at det ikke er mulig å sikre seg 100 pst. mot enhver naturkatastrofe. Med norske terreng- og grunnforhold er det ikke realistisk å unngå fullstendig å bygge i flom- eller og det er heller ikke fysisk mulig eller økonomisk forsvarlig. Vi må imidlertid arbeide innenfor noen hovedakser. For det første er det viktig å styre arealbruken gjennom god arealplanlegging. Innenfor dette området er det avgjørende at det er klare ansvarsforhold mellom de ulike myndighetsnivåene: stat, fylkeskommune og kommunene, og selvfølgelig utbyggere og private aktører, og at arealplanleggingen er basert på kunnskap. Meldingen signaliserer at det området som fremdeles fremstår som noe uavklart når det gjelder ansvar, er hvem som har ansvar for skade på eksisterende bebyggelse, og komiteen er enig i at en opprydding når det gjelder dette spørsmålet, er nødvendig. Regjeringen varsler i meldingen en slik gjennomgang. Jeg forstår at f.eks. Bergen kommune hadde noen utfordringer etter jordskredet ved Hatlestad terrasse, hvor kommunen nærmest ble sendt fra departement til departement, og hvor det var uklarheter angående ansvarsforhold. Dette er selvfølgelig krevende for en kommune å skulle forholde seg til. I kjølvannet av denne hendelsen foretok Bergen kommune en egen ROS-analyse, en risiko- og sårbarhetsanalyse, av hele kommunen. Denne var dyr, men kommunen påkostet den selv. Fra Høyres side mener vi at staten må ta et større nasjonalt ansvar for kartleggingen, ha et fokus på kunnskapsutvikling og forskning og sørge for utdanningsløp som gir relevant kompetanse innenfor disse fagområdene. Folk skal kunne føle seg trygge på at områder som bl.a. legges ut til boligformål, skal være relativt trygge med tanke på fare for flom og skred. For å fremskaffe størst mulig kunnskapsgrunnlag ønsker man også å gjøre kartlegging og informasjon foretatt av private aktører tilgjengelig for både allmennheten og for Det tas i utgangspunktet sikte på å få etablert frivillige avtaler om å stille denne type informasjon til disposisjon for fellesskapet. For Høyre er det viktig at det etableres en god dialog med disse ulike private aktørene. Forebygging er alltid bedre enn å reparere skader i etterkant – det har også noe med folks trygghetsfølelse og livskvalitet å gjøre. Foreldre som sender sine barn med skolebuss hver dag i rasutsatte områder, føler naturlig nok en utrygghet. utrygghet. Kost–nytte-vurderinger legges til grunn for tiltak. Det er viktig fordi utfordringene fremover er store, og spørsmålet om hvor og hvilke tiltak som skal prioriteres, er viktig. Summen av penger vi ønsker og bør stille til disposisjon for denne type tiltak, vil alltid være begrenset, og da er det viktig med gode samfunnsøkonomiske analyser omkring Høyre mener at vi må få en skikkelig kartlegging av utsatte områder i landet med en tilhørende strategi for hvordan denne situasjonen skal møtes. Vi mener staten må belage seg på å ta et større ansvar fordi utfordringene kommer til å bli større, og det er god samfunnsøkonomi i forebyggende aktivitet. Innenfor dagens system har kommunene en egenandel på 20 pst. Høyre mener det er riktig at det skal være en egenandel, men vi mener at denne bør være fleksibel med hensyn til at utfordringene kan gjelde for kommuner med små budsjetter. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti tar jeg opp forslagene som vi har fremmet i denne innstillingen. Representanten Siri A. Meling har tatt opp de forslagene hun refererte til.

slik at Norge i enda større grad står rustet til å møte framtidens utfordringer uten at liv og helse går tapt. Styrking av arealbruken gjennom arealplanlegging er viktig for å motvirke økning i skadepotensialet som følge av ny utbygging og for å møte økte utfordringer som følge av God tilrettelegging i forkant er bedre enn reparasjoner i etterkant. Det tror jeg alle sammen er enige om. Vi vil imidlertid understreke behovet for styrket kunnskap, økt forebygging og ikke minst gode varslingsrutiner og beredskapsplaner for å ha et akseptabelt risikonivå knyttet til

og ved 500 av disse hendelsene er 1 100 menneskeliv gått tapt. Det er 1 100 menneskeliv for mye. Det er viktig at vi driver forebygging og tar dette på alvor, slik at vi unngår at menneskeliv går tapt ved at det ikke går ras. Den jobben synes jeg regjeringen – og vi – er godt i gang med.
Neste taler er

Detaljert kartlegging av farlege område er blant tiltaka som skal betre samfunnets evne til å leve med denne risikoen som ras, flaum og anna utgjer i bufaste område. Og det er mange ulike farar knytte til ustabile fjellsider, kvikkleire som kan rase ut, og sist, men ikkje minst I Møre og Romsdal har vi etablert tre overvakingsprosjekt: Åkneset ved Geirangerfjorden, Heggura i Tafjord og Mannen i Romsdalen. Alle desse prosjekta gjeld store fjellsider som er i bevegelse, og som kvar for seg representerer stor fare for liv og helse. I eitt av landets mest besøkte turistområde, ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal, arbeider ein vitskapleg for å sikre seg mot ein eventuell katastrofe. Dette blir gjort gjennom etablering av eit overvakingssenter som døgnkontinuerleg overvaker dei skredutsette områda. På denne måten kan ein lære å føresjå når raset kjem, og førebyggje mest mogleg. At det vil gå store verdiar tapt når raset går, er kjent, men menneskeliv vil bli sparte gjennom eit etablert varslingssystem, som sørgjer for alle kan bli evakuerte når det er behov for det. kjent, men menneskeliv vil bli sparte gjennom eit etablert varslingssystem, som sørgjer for alle kan bli evakuerte når det er behov for det. Kjend er også kvikkleirefaren i Midt-Noreg og på Austlandet, der store område er utsette, og der mange menneskeliv har gått tapt. Årleg får vi også flaumvarsel i ulike delar av landet vårt, og sjølv om svært få menneske har omkome som ei direkte følgje av flaum, har flaumen til gjengjeld ført men på grunn av årvisse hendingar er det slik at ein er vel kjend med kva som trengst av førebyggjande tiltak. Alle desse nemnde eksempla på utsette område viser behovet for ei heilskapleg og metodisk tilnærming for vurdering av akseptabel risiko og kostnader ved risikoreduserande tiltak. Framstegspartiet vil peike på at klare ansvarsforhold og ei størst mogleg grad av samordning er svært viktig, slik at ein unngår at ansvar forvitrar, til skade for både enkeltmenneske og samfunn. Vi ser bl.a. uklarheiter knytte til kven som har ansvar for sikring av eksisterande busetjing, og vi ser fram til at regjeringa, som varsla i meldinga, avklarer dette ansvarsforholdet nærare. Her må ein også kunne forvente at kommunane spelar ei aktiv rolle vidare framover. Når skaden så har skjedd og behovet for opprydding og utbetring er klarlagt, kan ein stadig oftare oppleve tilfelle der kommunar blir ramma uforholdsmessig hardt, med den konsekvensen at det kan bli svært krevjande for lokale myndigheiter å gjennomføre nødvendige oppryddings- og utbetringsoppgåver. Framstegspartiet meiner det er naturleg at staten tek eit større økonomisk ansvar i slike Det bør derfor sjåast nærare på korleis dagens regelverk for kompensasjon til kommunane etter flaum, ras og naturskade er utforma. Så registrerer eg at ein i media gir uttrykk for at mange er spente på kva løyvingane til tiltak mot flaum og skred blir. Eg kan berre støtte utsegna om at det ikkje er meldinga, men budsjetta framover som men budsjetta framover som avgjer tryggleiken og føreseielegheita for folk og samfunn som lever med desse truslane rundt seg i kvardagen. Førebygging kostar, og der ein ikkje kan få på plass tiltak, viser eg til ein samla komité som understrekar betydinga av effektiv overvaking og varsling av flaum og skred. Historia syner oss at naturen kan vere lunefull, men fortel oss også om verdien av god forvaltning. Som det er

Å redusere klimagassutslipp er altså viktig, og det er sannsynligvis billigere enn å satse på klimatilpasning. Men nå må vi gjøre begge deler; vi må også sikre oss bedre mot flom og skred. Antallet flom- og skredhendelser er større enn vi får inntrykk av gjennom media som dekker spektakulære hendelser kan være dramatiske nok for dem det angår. Å sikre oss mot flom og skred handler først og fremst om å sikre oss mot tap av menneskeliv og tap av eiendom og verdier, men det handler også om usikkerheten knyttet til flom- og skredfare, som kan medføre negative helsevirkninger med angst og utrygghet. I tillegg er samfunnet vårt blitt stadig mer sårbart med tanke på bortfall av strøm, mobiltelefon- og fasttelefondekning og ikke minst brudd i samferdsel med jernbane og vei. Den statlige farekartlegginga har avdekket at 150 000 mennesker i Norge bor i områder som er utsatt for flom eller men mange flere kan altså rammes om flom og skred skjer. Det er NVE som er nasjonal skredmyndighet med operativt ansvar. Meldinga varsler at NVE og andre statlige aktører sammen skal utarbeide en strategi for samarbeid og koordinering angående flom og skred når ulykke har skjedd eller truer.

Men det er en avklaring som det er behov for. Det varsles også at Miljøverndepartementet vil se nærmere på hva effektene av framtidige klimaendringer vil bli med tanke på skred, flom og havnivåstigning. Det er viktig at kommunene får klare retningslinjer for sin planlegging. Dette vil komme i en egen stortingsmelding om klimatilpasning, som vi ser fram til.

Men då må vi gjere dette så trygt som mogleg for dei som bur i og ferdast ved utsette område. Knytt opp til kartlegging av faresoner ser Senterpartiet det som særs viktig å kunne nytte den lokale kunnskapen som finst i kommunane i desse ulike geografiske områda. Denne kunnskapen, sett i hop med kunnskap om geologi og meteorologi, vil kunne gje eit best mogleg grunnlag for å utarbeide farekart. Dei fyrste farekarta over utrygge område som blei presenterte for nokre år sidan, var meir sjablongmessig utforma og gjorde at nokre kommunar tilsynelatande mista alt areal som dei hadde tilgjengeleg, på grunn av at det blei lagt inn soner der det var fare for ras og flaum. Lokalkunnskap viste likevel at farane dels var overdrivne, og at mykje av arealet likevel kunne brukast. Det viser behov for meir treffsikre kartleggingar på kommunenivå. Likevel: Mykje areal er utrygt, og mange kommunar har ein stor del av arealet sitt i slike faresoner. Det er difor viktig å understreke at det også kan gjerast tiltak innanfor desse sonene, dersom ein har gjort nødvendige sikringstiltak på den aktuelle staden. Eg vil nytte høvet til å peike på behovet for styrkt kunnskap, auka førebygging, gode varslingsrutinar og beredskapsplanar for å kunne stå Det er samtidig viktig at kravet til sikkerheit ikkje einsidig er til hinder for samfunnsutvikling som er naturleg i dei delane av landet med krevjande topografi eller vanskelege grunnforhold. Det er grunn til å understreke den viktige samfunnsmessige flaumdempingsevna regulerte vassdrag og magasin har i forhold til flaumsituasjonar. Særs viktig er det at regulantane har tilstrekkeleg kompetanse og verktøy for å kunne handtere vassmengda også i ein Dei ulike regulantane sitt ansvar er i så måte uvurderleg viktig, kopla med lokalkunnskap som ein har, fordi ein ofte er lokalisert tett til kraftverka og tett til vassdraga. Senterpartiet vil også peike på at planting av skog, i tillegg til å vere eit godt klimatiltak, vil kunne vere med og hindre utløysing av skred i utsette område. Denne stortingsmeldinga varslar at NVE i samarbeid med andre statlege aktørar skal utarbeide ein nasjonal strategi for samarbeid og koordinering når det gjeld flaum og skred. Det vil vere viktig å ha klare ansvarsforhold mellom dei ulike myndigheitsnivåa stat, fylke og kommune og mellom utbyggjar og privatpersonar. Meldinga legg til grunn at kommunane skal ha ei aktiv rolle i Det er viktig at kommunane her får nødvendig bistand til å gjere denne viktige oppgåva. I så måte er det viktig at det materialet som ligg i privat eige i form av grunnundersøkingar og fareutgreiingar, blir tilgjengeleg. Her vil eg nytte høvet til å understreke betydninga av å få til eit godt og konstruktivt samarbeid med dei private aktørane. Sikringstiltaka knytte til flaum og skred vil vere dei mest kostnadskrevjande tiltaka for den enkelte eller for kommunen. I så måte er det

framover. Frå Senterpartiet si side viser vi til det varsla lovarbeidet på området, og vi ser fram til dette. Arbeidet med å førebyggje flaum og skred handlar jo òg om å skape tryggleik for alle dei som til dagleg må møte desse farane, anten dei køyrer på rasfarlege vegar, eller dei bur i utsette område rundt om i

Det er derfor viktig å ha en aktiv og kunnskapsbasert politikk for dette, slik at Norge står rustet til å møte framtidens utfordringer uten at liv og helse går tapt. Et hovedformål med den stortingsmeldingen vi i dag debatterer, er å synliggjøre hvilken risiko flom og skred utgjør for mennesker, miljø og materielle verdier i Norge, og hvordan man kan forebygge og begrense risikoen med ulike tiltak og klarere ansvarsfordeling.

Flom kan til gjengjeld føre til store materielle ødeleggelser og har gjerne konsekvenser for et større geografisk område. Kartleggingen av skred som vi har hatt siden 1900-tallet, viser rundt 30 000 hendelser. Ved 500 av disse hendelsene er det registrert tap av liv. I tillegg til de fysiske farene ved flom og skred er det viktig å understreke at usikkerhet for flom- og skredfare kan ha andre negative helsevirkninger, som angst og utrygghet. Den statlige farekartleggingen har så langt avdekket at om lag 150 000 mennesker i Norge bor i områder utsatt for flom eller skred. I tillegg kommer en rekke skoler, sykehus, barnehager og næringsbygg. Historien har vist at det er viktig å ha klare ansvarsforhold mellom ulike myndigheter som stat, fylke og er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt hensyn til i arealplanlegging og behandling av byggesaker. Kommunene har i dag ikke en klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. Ansvaret for eksisterende bebyggelse er i dag uklart, og Kristelig Folkeparti ser derfor fram til at regjeringen, som varslet i meldingen, avklarer dette ansvarsforholdet nærmere. Meldingen legger til grunn at kommunene skal ha en aktiv rolle i å forebygge skader også for eksisterende bebyggelse. Kartlegging av faresoner har stor betydning for samfunnet, men det er ressurskrevende. Kristelig Folkeparti er derfor enig i at det er rimelig at staten bistår kommunene i dette arbeidet. Kristelig Folkeparti er også glad for at regjeringen nå planlegger en stortingsmelding om klimatilpasning som oppfølging av NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring. Jeg håper denne meldingen kommer raskt. Rammene for NVEs bistandsordning for sikringstiltak legges fram i de årlige budsjettene fra Stortinget. Praksis har vært at kommunene må dekke en andel av kostnadene, og denne andelen har siden 1998 vært satt til 20 pst. Det har vært mulig å få en nedsettelse eller fritak fra distriktsandelen i noen spesielle tilfeller. Dette støtter Kristelig Folkeparti. Distriktsandelen kan utgjøre en stor byrde på noen kommuners budsjetter. I en del tilfeller kunne oppstå i kommuner med stort areal og liten befolkning, noe som gir begrensede budsjettmidler. Kristelig Folkeparti vil derfor understreke behovet for en fleksibel tilnærming til finansieringsspørsmålet. Stadig oftere ser vi tilfeller hvor kommuner rammes uforholdsmessig hardt av flom og skred, med den følge at det blir krevende for lokale myndigheter å gjennomføre nødvendig opprydding og utbedringsoppgaver. I slike tilfeller er det naturlig, slik vi ser det, at staten tar et større økonomisk ansvar. Sammen med resten av opposisjonen fremmer Kristelig Folkeparti i dag to forslag. Vi ber regjeringen om å gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade til kommunene, med sikte på at staten tar et større økonomisk ansvar når kommuner rammes uforholdsmessig hardt. hardt. Vi ber også regjeringen sørge for at det legges fram en oversikt over behovet for flom- og rassikring, med tilhørende strategi og statlig opptrappingsplan for hvordan situasjonen skal møtes. Disse forslagene vil i dag bli stemt ned av regjeringspartiene. Jeg håper statsråden allikevel merker seg intensjonen bak disse forslagene. Jeg tror at på lang sikt er dette et område det er viktig å stå sammen om et viktig område å sikre for folk i hele landet. Flom og skred er

Framtidige klimaendringer kommer til å forsterke dette. Et hovedbudskap i meldingen er at vi kan – og skal – gjøre mye for å forebygge, men også at vi aldri vil kunne gardere oss mot nye flommer og nye skred. Derfor har vi gitt meldingen tittelen Hvordan leve med farene. Regjeringen vil gjennom et målrettet og systematisk arbeid jobbe for at flom- og skredrisikoen holdes på et akseptabelt nivå. I dette arbeidet må alle aktører bidra på sine Hver enkelt av oss har det grunnleggende ansvaret for å beskytte seg selv og egen eiendom. Kommunene har ansvaret for at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved ny utbygging og gjennom lokal beredskap. Det er viktig at kommunene er aktive, gjennomfører kartlegging av risiko og sårbarhet og tar ansvaret for håndteringen av flom- og skredrisikoen på lokalt nivå. I tillegg må de enkelte sektoretater og virksomheter ivareta flom- og skredfare bl.a. ved planlegging og sikring av infrastruktur som vei, jernbane, elektronisk kommunikasjon og kraftnett. Så er det selvsagt også behov for et sterkt statlig engasjement fra øvrige departementer og direktorat. Vi vil at Norges vassdrags- og energidirektorat skal videreføre arbeidet med flom- og skredforebygging. NVE skal ha en helhetlig tilnærming som omfatter både kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, Kartlegging er viktig fordi det er grunnlaget for alt annet forebyggende arbeid. Her er det allerede gjort mye bra, og det er behov for å videreføre og forsterke dette. Flomsonekart skal oppdateres, bl.a. for å fange opp effekter av klimaendringer. I tillegg skal aktsomhetskart for snøskred forbedres. Med mer detaljerte kart vil kommunene få en enklere jobb i arealplanleggingen, og det blir lettere å unngå bygging i utsatte områder. Eksisterende bebyggelse som ligger i utsatte områder, må beskyttes best mulig. Regjeringen har økt bevilgningene til kartlegging og sikring siden skredansvaret ble samlet i NVE i 2009, og vi vil videreføre den statlige innsatsen for å sikre utsatt bebyggelse mot flom og skred. Det betyr at vi gradvis og for hvert eneste år oppnår bedre sikkerhet. Ikke all bebyggelse kan sikres, og det er også mange som ferdes i områder hvor det til tider er fare for flom eller skred. Derfor er det viktig at vi overvåker forholdene og varsler når det er fare. Flomvarslingstjenesten er godt etablert, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre den. I tillegg vil vi videreføre arbeidet med å forbedre snøskredvarslingen og fortsette utviklingen av jordskredvarsling. Selv om myndighetene gjør det de kan for å bedre sikkerheten, er det viktig at folk selv tar ansvar. Man må kjenne de lokale forholdene og ta hensyn til dem. Vi gjør mye for å forebygge flom og skred, men vi kan ikke unngå alt. I kritiske situasjoner er det spesielt viktig at roller og ansvarsforhold er klare. Samhandlingen mellom kommune, fylkesmann, redningsetatene og NVE står sentralt. For noen områder av det forebyggende arbeidet er ansvarsforholdene ikke en gjennomgang av kap. 3 i naturskadeloven, om sikring mot naturskader. Målet med en slik gjennomgang skal bl.a. være å tydeliggjøre kommunenes ansvar for sikring av eksisterende bebyggelse samt vurdere andre forhold ved kartlegging og sikring. I meldingen varsler regjeringen også at det skal lages en nasjonal strategi for bedre samarbeid og koordinering. Alle deler av det forebyggende arbeidet vil inngå i strategien: kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, overvåking, varsling, beredskap, krisehåndtering, FoU, utdanning og kunnskapsformidling. De ulike aktørene skal bidra innenfor sine ansvarsområder. De skal samarbeide om oppgaveløsning der det er hensiktsmessig, og utnytte hverandres spisskompetanse. Opptrappingen fra denne regjeringen har bidratt til at vi i dag er kommet langt når det gjelder den enkelte innbygger. Det er regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Vi skal gjøre alt vi kan for å forebygge, men vi vil ikke kunne garantere oss mot nye flommer og nye skred. Det viktigste vi kan gjøre, er nettopp derfor å lære oss hvordan vi kan leve med farene. Det blir replikkordskifte. Kartlegging av fare

replikkordskifte. Kartlegging av fare er viktig, slik at ein kan sørgje for å få på plass varslingssystem. Då kan ein leve med fare. Å leve med fare som ein veit er der, utan at ein veit kva tid han blir utløyst, er uhaldbart. Men Men uavklarte ansvarsforhold ved «eksisterende bebyggelse» har fokus i meldinga. Kva blir gjort, og kvar står saka no når det gjeld nettopp denne problemstillinga? Regjeringen varsler i denne meldingen at vi mener at her er ansvarsforholdene ikke tydelige nok. varsler derfor en gjennomgang og et lagarbeid, som selvsagt vil bli å forelegge Stortinget på vanlig vis. Kost–nytte-vurderinger er i forhold til en begrenset sum midler som kan brukes til disse viktige formålene knyttet til forebygging. Nå har en stilt noen spørsmål til statsråden angående den damsikkerhetsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010, og manglende kost–nytte-vurderinger der. Aktørene i bransjen mener at de utbedringer vi må gjøre på dammene, kan sammenlignes med om vi har et midtrekkverk på E39, og at man legger på et par centimenter på et allerede eksisterende midtrekkverk. Man er altså pålagt å gjøre investeringer til mange milliarder kroner uten at det er foretatt noen kost–nytte-vurdering. Anser statsråden det som en fornuftig forvaltning av samfunnets midler at en bruker så mange milliarder på en så begrenset oppgradering av dammene? Damsikkerhet er et stort og viktig tema. Det omfattes ikke direkte av denne meldingen, men jeg vil likevel knytte noen kommentarer til mindretallets merknad. Hovedpoenget er at det blir ikke foretatt noen kost–nytte-vurdering for disse sikkerhetskravene ettersom forskriften ikke hadde til hensikt å skjerpe kravene. Det vil si at det finnes også slitasje, ny kunnskap, setninger etc. knyttet til eksisterende damanlegg. De pålegg som har kommet, er hovedsakelig knyttet til at man skal opprettholde den standarden og de sikkerhetsvurderingene som allerede ligger til grunn. Det vil jeg mene er fornuftig – jeg vil iallfall mene at det motsatte er ufornuftig. Jeg registrerer at jeg ikke kommer videre på det spørsmålet, men jeg håper at statsråden også ser at det kan være fornuftig å ha kost–nytte-vurderinger knyttet til forskriftsdelen. Mitt spørsmål går på dette med skred. Statsråden var i Mitt spørsmål går på dette med skred. Statsråden var i sitt innlegg inne på betydningen av å forbedre snøskredvarslingen. Nå er det dessverre også slik at forskningsmidlene til snøskredforskning har blitt redusert, og det står egentlig i kontrast til utfordringen med hensyn til snøskred. Så mitt spørsmål til statsråden er om han ser behovet for å trappe opp midlene til forskning på snøskred. Representanten har rett i på generelt grunnlag at bevilgningen for 2012 er noe redusert, fra 3,5 mill. kr til 3 mill. kr. Men fremdeles bevilger vi i overkant av 3 mill. kr til snøskredforskning. Dette er viktig for oss, og det er et fagfelt som vi vil ha fokus på framover og ønsker å videreutvikle. Det er også viktig å tegne det totale bildet, og det handler om en vesentlig opptrapping innenfor snøskredvarsling, hvor det nå er etablert en egen nettside hvor folk kan gå inn og se om det er rasfare i de områdene hvor man har tenkt å bevege seg.

som fleire har nemnt. I romjula fekk vi eit godt døme på korleis sterk vind kan setje ein heil landsdel ut av spel. Orkanen «Dagmar» gjorde store skadar på Nordvestlandet. Det var skremmande å sjå korleis eit heilt samfunn blei sett ut av spel i fleire døgn på grunn av straumstans og brot på telenettet. I min del av landet har det gått store skred og steinras som har kravd mange liv. Både i Lodalen og Tafjord rasa det ut store fjellblokker som laga flodbølgjer og øydela heile grender. I Lodalen omkom det til saman 135 menneske i dei to store rasulukkene i 1905 og 1936. I Tafjord omkom 41 menneske i den store rasulukka i 1934. Desse rasulukkene har sett sine djupe spor. Når ein veit at det mange stader er store fjellområde som ein fryktar skal rase ut, skapar dette frykt og uro. I Stranda kommune på Sunnmøre kan eit heilt fjellområde i Åkneset rase ned i Storfjorden. Der er det etablert eit overvakingssenter, Åknes/Tafjord Beredskap IKS, som overvaker Åkneset i Stranda, Hegguraksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune. Arbeidet går ut på overvaking og varsling dersom eit fjellskred med påfølgjande flodbølgje kjem. Åknesremna utvidar seg jamt og trutt, og det gjer folk urolege. Det får også konsekvensar for utbyggingsplanar, både for kommunane og næringslivet. Det er heilt avgjerande å styrkje kunnskapen og å få på plass gode varslingsrutinar og beredskapsplanar for Det er heilt avgjerande å styrkje kunnskapen og å få på plass gode varslingsrutinar og beredskapsplanar for å ha eit akseptabelt risikonivå knytt til denne typen hendingar. Overvakingssenteret på Stranda er svært viktig både for fjordområda i Møre og Romsdal og i ein nasjonal samanheng. Det er også avgjerande for ei vidare samfunnsutvikling i desse områda at krava til sikkerheit blir Byggjeforbodet som blei innført i Storfjorden, skapte store utfordringar, og det er bra at det generelle forbodet kunne opphevast då overvakingssenteret kom på plass. Høgre meiner det er svært viktig å tydeleggjere utfordringane med flom og ras, og då må det gjerast meir frå staten si side enn det blir gjort i dag. Det er også grunnen til at Høgre foreslår å be regjeringa leggje fram ei oversikt over behovet for flom- og rassikring, med ein strategi og statleg opptrappingsplan for korleis desse utfordringane skal møtast. For kommunar som blir råka av slik hendingar, fører det også til store økonomiske utfordringar. Høgre meiner derfor at det også er rett at staten tek eit større økonomisk ansvar når ein kommune blir råka av slike
Neste taler er

og rolledeling når det gjeld kartlegging av fare, førebyggjande tiltak og erstatning. Når det gjeld det siste, erstatning, var det i alle fall store forventningar til at staten skulle dekkje alle kostnadene ved skadar på fylkesvegar, kommunale vegar og anna. Ikkje minst var visse utsegner og signal frå sentralt hald med på å bidra til slike forventningar. Derfor er det veldig bra at vi no får ei stortingsmelding om dette, og det er veldig viktig med dei konkrete oppfølgingane som meldinga skisserer. Det er viktig med ei avklaring om ansvar og òg eit opplegg for auka innsats for førebygging, sikringstiltak og beredskapsplan osb. Når det gjeld beredskapsplanar, trur eg ikkje det var så dårleg i Gudbrandsdalen, men det var i alle fall ein stor dugnadsinnsats som redda situasjonen for

kva som er staten og NVE sitt ansvar, og kva dei kan bidra med, slik at det blir samsvar mellom forventningar og realitetar. Mange av talerne her i dag har snakket om arealmessig store kommuner med små budsjett, som har blitt rammet av sånne katastrofer. Som permittert ordfører i Holtålen kommune kan jeg ikke la være å si noen ord. Vi er en kommune på størrelse med halve Vestfold, og vi har 2 000 innbyggere. Den 16. august 2011 ble vi en utrolig stor flom, som reiste nedover med hele sentrum. Det har vært snakket mye om forebygging og kartlegging, og uansett hvor mye en kartlegger og måler, er det ikke alt en vet. Til oss var det ikke meldt flomvarsel i det hele tatt, og plutselig steg elven med seks meter på bare noen få timer. Så en kan uansett ikke være forberedt på alt. Det har vært snakket en del om kriseberedskap, og det fungerte veldig godt hos oss på tross av at bygden var delt i tre med all infrastruktur som var borte. Men to, tre dager etterpå kommer det virkelig krevende arbeidet. Utfordringene i etterkant er det ingen På tross av at mange her har vært kritiske i dag, er jeg egentlig veldig fornøyd med den oppfølgingen vi har fått. Jeg har kontakt med både administrasjonen og politisk ledelse, og vi er godt fornøyd med den oppfølgingen vi har fått fra fylkeskommunalt hold, og vi er godt fornøyd med den oppfølgingen vi har fått fra staten, både via departementer og via de underliggende etater. Som det har vært nevnt, blir distriktsandelen justert i ekstreme tilfeller. I dette tilfellet ble den heldigvis justert. Det var flere liknende hendelser i landet på samme tid, og den ble justert ned til 5 pst., noe som betyr utrolig mye for å få bygget opp igjen. Når det gjelder skjønnsmidler, er det sånn at egenandelen rundt omkring er på 250 kr per innbygger. innbygger. Jeg må si at jeg er overrasket over at vi blir så godt hjulpet av storsamfunnet når vi blir så hardt rammet. I vår kommune har bare utgifter til kommunal infrastruktur utgjort 20–30 pst. av kommunebudsjettet, og det sier seg selv at gjenoppbygging uten hjelp fra staten hadde vært aldeles umulig å få i land. Så er det selvsagt noen utfordringer og ting som kan gjøres bedre. Spesielt er jeg glad for at Olje- og energidepartementet nå varsler at de starter et lovarbeid med sikte på å tydeliggjøre ansvarsforholdet for sikring mot naturskader. Vi har bl.a. en utfordring med at NVE har klarlagt hva slags tiltak de skal gjøre i elva, men samtidig er vi avhengig av at fylkeskommunen da finansierer den nye fylkesveien som går på toppen. Så jeg er veldig glad for at dette arbeidet nå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

for korpsene og ønsker større oppmerksomhet rundt problemet, som de kjenner på daglig. Det er bekymringsfullt når mange ungdommer slutter i skolekorpsene. Norges Musikkorps Forbund er Norges største frivillige kulturorganisasjon med over 65 000 medlemmer. Som jeg har forstått på dem, er tålmodigheten nå tynnslitt av det de mener er en manglende interesse fra regjeringen, Kulturdepartementet og kulturmakten i Oslo. Du tuller ikke med gamle korpsgutter. I fjor som i år truet de med at de ønsket å boikotte 17. mai. Heldigvis ble det ikke noe av det. Korpsmiljøene føler de ikke får oppmerksomhet rundt sine bekymringer, som særlig dreier seg om å få Dette bør være en gyllen anledning for regjeringen til å gå inn i samtale med organisasjonene og korpsmiljøet. Det er dramatisk frafall i skolekorpsene. Det er et stort frafall av musikanter mellom 10 og 19 år, som gir grunn til stor bekymring. Skolekorpsene har mistet 40 pst. av medlemmene mellom 10 og 19 år siden 2004. De siste tallene viser at de har mistet 3 500 i denne aldersgruppen bare det siste året. Det er nettopp gruppen mellom 10 og 19 år som vi ønsker å fange opp og få med i bevegelsen. Dette er dramatiske tall som gir grunn til bekymring. Hvis vi framskriver disse kurvene for skolekorpsene, så er korpsene borte om tolv år. Hva er årsaken til frafallet? Er det bare i festtaler at frivilligheten i Norge skal styrkes? Fremskrittspartiet mener at det ikke er riktig at det bare er foreldrene som skal ta ansvar for den folkebevegelsen som musikkorpsene er. Alle må ta ansvar: regjeringen, kommunen og, ikke minst, Stortinget her i dag. Fremskrittspartiet har noen ideer om hvordan bevegelsen kan styrkes, som vi også skriver i forslaget vårt. Fremskrittspartiet skjønner at tålmodigheten er slutt. Fremskrittspartiet skjønner at rammevilkårene for skolekorpsene må bli betydelig styrket. Fremskrittspartiet er kjent med at Norges Musikkorps Forbund og Kulturskolen i Bergen nå samarbeider om et prosjekt som skal styrke skolekorpsene i Laksevåg-området og korpsundervisning i skoletiden, med meget god erfaring. Det kan være en løsning for andre av landets skolekorps, uten at regjeringen ønsker å vurdere dette, og det synes jeg er beklagelig. Arbeidet som er gjort med korpsundervisning i skoletiden, har gitt gode resultater og bidratt til at man har rekruttert flere aspiranter til korpsene. Korps er viktig fordi det skaper et fellesskap for barn og unge. De fleste skoler vil også kunne oppfylle læreplanens krav i større grad ved å innføre korps i skolene. i skolene. «Korps i skolen» er også et effektivt verktøy for å skape flere musikere. Det er meget god og positiv erfaring fra et samarbeid mellom Nes og Flå kulturskole, Nes barneskole og Nesbyen skolekorps, der prosjektet ble gjennomført i skoleåret 2009/2010. Undervisningsopplegget har både styrket musikkundervisningen på skolen økt rekrutteringen til skolekorpset samt til musikk- og kulturlivet for øvrig – ja, et kinderegg. Jeg vet ikke om det er forbudt å si «kinderegg» i Stortinget i dag, men det er i hvert fall tre gode løsninger, som vi bør vurdere. Skolekorpset ble for øvrig mer enn doblet allerede året etter. etter. UNESCO-undersøkelsen slår også fast at dårlig undervisning i kulturfag har direkte negativ effekt på barnas kreative selvtillit. Det denne undersøkelsen ettertrykkelig slår fast, er at god undervisning i kunst og kultur har store positive effekter på barn og unge i skolen. Undervisning i kulturfag bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og bedre lese- og blant barn og unge. Så god undervisning i kulturfag, med god kvalitet og av kompetent personale, har klare positive effekter på barn og unges helse og generelle tilfredshet og motivasjon. God undervisning innen kulturfag kan påvirke barn og unge og hele lokalsamfunnet. Det kan også påvirke elevenes motivasjon og

Korps har også vært en viktig del av de rød-grønne partienes kulturløft. Allerede i det første budsjettet som vi la fram høsten 2005, etablerte vi en helt ny ordning, en egen instrumentordning for skolekorpsene. Det ble da bevilget 2,5 mill. kr til denne ordningen høsten 2005. 2005. I dag er denne ordningen på 10 mill. kr, og det er faktisk viktige penger når skolekorpsene skal investere i nye instrumenter. Korps er også en viktig del av frivilligheten, og den rød-grønne regjeringen har tatt store, viktige grep for å løfte frivilligheten. Vi gjeninnførte Frifond på statsbudsjettet etter at kulturminister Svarstad Haugland foreslo å fjerne Dette har virkelig også kommet musikkorpsene til gode. I dag mottar musikkorpsene 10 mill. kr gjennom Frifond-ordningen. På fredag la kulturminister Anniken Huitfeldt fram idrettsmeldingen, der man bl.a. foreslår å endre tippenøkkelen, og det betyr enda mer penger til Frifond.

Det er også en ordning som sikrer direkte støtte til lokalleddene i organisasjonene. Uten Grasrotandelen ville det meste av dette gått til sentralleddene, og vi vet ikke hvor mye som da ville ha kommet direkte til lokalleddene. Vi har også fått på plass en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen. I dag er den på 600 mill. kr, og vi vet den skal opp til 1,2 mrd. kr. Også denne ordningen får korpsbevegelsen sin rettmessige andel av. I 2009 fikk korpsene 1,9 mill. kr i momskompensasjon. Bare to år etter, i 2011, var summen tidoblet, til 19 mill. kr. Dette vet vi kommer til å øke kraftig i årene framover, når opptrappingsplanen blir ført videre. de frivillige organisasjonene, og vi har også satset kraftig på korpsbevegelsen. Aldri har staten gitt mer penger til korps. Samtidig vet vi at korpsbevegelsen sliter. Vi vet at medlemstallet er synkende, og at kostnadene er økende. Men om dette skyldes manglende bevilgninger fra det offentlige, er jeg mer usikker på. Det kan også være andre grunner. Kanskje er det mangel på dugnadsinnsats blant foreldre, eller det kan være at unger har fått et litt annet fokus og ønsker å holde på med andre ting. Men det korpsbevegelsen skal være sikker på, er at vi rød-grønne også i årene framover ønsker å satse både på frivillighet og på korpsbevegelsen. Vi er den viktigste garantisten for et videre kulturløft. Er det én ting jeg er sikker på, er det at hvis vi får en borgerlig regjering høsten 2013, med Fremskrittspartiet med på lasset, kommer det ikke til å bli mer penger verken til kultur eller til frivillighet, fordi man kommer til å foreta helt andre prioriteringer. Så er det i forslaget foreslått at skolekorps skal inn på UNESCOs verdensarvliste. Det er ikke vi rød-grønne i Det er ikke vi rød-grønne i utgangspunktet negative til, men departementet har nå gitt Kulturrådet i oppdrag å utarbeide prosedyrer for det. Når de prosedyrene er på plass, er det viktig at det også blir vurdert om korpsene kan bli en del av UNESCOs verdensarv. Så vil jeg bare si at jeg mener det er helt feil at jeg mener det er helt feil – og jeg mener vi også har dokumentert det tydelig – at frivillighet ikke bare er festtaler fra den rød-grønne regjeringen, men det er endring av tippenøkkelen, det er momskompensasjonsordning, og det er en instrumentordning, som viser at vi satser både på frivilligheten og på

vår, merkes det også at de mange plasser opplever å ikke få korps som kan spille i barnetoget. Noen må ty til korps fra våre naboland. Det er kanskje spesielt alvorlig når vi nærmer oss markeringen av vårt grunnlovsjubileum. Korpsbevegelsens utfordringer er sammensatte, og at statlige midler alene ikke er tilstrekkelig for å opprettholde medlemstallet, tror jeg også vi må erkjenne. Nedgangen i antallet skolekorps er like mye et

I tillegg har man innført momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Vi ser at gjennom disse ordningene har støtten til korpsbevegelsen økt fra 15 mill. kr i 2005 til 55 mill. kr i 2011. tror en samlet komité er klar over at korpsbevegelsen står overfor store utfordringer. Men jeg tror vi lurer oss selv hvis vi samtidig bare sier at dette handler om økonomi, for det er klart at det alene ikke vil motivere og føre til at flere har lyst til å være med og spille i korps. Så her er både kommunene, skolene og kulturskolene nødt til å ta ansvar, for under denne regjeringen har man sett at man har bidratt med mer økonomi til korpsene. Samtidig ser vi at man sliter med en god nok oppfølging som gjør at enda flere får lyst til å delta og bruke av sin fritid til å spille i skolekorps. Jeg vil først takke for et veldig godt representantforslag fra Kristelig Folkeparti, som vi debatterer her i salen i dag. Høyre støtter fullt og

men vi er et stort land i musikkorpsverdenen. Faktisk har Norge flere aktive korpsmusikere i forhold til folketallet enn noe annet land. Denne tradisjonen har vi hatt i snart 140 år. Musikkorpsene skaper musikkglede for både utøvere og tilhørere rundt i hele Norge, og de er viktige for vår nasjonale kulturarv. kulturarv. Fra hjembygda mi, Klæbu, hvor vi har et fantastisk musikkorps, vet jeg selv hvor mye det betyr for bygda at vi har et godt korps når bygda samles til fest. Men vi vet også hvor mye arbeid som ligger bak, og vi vet å sette pris på de ildsjelene som jobber mange, mange, mange timer for at vi som publikum skal få så mye fantastisk musikkglede tilbake. Det er gledelig at korpsbevegelsen over tid har mobilisert så bredt rundt i hele landet og holdt norsk kulturarv levende gjennom øvelser og konserter, for den ikke-materielle kulturen må vi bruke, om den skal leve i folks bevissthet. Vi ser dessverre en negativ utvikling, der skolekorpsene sliter med medlemsnedgang og økende kostnader. Når regjeringen skal vise til hva de har gjort for kulturen, snakker de gjerne om at kulturbudsjettene har økt. Men hvor mye av Kulturløftet har gått til det frivillige kulturlivet? En undersøkelse fra Frivillighet Norge viser at det frivillige kulturlivet er avspist med en så liten økning som kun 4,5 pst. Det er ikke særlig mye å skryte av. Korpsenes rammebetingelser er drastisk forverret. Situasjonen nå er alvorlig. Frivilligheten ble taperne da regjeringen brøt løftet sitt om 200 nye millioner i momskompensasjon for 2012. Korpsene betaler også fortsatt mer i moms til staten enn det de får tilbake gjennom offentlige støtteordninger. Siden Kulturløftet kom, har korpsene i tillegg

Vi venter i spenning på hva regjeringspartiene nå vil gjøre. På samme måte som i idretten er det også på musikkfeltet slik at breddekultur og elitekultur er gjensidig avhengig av hverandre. Mange profesjonelle musikere har startet i korps og er nå både forbilder og rollemodeller for dagens korpsmusikere. Vi må derfor ta forvalterrollen for den norske musikkorpstradisjonen på alvor og bidra til at korpsene fornyes, styrkes og videreutvikles for fremtiden. Vi vet at dårlig undervisning i kulturfag bygger ned barns kreativitet og selvtillit, mens god undervisning i kunst og kultur har store positive effekter på barn og unge i skolen. Barna får økt selvtillit, bedre lese- og skriveferdigheter og mindre fravær. I tillegg bedres barn og unges helse. Jeg håper vi får et flertall for dette gode forslaget, slik at regjeringen også snart kommer tilbake til Stortinget med en strategi som styrker korpsbevegelsen. Så til UNESCO-konvensjonen og vern av immateriell arv. Her også utmerker den norske skolekorpsbevegelsen seg. Jeg håper at denne vil kunne komme inn på

å bruke disse 9 mrd. kr sånn at barn og unge får lov til å skape, og at det blir lagt til rette for at barn og unge kan få uttrykke seg selv gjennom kunst og kultur. Det må være en hovedoppgave når vi har mulighet til en sånn satsing på dette feltet. Men da er det et paradoks når vi ser oss rundt i landet vårt. Etter denne historiske opptrappingen ser vi at kulturskolene er et av de områdene der regjeringen nesten ikke har levert noen ting i forhold til løftet sitt. Vi ser at korbevegelsen bare får smuler av av kulturbudsjettet, og vi ser – ikke minst – at skolekorpsene er et av de områdene som virkelig sliter. Korps er nemlig en av de store, frivillige folkebevegelsene i landet vårt, der nettopp voksne mennesker, men ikke minst barn og ungdom får mulighet til å uttrykke seg selv gjennom musikk. Her lærer man grunnleggende musikkferdigheter, man lærer seg å spille et instrument, og – ikke minst – man lærer seg å spille sammen med andre. Korpsbevegelsen arrangerer 17 000 konserter hvert år. Det er skolekorps, det er voksenkorps, det er drillkorps – det er andre typer ensembler. Hvert år begynner nye barn i et korps. Vi er fantastisk heldige og privilegerte som har en så stor aktør når det gjelder musikk og kultur for barn og unge, iblant oss. Som det ble sagt av forrige taler: Dette er helt unikt i internasjonal sammenheng. Det er derfor ikke bare et nasjonalt ansvar, men et internasjonalt ansvar å ta vare på den kunstformen og folkebevegelsen som dette representerer. Derfor ønsker Kristelig Folkeparti å legge til rette for at korpsbevegelsen kan komme inn under UNESCOs vern så snart det er mulig. Men det koster å drive korps, som vi alle sammen Skolekorpsene bruker årlig 85 mill. kr på innkjøp av musikkinstrumenter. I ett enkelt skolekorps kan det være instrumenter for 1 mill. kr. Hvordan skaffer man 1 mill. kr gjennom frivillighet? Det er en kjempeutfordring. Nettopp her er det den frivillige folkebevegelsen gjør en sånn fantastisk innsats hver eneste dag. Senest i går var jeg på konsert på Prinsdal skole med Prinsdal Skolekorps, Holmlia Skolekorps og Prinsdal Skolekor, som laget Latino konsert med en enorm frivillig innsats, ukevis med planlegging, øving, forberedelse, rigging av utstyr og med foreldre som jobbet fra tidlig om morgenen til sent på kvelden for å få til et sånt fantastisk samlingspunkt for bygda si. Norge har faktisk en unik tradisjon for Norge har faktisk en unik tradisjon for kor og en unik tradisjon for korps. Hvorfor i all verden gjør vi så lite når det gjelder dirigentutvikling? Nå er det på tide at vi følger opp også det. De rød-grønne er stolte av sin innsats, hører vi. Man får inntrykk av at man nå har gjort nok for korps. De får klare seg selv. Resten får de ordne opp i selv – kommuner, lokalsamfunn, foreldre. Mer dugnadsarbeid er svaret fra de Selvtilfredshet fører ingen til suksess. Jeg må si at jeg blir litt oppgitt når man igjen har en diskusjon om hvordan vi skal ta vare på en unik norsk kulturtradisjon som korps, og får til svar: Ja, vi har bevilget så mye, og hvis de andre vinner valget, vet vi ikke hvordan det går. Det holder bare ikke å gi de foreldrene som driver denne unike kulturbevegelsen i Norge, så enkle, retoriske svar. Her må vi stille opp. Vi må lage en strategi for korpsbevegelsen som gjør at denne kan utvikles videre. Det har vært en noe forvirrende, men også til dels oppklarende, diskusjon vi har hatt i salen i dag. For det første: Hvis man er Det har vært en noe forvirrende, men også til dels oppklarende, diskusjon vi har hatt i salen i dag. For det første: Hvis man er opptatt av Frifond, som er en ordning skolekorpsene får penger fra, burde opposisjonen være veldig glad for at man tapte valget i 2005, for det som var hilsenen fra Bondevik-regjeringen i statsbudsjett, var å kutte Frifond helt. Det første vi gjorde, var å øke den potten, slik at det ble mer til barne- og ungdomskultur og mer til skolekorpsene. Hvis representanten Håbrekke mener at det å snakke om penger er et for enkelt svar, er jeg grunnleggende uenig med ham i det. Det handler også om å gi noen midler til skolekorpsene, slik at de kan drive videre framover. Det handler om frivillighet. Det handler om alle de ordningene som vi har innført siden vi tok over. Det første var at vi innførte et instrumentfond – der står det 9,7 mill. kr. Det fantes ikke før. Vi har økt grasrotmidlene til 16,5 mill. kr., en ordning som opposisjonspartiene samlet var imot i en ordning som opposisjonspartiene samlet var imot i denne salen. Vi har økt momskompensasjonsordningen slik at skolekorpsene får 18,9 mill. kr. Da vi tok over, var denne på ca. 1 mill. kr. Vi har gitt veldig mye penger. Men det er én ordning skolekorpsene har fått mindre fra i 2011 enn i 2009, og det er

på, er Frifond-ordningen, fordi det i stor grad er på tippenøkkelen. Gjennom endringene i tippenøkkelen vil vi gi mer til norsk idrett, men også til den delen av kulturlivet som står på tippenøkkelen – det er Den kulturelle skolesekken, det er barne- og ungdomskulturen, og det er skolekorpsene. Jeg mener at rammevilkårene er viktige, og at vi har levert mye til korpsene, men vi ønsker å levere enda mer.

Nå arbeider Norsk kulturråd med en oversikt over den immaterielle kulturarven i Norge. Når vi har en sånn oversikt, kan vi se om det er hensiktsmessige måter å verne dette på, og hvilket behov det er for det. Nå arbeides det med en slik liste. Om det skal være korps, om det skal være folkedans, eller om det skal være fortellertradisjon som skal stå på listen som Norge leverer inn til UNESCO, skal vi ta stilling til på et senere tidspunkt. Men det er i hvert fall en viktig diskusjon som vi har hatt her i Stortinget i dag om hva som skal være på denne listen. Det er sjelden at diskusjonene i denne salen samsvarer i så sterk grad med det man opplever på hjemmebane. Jeg selv gikk i skolekorps, Jessheim skolekorps, da jeg var liten jente, og det er akkurat i dag jeg skal følge mitt første barn til skolekorpset, hun skal begynne i det samme skolekorpset som jeg gikk i. Jeg vet at det medfører veldig mye dugnadsarbeid, og veldig mye innsats fra regjeringen, men jeg er i hvert fall glad for at vi har firedoblet tilskuddene til skolekorpsene den siste tiden – noe som gir grunnlag for vekst. Ja, det er jammen godt at det er Kulturløftet som danner grunnlaget for den korpspolitikken vi skal ha også i framtiden. Det blir replikkordskifte. Det har aldri vært bevilget mer penger til norsk landbruk, og det forsvinner gårdsbruk hver eneste uke. Det har aldri vært bevilget mer penger til norsk korpsmusikk, men det forsvinner musikere daglig og ukentlig. Alle ser at det er store utfordringer i korpsbevegelsen når kostnadene øker mer enn tilskuddene, og medlemstallene går ned. Da bør man kanskje se på andre ordninger og finne nye løsninger – og ikke minst ha Kulturarven må vi ta vare på, men det må ikke bli sånn at korpsbevegelsen må drive med kakelotteri for å betale moms til staten. Da har vi gått i feil retning. Korps som har prøvd samarbeid mellom kulturskolen, skolene og SFO, har positive erfaringer. Hva vil statsråden gjøre? Vil hun ta initiativ til en samtale, og vil statsråden i det hele tatt ta en samtale med korpsbevegelsen for å høre om utfordringene de har? Selvfølgelig skal jeg ha god dialog med korpsbevegelsen. Det er helt riktig som representanten er inne på, at det er mange steder man har et veldig godt samarbeid med skolen, og at det har vært heldig for korpsene. En del av de prosjektene vi støtter gjennom midlene til utvikling av kulturskolen, handler nettopp om samarbeidet mellom korpsene og skolen. Det er viktige initiativ som vi vil se nærmere på i tiden som kommer.

hva om skjedde i 2001, 2002 og 2003, men at hun var opptatt av fremtiden og fremtidens korps. Spørsmålet mitt er om kulturministeren synes at det forslaget som Høyre nå legger frem i revidert nasjonalbudsjett, med 50 mill. kr ekstra til momskompensasjonsordningen og frivillige organisasjoner, er et godt forslag. Jeg har da langt større ambisjoner på momskompensasjonsordningens vegne enn som så. så. Det vi ønsker fram til 2014, er en opptrapping på til sammen 1 mrd. kr. De ekstra millionene fra Høyre blir litt puslete i den sammenhengen, så jeg ønsker en opptrapping av momskompensasjonsordningen. I tillegg ønsker jeg en endring av tippenøkkelen, for Frifond har i stor grad «stått» på tippenøkkelen, så der har ikke utviklingen vært like god som på kulturbudsjettet. Men gjennom forslaget til endring av tippenøkkelen, som regjeringen la fram på fredag, får vi en vekst i støtten til den frivillige barne- og ungdomskulturen på om lag 50 pst. Jeg mener at vi skal måles på resultater. Vi har hatt store resultater på korpsområdet siden vi tok over i 2005. Jeg er stolt, men jeg er ikke fornøyd, og derfor vil jeg gå videre i samme retning, med mer til kultur og nei til

Det var bevilgningene på statsbudsjettet som gikk ned, mens man fikk mer gjennom tippemidlene. Det er jo den samme usikkerheten man lever med, og som regjeringen utsetter Frifond for, når man ønsker å øke Frifond gjennom tippenøkkelen. Jeg tror mange i frivilligheten vil være skuffet over

med den strategien som vi nå har lagt til grunn, om økning i bevilgningene gjennom momskompensasjonsordningen og gjennom Frifond – som er gode ordninger for korpsbevegelsen – ønsker vi å gi større økonomisk handlingsrom for korpsene. Så er det ikke riktig som representanten sier når det gjelder Frifond: Sannheten er at da Frifond kom over på tippenøkkelen, ønsket Bondevik-regjeringen å fjerne den helt fra statsbudsjettet. Vi sa ja takk til begge deler – nettopp fordi vi ønsket å gi mer penger. Så da vi endret tippenøkkelen forrige gang, i 2005, gikk midlene til barne- og ungdomskulturen – som del av overskuddet fra tippenøkkelen – prosentvis ned. Nå er det jammen grunnlag for å øke denne, og derfor ønsker vi å endre tippenøkkelen for å gi mer til frivillig barne- og ungdomskultur og mer til korps.

støtte. Svaret fra de rød-grønne er ganske forbausende. Det er en knallhard kritikk mot de borgerlige partiene, det er å vise til hvor fælt alt var i 2005, og hvor ille alt skal bli fra måten man argumenterer på, har man allerede innkassert valgnederlaget for de rød-grønne, og det kan jeg for så vidt skjønne når man ikke har den tilliten til egen politikk som man åpenbart burde hatt muligheten til å ha. For det er jo slik at de rød-grønne partiene har styrt regjeringen i åtte år. De har hatt flertall i denne salen i åtte år, men evner ikke å levere – heller ikke når det gjelder korpsbevegelsen. Denne debatten kunne ha vært konstruktiv. Dette kunne ha vært en idédugnad om hva man ønsker å gjøre for en så viktig bevegelse som korpsbevegelsen. Men det ønsker altså ikke de rød-grønne. De ønsker bare å angripe opposisjonen, som har reist et interessant forslag, og som er mild i sin måte å omtale regjeringen på, både i merknader og i denne salen. Vi ønsker rett og slett å ha en idédugnad om hva man kan gjøre for korpsbevegelsen også i framtiden. Men det ønsker altså ikke de rød-grønne å være med på. Jeg må si at det skuffer meg lite grann, men på en måte kan jeg jo også skjønne det. et viktig element når det gjelder korpsbevegelsen, er å få alle til å spille samme melodi og å gjøre det noenlunde i takt, og det har kanskje ikke preget denne regjeringen de åtte årene den har sittet. Men noen som er så handlingslammet som denne regjeringen har vært, skal man lete lenge etter. Det forslaget som er fremmet fra mindretallet – Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti – burde egentlig ha vært et enstemmig forslag i Stortinget. Det lyder: «Stortinget ber regjeringen, senest i statsbudsjettet for 2013, legge frem forslag til en strategi for å styrke norsk korpsbevegelse.» Her har man et hav av muligheter til å styrke korpsbevegelsen, både når det gjelder økonomi, og når det gjelder å fullføre momskompensasjonen, som denne regjeringen har hardt imot. Så man har hatt mange muligheter, men man har bevisst valgt ikke å bruke dem. Det synes jeg er trist, og da tror jeg det kan være like greit at man får et skikkelig regjeringsskifte i 2013. Som

ikke på langt nær har samme bredde og styrke. I Norge er vi så heldige å ha denne unike korpsbevegelsen, og det gjør at vi bør føle et ansvar – aller mest overfor oss selv, mer enn overfor verdenssamfunnet – for å ta vare på denne tradisjonen og denne bevegelsen. Det er bakgrunnen for det forslaget som er lagt fram, og det var det vi hadde håpet å få en diskusjon om: Hva gjør vi for å imøtekomme de utfordringene? Svaret vi har fått, er en tabell som viser noen bevilgninger fra 2005 og fram til i dag. Ja, det er fint. Det er flott med de økningene man har fått til. Men sannheten er at denne unike bevegelsen – denne folkebevegelsen – har en del utfordringer, og spørsmålet til regjeringen er ganske enkelt: Hva ønsker regjeringen å gjøre med det? Det er det vi ønsker svar på. At det er mer penger i statsbudsjettet i 2012 enn i 2005, det vet vi. Men det hjelper faktisk korpsbevegelsen veldig lite, og det er faktisk ikke noe svar på hvordan vi møter de utfordringene. Jeg håper svaret er noe mer enn at foreldrene får drive enda mer dugnad – at man har mer innhold i sin leveranse. Når det gjelder momskompensasjon, er det fint at man i alle fall et stykke på vei har trappet opp momskompensasjonen. Men jeg tror frivilligheten føler seg litt lurt hvis det er sånn at fordi man har trappet opp momskompensasjonen, bruker man dette i debatt etter debatt som et argument: Dere trenger ikke noe mer penger, for dere får jo momskompensasjon. For å være litt forsiktig – det var vel ikke det som var hensikten eller tanken da man innførte momskompensasjon. Tanken var at det skulle være nettopp det som

Men det er faktisk ikke det som løser utfordringene for korpsbevegelsen. Jeg mener at vi i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 burde ha funnet sammen til en strategi – uansett regjeringsalternativ eller valg i 2013 og hvem som skal sitte i regjering – og dannet et flertall for en strategi som ville ha styrket denne bevegelsen. Norske musikkorps inviterer faktisk til så mange som 17 000 konserter i året. De arrangerer NM både for skolekorps, voksenkorps, drillkorps, solister og

Arrangementene samler 15 000 musikere i alle aldre, og hvert år begynner 8 000 unger i korps og får ta del i utviklende og stimulerende musikalsk og sosialt fellesskap, gjennom øvelser, gjennom turer, gjennom sommerkurs. Høyre syntes det var flott da Kristelig Folkeparti la fram dette forslaget og kom med et initiativ til å legge en strategi for norsk korpsbevegelse i Kristelig Folkeparti har også markert dette på en veldig god måte i den offentlige debatten, viser initiativ, viser at man ønsker noe med fremtidens korpsbevegelse, at man ønsker å legge til rette for videreutvikling av den. Jeg må si jeg er veldig skuffet over hvordan kulturministeren og lederen av kulturkomiteen møter et sånt forslag. Istedenfor å motta det med et åpent sinn, rose og si at her anerkjenner man initiativet fra Kristelig Folkeparti og ser med glede på at noen har initiativ til å ønske å lage en felles strategi i Stortinget, møter man det med surmuling og arroganse. Vi vet at angrep er det beste forsvar, men å gå tilbake til 2001 og fortelle om hvordan det var da, holder ikke. Det er skuffende at vi har en kulturminister som ikke er mer opptatt av å stå sammen med partiene i Stortinget og se på hvordan vi sammen skal legge

i norsk korpsbevegelse hvis de kommer i regjering. Da må lederen av kulturkomiteen vite noe som ikke vi i Høyre vet. Men jeg håper at neste gang det kommer initiativ fra opposisjonen om å lage planer, om å være ambisiøs og legge strategier for deler av kulturlivet, ser vi en litt annen holdning fra kulturministeren enn at hun går løs på opposisjonen på den måten som vi dessverre har vært vitne til i debatten i dag.

vært. Jeg må si at jeg må lete lenge etter hvilke tiltak det egentlig er man kommer med. For det første har man fått avslørt i denne debatten at man ikke har noe å stille opp med i forhold til de bevilgningene som er gitt, og den voldsomme økningen i støtte til norske korps med denne regjeringen. Da endrer man strategi og sier at vi må komme med en strategi. Svaret er at vi har jo allerede en strategi. Vi har fulgt den siden 2005 med Kulturløftet, hvor vi for det første har gitt flere milliarder til kulturlivet, til frivilligheten, og hvor man nå ser en oppblomstring innenfor denne sektoren som vi aldri noensinne i Norge har sett. Vi har også når det gjelder korps, systematisk økt støtten, f.eks. gjennom økte bevilgninger til innkjøp av musikkinstrument – som bl.a. mitt hjemkorps, Ytterøy, som jeg både har spilt i og dirigert, for øvrig et meget veldrevet korps, som går griner – har fått nytte av, uten at jeg har gått inn og påvirket det – jeg må legge til det i disse tider – og gjennom Grasrotandelen som norske korps får gleden av. Med denne regjeringen har vi sett en historisk økning til frivilligheten og til norske korps. Aldri før har Norge bidratt mer gjennom fellesskapet til våre korps. Likevel ser vi en nedgang i medlemstall. Da må vi tillate oss å stoppe opp og spørre: Hva skyldes da denne nedgangen? Jeg vil for det første si at det ikke er noe nytt at antallet medlemmer i norske korps svinger. Det er ikke lenge siden forrige gang det var en stor nedgang i medlemsmassen, da mange var fortvilet og spådde Korps-Norges død. Etter det har det skjedd en voldsom oppblomstring, og vi vet at veldig mange korps Etter det har det skjedd en voldsom oppblomstring, og vi vet at veldig mange korps drives veldig godt. Men nå ser vi dessverre en nedgang. Ulike trender og situasjoner i hvert enkelt lokalsamfunn gjør at det vil svinge i all framtid. Det vi vet, er at i tillegg til støtten som gis fra det offentlige, er foreldrenes deltakelse helt avgjørende, f.eks. på Ytterøy og i de andre korpsene som drives veldig godt. en klar sammenheng: Der foreldrene er involvert og stiller opp og er med på å bidra til at barna spiller i korps, går det så det griner. Det må også være mulig å si at det er grenser for hva vi kan stille opp med fra statlig hold. Vi har økt støtten, og vi skal fortsette med det. Men det er en veldig vesentlig faktor i dette, og det er engasjement fra kommunene og fra foreldrene. Derfor er det så gledelig at mange, mange foreldre stiller opp på dugnad og er med på å holde norske korps i

Vi må huske på at dette er en hundreårig folkebevegelse, som er i rask tilbakegang. Vi ønsker å sikre at korpsbevegelsen i Norge har bedre betingelser. Representanten fra Arbeiderpartiet etterlyste tiltak. Da synes jeg det er synd han ikke har lest forslaget. For der er det listet opp

de borgerlige partiene og opposisjonspartiene ikke har kommet med noe konstruktivt. Da blir jeg litt forundret. Alle ser at korpsbevegelsen har utfordringer. Regjeringspartiene har nevnt tippenøkkelen, Frifond, opptrappingsplan for økonomien og momsfritak. Men det i seg selv hjelper ikke. seg selv hjelper ikke. Det er ikke veldig motiverende for foreldre å bake kaker og drive med kakelotteri for å betale moms til staten. Det vi ber om i dette forslaget, og det korpsbevegelsen ber om når de uttrykker frustrasjon i kontakten med oss, er dialog. De ønsker en samtale, de ønsker å bli tatt på alvor, og de ønsker det vi i forslaget vårt kaller en strategi. regjeringen bør ha en strategi sammen med korpsbevegelsen i tiden framover for å løse de utfordringer som korpsbevegelsen har. De fleste profesjonelle musikere i dette landet har startet sin musikalske karriere nettopp i korpsbevegelsen. Men alle skal ikke bli proffer. For noen er det også en hobby. en hobby. Foreldre som har barn i alderen 10–19 år i korps, synes at dette er trivelig og sosialt. Det er jo egentlig så lite vi ber om. Vi ber om en strategi for hvordan vi skal tenke framover. Alle bør jo tenke framover og ikke minst ha en samtale med korpsbevegelsen. Jeg vil anbefale at regjeringspartiene støtter
med. Neste taler er

hva som blir resultatet av et regjeringsskifte. Grasrotandelen stemte en samlet opposisjon imot. Vil man fjerne eller vil man opprettholde Grasrotandelen hvis man kommer i regjeringsposisjon? Det andre poenget er endringer i tippenøkkelen, der noen partier i opposisjonen er for, mens andre partier er kraftig imot. Er opposisjonen for eller imot endringer av tippenøkkelen, som gir mer til idretten og mer til barne- og ungdomskulturen? Det er helt betimelige spørsmål, som korpsbevegelsen bør ha svar på. Det jeg merker meg i denne salen, er det samme vi hadde forrige gang vi hadde en debatt om kulturpolitikk, at opposisjonen snakker som en samlet opposisjon og i mye mindre grad enn for ett år ulikhet og avstand til hverandre. Nok en gang har vi vært vitne til en kulturdebatt hvor Kristelig Folkeparti på ingen som helst slags måte viser at de er uenige med Fremskrittspartiet i kulturpolitikken. Det synes jeg at vi skal merke oss, for det første området der de rød-grønne fant sammen, var nettopp det kulturpolitiske området i denne salen for nøyaktig ti år siden. Jeg har sett at Venstre har valgt en Høyre–Fremskrittsparti-regjering etter neste valg som sin strategi. Kristelig Folkeparti har ikke avklart hvilken retning de nå ønsker, men jeg merker meg det som har vært Kristelig Folkepartis linje i de to siste kulturpolitiske debattene her i salen. Jeg synes det er synd. Jeg tror det kommer til å være en skuffelse for et samlet norsk kulturliv, for korpsene, for korene, for frivilligheten og for kulturinstitusjonene. Men dersom ønsket om et regjeringsskifte er viktigere enn å bidra til å løfte norsk kultur i tiden som kommer, ja, da er det et valg man får ta på egen hånd. Jeg er opptatt av å videreføre Kulturløftet. 1 pst. skal gå til kultur. Det stemte opposisjonspartiene imot i 2004. Vi vant valget og har fått

tror jeg jeg ville synes det var litt merkelig at kulturministeren – istedenfor å være opptatt av kulturpolitikk – opptrer som valgkampstrateg for de borgerlige partiene. Hun burde vel heller komme med noen innspill til sine partifeller om hvordan man skal legge opp valgkampstrategien. Jeg synes det er litt spesielt å bruke det avsluttende innlegget i en kulturdebatt til å snakke om hvem Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet skal samarbeide med – eller ikke samarbeide med – men

har gjort at de mister 4,8 mill. kr. Representanten Øyvind Håbrekke har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har vel sagt det meste jeg har å si fra Kristelig Folkepartis ståsted i denne debatten, men kulturministeren gjør jo dette til en debatt om Kristelig Folkepartis valg av regjeringspartner i 2013. Jeg vil si at det skal godt gjøres å finne en endret linje fra Kristelig Folkeparti i kulturpolitikken de siste årene, hvis det er det hun leter etter. Det som vi diskuterer her, er at Kristelig Folkeparti har lagt fram et forslag om en strategi for korpsbevegelsen i Norge. Det har vært til behandling i familie- og kulturkomiteen. Høyre og Fremskrittspartiet har sagt at de ønsker en strategi for korpsbevegelsen. Arbeiderpartiet har sagt at man ikke ønsker det. Det er en grei sak å avklare og votere over. Det er ikke mer mystisk enn som så. Så refererer man til forrige kulturdebatt – det var i forbindelse med en stortingsmelding. Kristelig Folkeparti ønsket en debatt om i hvilken grad staten skal styre kulturlivet. Kulturministeren ønsket ikke å diskutere det, men hun ønsket å gjøre også den debatten til en debatt om regjeringsstrategi. Jeg må bare si det sånn: Det er kulturministeren og regjeringen som styrer landet. Derfor ønsker vi en debatt med

så kan man ikke underslå det faktum. At vi de siste sju årene har løftet korpsbevegelsen, er kanskje ubehagelig for opposisjonen å høre, men vi må ha vår rett til faktisk å mene det. Det er bare å nevne de tiltakene som har blitt gjort. Vi etablerte og innførte en egen utstyrsordning for skolemusikkorps. Det gjorde at man for første gang i historien fikk støtte til innkjøp av utstyr – av instrumenter. Vi innførte en egen ordning gjennom Grasrotandelen. Vel, opposisjonen gikk imot det, men det har medført et betydelig antall kroner også til musikkorpsene. Vi er i ferd med å trappe opp som betyr veldig mye penger til korpsbevegelsen. Det siste er at statsråd Anniken Huitfeldt på fredag presenterte idrettsmeldingen og en endring av tippenøkkelen, noe som betyr betydelig mer penger gjennom Frifond, der man vil doble støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. At det kan være ubehagelig for opposisjonen å høre det, det, må være et problem for opposisjonen, men det viser at vi faktisk har en regjering som både handler, tenker og fortsetter å jobbe for at de andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene og også korpsbevegelsen får bedre vilkår i årene framover. Det er riktig at det fremdeles er mange

fått utbytting, så jeg gjør det med god samvittighet. Jeg må si at jeg stusser over innlegget til kulturministeren. Det var et innlegg som bare inneholdt et angrep på opposisjonen. Det er jo en kjent taktikk at angrep kan være det beste forsvar, men da må man ha noe å angripe med – og det mangler kulturministeren i denne saken. Jeg satte for så vidt pris på innlegget som representanten Gjul holdt. Der var representanten Gjul litt konstruktiv og viste til det lille regjeringen har gjort, men det er altså

i Stortinget, og det er Stortinget som skal vedta den. Det å forskuttere det som ligger i idrettsmeldingen, kan jo for så vidt kulturministeren gjøre, men det er altså ikke riktig, i og med at det er Stortinget som vedtar og eventuelt kommer med endringer. Så er det slik at i den meldingen, som ikke er behandlet, ligger det forslag til endringer av tippenøkkelen. Det har vært behandlet i denne sal, og da stemte regjeringspartiene ned den endringen som vi har Men det er jo hyggelig at kulturministeren for så vidt har tatt lærdom av de debattene som har vært her tidligere, og kommet med en idrettsmelding. Men å forskuttere hva som blir resultatet der, vil ikke jeg gjøre. Det jeg kan si for Fremskrittspartiets del, er at vi skal forbedre den idrettsmeldingen på svært mange områder, for den er svært mangelfull. Men det får vi ta når den debatten kommer.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

Innledningsvis i mitt innlegg vil jeg påpeke at fordeling av barnebidrag først og fremst er et privat anliggende. Det er fullt mulig å bli enige om fordeling av dette uten at det offentlige blander seg inn, men i enkelte tilfeller klarer man ikke å komme til enighet, og da kan man be om at staten – eller det offentlige barnebidraget. Regelverket for det er både diskutert og endret flere ganger. Dette er et uttrykk for at det er vanskelig å komme fram til et enhetlig regelverk som passer for alle sammen, for hver familie og hver eksfamilie ser ulike ut. Derfor er det også lagt opp til at man skal bruke en god del skjønn.

pst. Her er det ulike avveininger som må foretas. Derfor mener jeg det er positivt at statsråden i sitt svarbrev signaliserer at dette skal man vurdere hensiktsmessigheten av å beholde, og at man skal vurdere konsekvensene av eventuelle endringer. Derfor imøteser komiteen en vurdering av de mulige konsekvensene av en eventuell endring og ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med en vurdering av hvordan dette eventuelt vil slå ut, og så får vi ta diskusjonen rundt det da. Så ligger det her et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet som det skal voteres over i dag. Det kan man jo ha sympati for, men jeg mener det forslaget er meget upresist. Det sier for det første ingenting om årsaken til at man går ned i stilling eller velger å være hjemme. Det kan være en rekke årsaker til dette. Det kan være utdanning, det kan være at man flytter til et nytt sted, og det kan være at man skifter jobb. Det kan også være at man etablerer en bedrift, og i det tilfellet vil jo et sånt forslag virke direkte næringsfiendtlig ved at man blir forhindret fra å ta et sånt valg som å etablere en bedrift, hvis konsekvensen da egentlig er at du får langt mindre penger til å finansiere livsoppholdet for dine barn. Derfor mener jeg at en fornuftig tilnærming til saken er det som statsråden signaliserer i sitt svarbrev, nemlig at dette må man gå grundig gjennom og foreta en vurdering av, og så komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Jeg mener personlig at når årsaken til at man går ned i stilling inntil 20 pst., utelukkende er utelukkende er at man ønsker å være hjemme med nye barn i et nytt forhold, skjønner jeg godt at det kan oppleves som urimelig for ekspartner at det eventuelt skulle medføre en økning i bidrag – det er mitt syn. Det kan være både fordeler og motforestillinger til dette, men det er viktig at man tar en grundig gjennomgang av dette. Derfor ser vi fram til en snarlig

Jeg har lyst til å starte innlegget med å lese opp forslaget, hvis saksordføreren har problemer med å forstå innholdet i det: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart – og i tråd med intensjonene i Innst. S. nr. 185 fremme nødvendige lovendringer for å sikre at en forelder ikke skal belastes økonomisk i de tilfeller hvor ekspartneren velger å være hjemme med redusert eller ingen lønn etter å ha fått nytt barn med ny partner.» Det er det vi skal diskutere i dag. Så sier saksordføreren at de fleste kommer til enighet – det er helt klart – men så endres spillereglene i enkelte tilfeller underveis enkelte tilfeller underveis der noen får et nytt barn med ny partner. Det er viktig å minne oss selv om hva denne saken handler om. Bakgrunnen for hele saken er spørsmålet om redusert inntekt i forbindelse med nytt barn med ny partner, og om det skal gis rett til å belaste tidligere partner med en økt økonomisk byrde dersom de har felles barn. Jeg vil igjen vise til hva det daværende Barne- og likestillingsdepartementet uttalte i St.meld. nr. 19 «Det er ikke uvanlig at foreldre reetablerer seg med nye barn, og det er fortsatt ansett som vanlig at mor eller far er hjemme med små barn. Et valg om å være hjemme med nye barn, kan imidlertid betraktes som et internt anliggende for den nye familieenheten – et valg som bare angår dem. Foreldre som har forsørgelsesplikt for barn fra tidligere forhold, står i utgangspunktet fritt til å men det er ikke uten videre gitt at de med sine valg kan fri seg fra den lovbestemte forsørgingsplikten og føre byrdene over på den andre av foreldrene eller det offentlige. Etter departementets syn er det derfor den nye familieenheten som er nærmest til å bære eventuelle konsekvenser av et valg om å være hjemme med nye barn.» Det støttet et enstemmig storting i 2007.

Etter saken til Ormseth å dømme kan det se ut til at departementet ikke har gjennomført endringen» – som Stortinget har vedtatt. – «Derfor må Lysbakken snarest ordne opp.» Trenger jeg si så mye mer? Saken har også dratt ut i tid, mye på grunn av at komiteen har ventet på Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelse. Da den kom for en tid så mye mer? Saken har også dratt ut i tid, mye på grunn av at komiteen har ventet på Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelse. Da den kom for en tid siden, slo den fast at denne tolkningen av lovverket var diskriminerende overfor den part som måtte betale mer i bidrag når ekspartner valgte å få redusert inntekt for å passe nye barn med ny partner. Da trodde vi nesten saken var over – men nei da. Jeg vil igjen få lov til å sitere holdninger. Det er viktig i denne saken, og for å unngå lignende saker i fremtiden.» For å si det mildt er jeg svært skuffet over saksordføreren, Stokkan-Grande, men ikke minst over det alvorlige som gjelder statsråden, som ikke har fulgt opp intensjonen i et tidligere stortingsvedtak. Det statsråden i grunnen gjør, er at hun roter seg inn i en diskusjon om Fremskrittspartiet har ikke tatt til motmæle mot 80 pst.-regelen, men vi har en litt annen fortolkning av den. Fremskrittspartiet leser regelen slik at inntekten skal skjønnsfastsettes hvis en frivillig går ned i lønn mer enn 20 pst. i forhold til tidligere inntekt. Det statsråden legger opp til, er indirekte kvinnediskriminering, fordi hun mener at en kan skjønnsfastsette for alle inntekter under 80 pst. av full stilling, noe som systematisk rammer kvinner, som vi vet jobber mer deltid enn menn. menn. Det som skuffer meg mest i denne saken, er at statsråden ikke berører det som faktisk er tema i forslaget, og at hun ikke viser interesse for å følge opp det Stortinget har sagt, nemlig at en bidragspliktig ikke skal belastes når ekspartneren frivillig reduserer sin inntekt etter fødsel av nytt barn med ny partner. I stedet roter hun seg i denne saken inn i en argumentasjon som er mer kvinnefiendtlig enn konstruktiv. Jeg ser derfor ikke bort fra at hun kanskje lener seg på at saken konstruktiv. Jeg ser derfor ikke bort fra at hun kanskje lener seg på at saken er så komplisert som den faktisk er, og at byråkratene har tilnærmet frie tøyler til å argumentere mot alle endringer, ut fra hvordan reglene er i dag. Det er trist at vi i dag ikke klarer å følge opp den intensjonen som et tidligere storting har gitt. Dette berører mange, og det er også en belastning. Vi i Fremskrittspartiet kan i hvert fall love at vi skal kjempe videre for denne saken. Jeg vil ta opp forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre, som er tatt inn i innstillingen.

Høyre er glad for at Fremskrittspartiet har tatt opp og fulgt opp denne saken, spesielt ut fra det som representanten Horne har referert til her – ikke minst uttalelsene fra saksordføreren, Stokkan-Grande, hva han tidligere har sagt i saken. Også jeg har lyst til å referere Barne- og likestillingsdepartementet i St.meld. nr. 19 for 2006–2007: «Et valg om å være hjemme med nye barn, kan imidlertid betraktes som et internt anliggende for den nye familieenheten – et valg som bare angår dem.
Foreldre som har forsørgelsesplikt for barn fra tidligere forhold, står i utgangspunktet fritt til å innrette seg slik de måtte ønske, men det er ikke uten videre gitt at de med sine valg kan fri seg fra den lovbestemte forsørgingsplikten og føre byrdene over på den andre av foreldrene eller det offentlige. Etter departementets syn er det derfor den nye
eventuelle konsekvenser av et valg om å være hjemme med nye barn. Departementet vil derfor foreslå at en bidragspliktig eller bidragsmottaker som velger å være hjemme med nye barn, må bære de økonomiske konsekvensene av dette valget.» Ellers når det gjelder dette forslaget, er jeg enig i det som saksordføreren innledet med, nemlig at fordeling av barnebidrag primært skal være et privat anliggende. Men i enkelte tilfeller er det veldig vanskelig å komme til enighet. Da må vi ha et regelverk som er rettferdig, og som likebehandler begge foreldre. Vi behandler nå et Dokument 8-forslag som

Tidligere praksis, der det å være hjemme med barn under tre år var en rimelig grunn til å ha redusert eller ingen inntekt, ble endret fra 1. januar 2009. Regelen der en aksepterer at både bidragspliktige og bidragsmottakere har en inntektsreduksjon på inntil 20 pst., uansett årsak og uten at dette skal føre til en skjønnsvurdering, har ikke tidligere vært diskutert spesielt. mediedebatten, i tillegg til i noen av merknadene i denne saken, er det fokusert mye på urimeligheten for dem som er bidragspliktige. Da er det viktig å minne om at regelverket jo inneholder en gjensidighet. Ved bidragsvurderingen tar en også hensyn til bidragspliktiges nye barn. Fremskrittspartiet har ikke nevnt dette spesielt i sitt innlegg, men jeg forutsetter at også Fremskrittspartiet mener at en slik gjensidighet fortsatt skal gjelde. Hvis man legger dette til grunn, er det vanskelig å se den skjevheten og den At foreldre har en handlefrihet lik inntektsreduksjon på 20 pst., gir også et signal om at foreldrene faktisk til en viss grad må akseptere at den andre forelderen gjør disposisjoner når de ikke lenger skal inngå i samme husholdning. Den samlede vurderingen som en familie gjør hvis man velger å gå ned i inntekt for å være hjemme med barn, enten det er 80 eller 100 pst. med foreldrepenger,

ikke si så veldig mye mer utover det som er sagt i saken, men jeg tror vel kanskje at avstanden ikke er fullt så stor mellom flertall og mindretall her som det kanskje kan høres ut som i debatten, når det kommer til stykket. Kristelig Folkeparti støtter her støtter her flertallet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Jeg er ikke sikker på hvordan kulturministeren ville tolket det, men her har vi altså funnet det mest fornuftig. Grunnen til at vi har gjort det, er at vi har en del synspunkter på hvordan dette bør løses, for å si det slik. Samtidig er det et såpass komplisert område som faktisk krever en nøye vurdering for å få et rimelig regelverk – det er vanskelig – et regelverk som er så rimelig som mulig, og som ikke virker konfliktdrivende. Derfor komiteen for øvrig som sier at man «imøteser en vurdering av mulige konsekvenser av eventuelle endringer, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte». Det har Kristelig Folkeparti sluttet seg til, og vi håper at statsråden og regjeringen gjør det uten at det går for lang tid, og at vi får belyst disse problemstillingene. Når det er sagt, vil jeg også si at

etter å ha fått barn med ny partner. Eksemplifiseringen jeg har sett i media, og også hørt her i stor grad, er å belyse saken med at far er den som er den bidragspliktige, og mor er den som har fått nye barn med ny partner, og som da er bidragsmottaker. Her blir eksemplet at far finner det urimelig å skulle betale mer i bidrag fordi hans ekspartner går ned i inntekt som følge av å ha fått et nytt barn. barn. Det finnes selvfølgelig også eksempler der denne faren får barn med ny partner, og kanskje reduserer inntekten som følge av det. I dette tilfellet ville det kunne gi redusert bidrag til ekspartner som følge av hans valg om nye barn. Det er viktig at saken ses på fra begge sider når en først skal vurdere dette, som også representanten Nilsson Ramsøy var inne på. Slik jeg forstår denne saken nå, er det inntektsreduksjonen på inntil hvorvidt det da skal foretas en skjønnsvurdering eller ikke. Har man en større reduksjon, gjøres det en vurdering av hvorvidt dette er rimelig eller ikke. Som flere har vært inne på tidligere, er det mange ulike årsaker til at foreldre går ned i inntekt lik 20 pst., hvorav omsorgsansvar kan være én av grunnene. Uttak av foreldrepenger i ett år er automatisk en nedgang på 20 pst., redusert stilling for å kunne hente i eller følge til barnehagen eller følge til barnehagen eller tidsklemme kan også nevnes. Det kan godt være felles barn med den bidragspliktige som kan være grunnlaget for at man er i tidsklemme. Det å skifte jobb eller gå i gang med etter- og videreutdanning kan også resultere i en mindre inntektsreduksjon. Det kan skje uten at man har valgt å få nye barn med en ny partner, men man har da en inntektsreduksjon som kan påføre en økt plikt til bidrag for

uten videre, og om det må foretas en vurdering av om det er en rimelig grunn til inntektsreduksjonen. Saken som nemnda har vurdert, faller – slik jeg har forstått det – innunder sistnevnte regel. Nemnda har da med andre ord ikke vurdert 20 pst.-regelen, og det er jo den jeg føler vi i stor grad diskuterer her i dag. Som statsråden skriver i sitt svarbrev, kan det være gode grunner både for og imot å beholde regelen i bidragsregelverket som aksepterer at både bidragsmottaker og uavhengig av årsak har en inntektsreduksjon på inntil 20 pst. uten at inntekten skjønnsfastsettes. Det er jeg helt enig i, og jeg ser fram til at vi kan få en sak hvor man ser på de ulike konsekvensene dette kan få for begge parter, og den gjensidigheten som dette selvfølgelig må medføre i

det å være hjemme med barn under tre år var en rimelig grunn til å ha redusert eller ingen inntekt, ble endret fra 1. januar 2009. Slike tilfeller blir nå skjønnsvurdert. Dette er i tråd med intensjonen i St.meld. nr. 19 for 2006–2007, Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag, som Stortingets flertall sluttet seg til, jf. Innst. S. nr. 185 for 2006–2007 – den intensjonen som representanten Regelen som aksepterer at både bidragspliktige og bidragsmottakere har en inntektsreduksjon på inntil 20 pst. uansett årsak, uten at inntekten skjønnsvurderes, har imidlertid ikke tidligere vært gjenstand for særskilt vurdering. Etter mitt skjønn kan det være gode grunner både for og mot å beholde regelen, og det er derfor bra at komiteens flertall også ønsker en vurdering av mulige konsekvenser før det eventuelt foretas regelendringer.

Sjøl om det offentlige fastsetter bidraget, må foreldrene innenfor rimelighetens grenser kunne foreta sjølstendige valg – det er utgangspunktet for den regelen. Foreldrenes valgfrihet innenfor de gitte rammene gjelder uavkortet for alle, uansett type valg og uten noen nærmere vurdering. Noen slike valg vil kunne gi økt ervervsevne, andre Hensynet til likebehandling og konsekvens i regelverket veier tungt, og det å vurdere enkeltelementer opp mot hverandre uten å foreta en helhetlig vurdering vil kunne gi uheldige og/eller uønskede konsekvenser. Det å reetablere seg og få barn etter samlivsbrudd er vanlig, og ved bidragsevnevurdering – det gjelder altså den som skal betale barnebidrag, når man vurderer vedkommendes evne til å betale – tas det f.eks. hensyn til bidragspliktiges, altså denne personen som betaler bidrag, nye barn, slik at også disse sikres forsørgelse. Dersom utgangspunktet skal være at den enkelte forelderen med den nye partneren er den nærmeste til å bære de økonomiske konsekvensene av nye barn, mener jeg dette også må gjelde for disse barna. Det må være symmetri og gjensidighet her. Et slikt resultat innebærer i så fall at det i bidragssammenheng i realiteten ikke vil være anledning til å ivareta hensynet til nye barn i noen sammenheng, og det vil bli et mer rigid regelverk. Det kan godt være ønskelig, men det ønsker jeg i så fall å få vurdert på en grundig måte. Det er vanskelig å unngå at mors og fars disposisjoner gjensidig påvirker fordelinga av kostnadene til barnet så lenge de har et felles ansvar for forsørgelsen. At foreldrene har handlefrihet lik en inntektsreduksjon på 20 pst., gir imidlertid signaler om at foreldrene til en viss grad må akseptere den andres disposisjoner når de ikke lenger inngår i samme husholdning. Dette kan bidra til å øke toleransen mellom foreldrene for den enkeltes valg og dermed også virke konfliktdempende. Men det er klart, det kan også virke konfliktskapende. I lys av innstillinga og debatten her i dag vil jeg også initiere en gjennomgang av denne 20 pst.-regelen, som altså nemnda ikke vurderte – la meg understreke det. Det nemnda vurderte, var en regel som ble endret fra 1. januar 2009 – det var en gammel sak

foreldre. Jeg kan i hvert fall forsikre representanten Horne om at statsråden utmerket godt er i stand til å vurdere politikken i dette. Poenget er bare at dette ikke er enkelt, og at det handler om hensyn til barn både i det husholdet som angår bidragsmotttaker, og i det husholdet som angår bidragspliktig. Mitt utgangspunkt er i hvert fall – og det vil jeg stå fast på – at eventuell endring av regelverket må gjelde for begge parter. Det vil være dypt urimelig om bidragsmottaker skal være den eneste som ikke kan gjøre endrede disposisjoner eller ikke kan ta hensyn til eventuelle nye barn. Det blir replikkordskifte. Som statsråden var inne på, er dette en komplisert og vanskelig sak. Ofte overskygger disse prosentsatsene det som er sak. Ofte overskygger disse prosentsatsene det som er saken. Intensjonen med Fremskrittspartiets forslag var at det selvfølgelig skal gjelde begge parter. Det skal være sånn at hvis en part frivillig velger å gå ned i redusert stilling på grunn av nye barn, skal ikke ekspartneren lide økonomisk for dette. dette. Det har vi nå fått en debatt om. Jeg er veldig glad for at flere sier at de ser fram til denne endringen, og at de forventer at det blir foretatt en endring. Det gjør Fremskrittspartiet også. Mitt spørsmål til statsråden blir ganske enkelt: Hvorfor har dette ikke blitt fulgt opp før, og når har statsråden tenkt at dette skal bli fulgt opp, slik at vi får et lovverk som var intensjonen til Stortinget?

Det har vi nå endret og ryddet opp i. Så er spørsmålet om vi ikke skal ha noe fleksibilitet overhodet, om det ikke skal være mulig å gå ned i redusert stilling med 20 pst. eller ta ut 80 pst. foreldrepenger, f.eks. Jeg må utfordre representanten Horne på dette med bidragsevnevurdering. I dag tar man en vurdering av den bidragspliktiges evne til å betale bidrag. Hvis vedkommende har fått nye barn i et nytt forhold, spiller det inn. Dermed kan den bidragspliktiges evne til å betale bidrag. Hvis vedkommende har fått nye barn i et nytt forhold, spiller det inn. Dermed kan den personen betale mindre i bidrag, nettopp som følge av at vedkommende har fått barn i et nytt forhold. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg skulle ønske vi så Jeg skulle ønske vi så en handlekraftig regjering i denne saken, slik regjeringen virket da den ønsket å forby reklame for Kaptein Sabeltann-is og Happy Meal. Nå havner vel Kaptein Sabeltann i en fryseboks som er svartmalt. Dette er en sak som vekker reaksjoner hos meg, hos Fremskrittspartiet og hos svært mange.

at denne saken virker urettferdig. Men nå har han, ut fra innlegget sitt, endret standpunkt. Det ordner seg sikkert ved samtaler mellom partene, var svaret vi fikk fra Stokkan-Grande. Så vi ønsker oss en handlekraftig Stokkan-Grande, på samme måte som vi så i media da han fikk oppslag om dette. Stortinget har vært klar over denne urettferdigheten og har for lengst instruert statsråden og departementet om å endre praksis. Etter denne saken å dømme kan det se ut til at departementet ikke har gjennomført endringer, og stritter imot. Hva er begrunnelsen for det? Statsråden må ordne opp hvis det er noen i departementet som stritter imot. Tidligere barne- og likestillingsminister, Lysbakken, hadde ingen intensjoner om å endre noe. Statsråden sier til media at Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert dagens praksis og konkluderer med at den er i strid med likestillingsloven, og at den diskriminerer menn. Nå er det vel på tide at noen i denne salen også står opp for menn, og lederen i Mannsrolleutvalget, Stokkan-Grande, burde vel kanskje ha tatt på seg den rollen. Departementet har anket saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og saken er ennå ikke avgjort – og det tar tid.

Det er nå gått over ett år siden vedtaket i Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO. Med de opplysninger som framkommer i denne sak, bør statsråden straks instruere om å endre praksis. Det er

Disse sitatene gjaldt denne konkrete saken som var omtalt i media, som – til Ib Thomsens informasjon – har vært gjennom behandling i nemnda. Nemnda har nå konkludert med at dette skal falle utenfor skjønnsfastsettelse, så dette konkrete spørsmålet har funnet sin løsning. også fortalt hvordan man har fulgt opp dette i forhold til f.eks. Nav og sikret at dette ikke skal skje i framtiden. Så resultatet av opplesningen av sitatene var egentlig veldig hyggelig for min del. Det er godt å høre sine egne ord bli lest opp av andre. Så er spørsmålet: Hva med inntektsreduksjon inntil

grunnen for å gå ned til 80 pst. stilling ene og alene er å være hjemme med nye barn i nytt forhold, kan det oppleves urimelig for ekspartneren. Men når det f.eks. gjelder inntektsreduksjon for å studere, i forbindelse med at man flytter eller får seg ny jobb, kan det være gode grunner for å beholde dagens regelverk, og at bidraget skal skjønnsfastsettes. Derfor at statsråden går grundig igjennom hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha å endre regelverket, og så får vi en ny debatt i Stortinget om det spørsmålet. Jeg tror at vi ikke er så uenige som vi kanskje framstår som fra denne talerstolen, men det gjelder vel ikke akkurat bare denne saken. Det er ikke er så uenige som vi kanskje framstår som fra denne talerstolen, men det gjelder vel ikke akkurat bare denne saken. Det er litt vanskelig å forstå om opposisjonen, og særlig representanten Ib Thomsen, misforstår med vilje, eller om man faktisk misforstår. Dette er komplisert, så jeg kan i og for seg forstå det hvis det er en de facto misforståelse. Men poenget er i alle fall at det som Thomsen etterlyser handlekraft i forhold til, gjorde vi noe med allerede 1. januar 2009. Så har praksis til dels vært noe uklar fra Navs side, og det har vi rettet opp i. Vi har skrevet brev til Nav, og det er nå en som Nav skal rette seg etter, som dreier seg om tilfeller der man reduserer stillingen utover 20 pst. Så la oss nå legge den ballen død og heller diskutere om vi skal ha et regelverk som ikke legger opp til fleksibilitet overhodet, og nå vil jeg be representanten Ib Thomsen lytte nøye: Dersom man ønsker et helt rigid regelverk overfor bidragsmottaker, ja, så mener jeg at da må Fremskrittspartiet og Høyre klart slå fast at det også skal gjelde for bidragspliktig. Representanten Horne var inne på det så vidt, men svarte ikke på mitt spørsmål knyttet til om det også skal gjelde ved bidragsevnevurdering, der man i dag tar hensyn til eventuelle nye barn i et nytt forhold, nettopp fordi man ser at det kan være viktig å sikre at bidragspliktig har god nok anledning til å forsørge alle barna sine. Derfor er dette et regelverk som i utgangspunktet skal ta hensyn til barna, ikke til likestilling mellom foreldrene. Det er ungenes beste som er utgangspunktet her, og det mener jeg at vi må få en skikkelig vurdering av, slik at vi ikke gjør endringer som faktisk rammer barn. Som det også er blitt sagt, er det mange grunner til at man kan velge å redusere pst., det trenger ikke å være nye barn. Men det som er helt klart, er at i regelverket i dag har man rett til å ta ut 80 pst. foreldrepenger, slik at man kan være hjemme et år. For mange vil det da være slik at hvis den regelen faller bort for dem, i de tilfeller der man har skilt seg, vil det være problematisk for mange fordi de ikke vil ha fått barnehageplass i mellomtiden. For noen kan det være slik at de må være med den følge at bidraget til den bidragspliktige forhøyes – altså helt uten at det var intensjonen fra forslagstillerne i denne salen. Dette er komplisert, og derfor er det viktig å sette seg nøye inn i det. Jeg vil særlig anbefale Fremskrittspartiet – og særlig representanten Thomsen – om å gjøre det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at

når det gjelder likeverdig behandling av de private barnehagene i forhold til tilskuddet til de offentlige barnehagene. Dette er en stor sektor, det handler om mye penger, og det er i så måte også et særdeles viktig ansvar for oss fra Stortingets side å forvalte pengene på best mulig måte. Derfor foreslår man i denne proposisjonen at pengene som gis til norske barnehager, skal komme barna til gode, og man gir kommunene en adgang til å anvende økonomiske sanksjoner der det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke brukes i samsvar med intensjon og formål fastsatt i barnehageloven. Dette er ingen overraskelse for noen, det har vært jobbet med lenge, og det har også vært varslet lenge i stortingsdokumenter. Til tross for at de aller fleste barnehageeiere jobber bra, driver fornuftig og pløyer et eventuelt overskudd tilbake til barnehagene til drift og kvalitetsutvikling, finnes det også noen aktører som har sett at dette er en sektor hvor det finnes gode muligheter for å tjene store penger. Derfor er ikke noe man fra de rød-grønne partiene har funnet på at det er behov for, det kommer som et resultat av at noen har utnyttet systemet og puttet fellesskapets penger i lommen i stedet for å bruke dem på barna. Dette kan vi selvsagt ikke akseptere. Ved å kreve at pengene skal komme barna til gode vil det bli liten forandring for dem som er gode eiere, og det blir mindre muligheter for de kyniske eierne. Vi vet også at det er til dels store lønnsforskjeller i sektoren. Vårt mål er at økte overføringer til de private også skal gi seg utslag i lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vi husker godt at Private Barnehagers Landsforbund i allianse med Utdanningsforbundet og Fagforbundet sto på barrikadene og krevde likeverdige tilskudd mellom private og offentlige barnehager, nettopp fordi det skulle sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Avslutningsvis vil jeg komme med en liten visitt til opposisjonens merknader i dette dokumentet. Det har gjentatte ganger blitt fremmet enkeltforslag fra opposisjonspartier for å fremme kvalitetsarbeidet i norske barnehager. Det er positivt. Men når vi kommer med et forslag som virkelig vil fungere, som vi vet er målrettet for å styrke kvaliteten, for å sikre at pengene kommer barna til gode, og for å bedre lønns- og arbeidsvilkår, er det plutselig et utilbørlig press på norske barnehager og en mistillit til norske barnehageeiere. Opposisjonen lever tydeligvis meget godt med at ansatte i dag i enkelte private barnehager er vesentlig lavere lønnet enn ansatte i offentlige barnehager. Man lever tydeligvis også meget vel med at enkelte barnehageeiere tar ut storstilt utbytte, enten i form av rene penger eller i form av snedige transaksjoner. Jeg må si at jeg undrer meg over hvorfor ikke Høyre og Fremskrittspartiet er mer opptatt av hva skattebetalernes penger brukes på, når vi vet at dette kan bidra til bedre kvalitet for barna, bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og vi kan unngå at vi søler bort fellesskapets ressurser gjennom at det puttes i private lommer. Hvorfor er ikke opposisjonen mer opptatt av hva norske skattebetalere er med på å finansiere? Det må jeg si at jeg håper denne debatten

De private barnehagene fortjener faktisk en stor takk for den innsatsen de har gjort de siste årene med å bidra til at vi har en barnehagedekning i Norge som resten av Europa bare kan drømme om. Men de private barnehagene har store utfordringer. Da barnehageforliket kom, var det snakk om at man skulle få 100 pst. likeverdig finansiering, men denne regjeringen har kun klart å komme opp på pst. Det de har gjort, og som Fremskrittspartiet har vært motstander av, er å overføre den finansieringen til kommunerammer. Vi har etter det vedtaket sett store forskjeller: Vi har sett at de private barnehagene sliter med å få forutsigbarhet, og de har fått redusert sine inntekter. Den saken som vi har til behandling i dag, kom på grunn av at det var noen som puttet penger i Men de fleste er, som jeg sa tidligere, private gründere og enkeltmannsforetak. Da denne saken ble varslet, var det stor bekymring ikke bare blant opposisjonen, men også i de private barnehagene. Nå ble ikke saken så aller verst, og det var vel på grunn av at statsråden besinnet seg og innså at det var for galt å legge så sterke føringer på de private barnehagene. Likevel vil Fremskrittspartiet stemme imot. Vi mener at det fungerer godt slik som det er i dag.

Er det noen som er helt sikre på at alle de kommunale barnehagene driver med tanke på barnets beste, og å sikre barn den beste kvaliteten? Men det er slik at man bare går ut mot de private. Her mener Fremskrittspartiet at vi må stille krav til alle. Det bør være lik regnskapsførsel. De kommunale har det veldig enkelt fordi de kan ta både pensjonskostnader og vedlikehold fra andre kommunebudsjett – i motsetning til Det har også vært en sak i media nå om at de private barnehagene risikerer å måtte tilbakeføre penger fordi det viser seg at de kommunale har brukt mindre penger enn det de har budsjettert, noe som igjen fører til dårlig forutsigbarhet for de private. Det er med denne saken laget et stort byråkrati. Kommunene har i dag ikke den nødvendige kompetansen, og jeg kan ikke Fremskrittspartiet er også bekymret over kommunens dobbeltrolle som tilsynsmyndighet og som barnehageeier. Finansieringen er i dag, som sagt, på 92 pst. Fremskrittspartiet hadde håpet at regjeringen i alle fall i høst hadde klart å komme opp på 100 pst. for å få på plass en sikker, likeverdig behandling av de private barnehagene i forhold til de kommunale. Fremskrittspartiet håper også at statsråden og regjeringen ser på den finansieringsløsningen – om man kan få overført det tilbake igjen til staten, slik at de private barnehagene kan få utbetalt penger per barn som de har i barnehagen. Fremskrittspartiet ønsker ro og forutsigbarhet for de private

stor del av æren for det mangfoldet og den innovasjonen vi i dag ser i barnehagesektoren. Derfor er det bekymringsfullt, sett fra Høyres ståsted, at det nå oppfattes som om vi har en regjering med grunnleggende mistillit til privat eierskap i barnehagesektoren og det syn at penger i barnehagesektoren, i de private barnehagene, ikke kommer barna til gode. Uten private barnehager hadde regjeringen aldri kunnet oppfylle barnehageløftet. barnehageløftet. Det er synd at takken de nå får fra regjeringen, er mistillit, mistenkeliggjøring, mer byråkrati, mer kontroll og økte kostnader. Det er ungene det går ut over når styrerne i private barnehager nå må bruke så mye mer tid på skjemaer, kontroll, rapportering og byråkrati, fremfor å følge opp ansatte og ikke Statistisk sentralbyrå har i sin høringsuttalelse påpekt at regjeringens forslag vil gjøre tilsyn, bearbeiding, kontroll og publisering av resultater vanskelig. Private barnehager må ha samfunnets aksept for hvordan offentlige midler benyttes i driften. I mange steder rimeligere enn de kommunale barnehagene, og i gjentatte foreldreundersøkelser viser det seg at foreldre er mer fornøyde med private barnehager. Kommunene kan med dagens regler stille rimelige og relevante vilkår om drift, selv om regjeringen feilaktig skriver noe annet i forslaget som er lagt frem for Stortinget. Ifølge dagens forskrifter kan kommunen redusere tilskudd til private barnehager om bemanningen er for lav, eller eier har tatt ut urimelig utbytte eller godtgjørelse.

Når Høyre spør regjeringen om det er nyttig for samfunnet å pålegge private barnehager strengere revisjonsregler enn andre næringsdrivende, svarer de at kontrolltiltakene er uten betydelige kostnader. Det er jo bra at kunnskapsministeren sender ut nyhetsbrev med Kristins mattetips, men dette forslaget innfører et regime som påfører private barnehager betydelige kostnader til revisjon, som andre næringsdrivende nå slipper med regjeringens forslag. Høyre mener vi burde bruke fellesskapets ressurser mer effektivt enn å føre unødvendig kontroll med

unnta småbedrifter for revisjonsplikt, men innfører utvidede revisjonsregler og et fullstendig nytt kontrollregime for alle private barnehager. Høyre er for kontroll. Høyre ønsker kontroll, også av de private barnehagene. Men det viktigste å kontrollere i barnehagen er ungene, at det er god barnehagedrift, og at barnehagen gjør det beste for ungene. Regjeringen vurderer nå at kommunesektoren har tilstrekkelig økonomisk og juridisk kompetanse til å forvalte lovforslaget. Dette rimer veldig dårlig med høringsbrevet fra Fylkesmannen i Rogaland, som påpeker at de færreste kommunene har kompetanse til å forvalte dagens tilskuddsutmåling eller det nye allerede problemer med å sammenligne sine egne regnskapstall, som er satt opp etter offentlige regnskapsregler, med private barnehagers regnskaper, som er avgitt etter private regnskapsregler. Derfor er Høyre veldig bekymret for at dette regimet vil føre til veldig mye mer byråkrati, og at det vil gå ut over ungene i barnehagen. Det er

og ikke gå til privat formuesoppbygging. Det er nettopp dette som er essensen i disse forslagene om endringer i barnehageloven. Selv om det er et stort antall av de private – de fleste private – som ikke tar ut store utbytter og sørger for at pengene kommer barna til gode, mener jeg at det er nødvendig å ha et lovverk som sikrer dette, og at vi da kan forhindre at et fåtall bruker overskuddet til egen vinning og kan oppnå en stor privat formuesoppbygging. Det er i hvert fall ikke intensjonen med å ha private barnehager. Denne typen regler er ikke noe nytt. Vi finner det f.eks. for private grunnskoler og for private høyskoler. Det er heller ikke slik at man ikke kan beholde overskudd innenfor rammen av den nye lovbestemmelsen, men det kan bare skje dersom regnskapene viser at midlene er blitt brukt riktig, altså at de er relatert til barnehagedrift. Vi ser f.eks. at enkelte barnehager bruker deler av overskuddet til å utbedre uteareal o.l. Det skal man fortsatt kunne gjøre, for det kommer barna til gode. Nærmere bestemt betyr det at overskuddet kan beholdes hvis alle kostnader i regnskapet er barnehagerelatert og alle transaksjoner med nærstående ikke overstiger markedsmessige priser, f.eks. internfakturering av husleie, husleie, hvis personalkostnader per heltidsplass ikke er betydelig lavere enn i kommunens egne barnehager, og – som representanten Stokkan-Grande også var inne på – hvis dette sikrer de ansattes arbeidsvilkår. Det gis i lovendringene adgang for kommunene til økonomisk kontroll og økonomiske reaksjonsmidler der tilskudd og foreldrebetaling ikke brukes i samsvar med lovkravet. Det er hjemmel for å gi utfyllende regler i forskrift med regler om krav til regnskap, revisjon og rapportering. Disse reglene vil legge til rette for økonomisk kontroll fra kommunens side. Representanten Hofstad Helleland mener dette vil føre til mye tidsbruk og masse byråkrati for de private barnehagene. Selv er jeg ikke veldig engstelig for det. Det skal dokumenteres og rapporteres noe, og slik som jeg har forstått det, er det også mulig for de minste barnehagene å få unntak fra noen av disse reglene. forslag om å regulere uttak av verdier fra barnehagesektoren. Dette forslaget ble utsatt den gang som følge av at det var en rekke relevante innspill fra høringsinstansene, men nå har vi fått

av finansiering av de ikke-kommunale barnehagene som vi har til de kommunale barnehagene. I statsbudsjettet for 2012 foreslås det å øke det kommunale minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager til 92 pst. Forslaget som vi behandler her i dag, sikrer at kommunalt tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager kommer ungene til gode. Forslaget gir også kommunene mulighet til å anvende økonomiske sanksjoner der det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke brukes i tråd med det som er intensjonen og formålet med barnehageloven. Utbyttebetalingen har ikke et stort omfang i dag, vurdert i forhold til størrelsen i barnehagesektoren, men i enkelte tilfeller har vi sett at det har vært et problem. I media er det ved flere tilfeller fokusert på saker der private barnehageeiere misbruker dagens finansieringssystem for å oppnå personlig vinning. Dette lovforslaget er ikke et angrep på de private barnehagene. Men når representanten fra Høyre sammenligner private barnehager med næringsdrivende generelt,

og det å drive en god barnehage. Da er det merkelig at man velger å sammenligne det med private næringsdrivende generelt, i og med at det her faktisk er snakk om å bruke skattebetalernes penger. Jeg tror at svært mange ikke-kommunale barnehager drives veldig godt, og at eierne er genuint opptatt av å gi og et tilbud av høy kvalitet. Forslagene sikrer en videreføring av dette i framtiden, samtidig som det legger til rette for at ikke-kommunale barnehageeiere også i tiden framover kan drive forretningsmessig. Gjennom lovforslaget sikrer regjeringen at barnehagesektoren fortsatt vil bestå av seriøse aktører som skal bruke offentlige midler og foreldrebetaling til drift av barnehager med høy kvalitet.

som skal gjøre hverdagen god for familien og for ungene. Uten god barnehagedekning har vi heller ingen valgfrihet for småbarnsforeldre. Derfor er også kvaliteten i barnehagene helt grunnleggende, og da snakker vi om kvaliteten i alle barnehagene, både de private

Det forslaget som regjeringen til slutt endte opp med, er veldig annerledes enn det. Det kunne være fristende å gjøre et politisk poeng ut av det. Jeg velger heller å gi honnør til statsråden for å ha lyttet til kritikken, tatt et skritt tilbake og kommet tilbake med et forslag som ser helt annerledes ut. Vi opplever altfor ofte at det går prestisje i den type forslag når det blir sterke debatter. Så det bør absolutt bemerkes at det var positivt at regjeringen kunne lytte til innvendingene i en høringsrunde og endre kurs. Forslaget vi i dag har til behandling, er langt bedre. Kristelig Folkeparti vil likevel ikke støtte det forslaget til regulering av utbytte som i dag ligger i proposisjonen. Jeg skal begrunne det. For det første stiller vi spørsmål ved det store skjønnet som forslaget overlater til kommunene. Vi ser at det vil være stor usikkerhet om hvordan dette blir praktisert overfor de private barnehagene. Dette gir kommunene store utfordringer og de private barnehagene usikkerhet sine rammebetingelser. Vi ser også at det må legges ned en betydelig innsats i kommunene for å kunne gjøre den kontrolljobben som de her får i fanget, og vi stiller spørsmål ved om problemet vi diskuterer, er så stort at det forsvarer den innsatsen som da må settes inn. For det andre har så stort at det forsvarer den innsatsen som da må settes inn. For det andre har vi et eget utvalg som har lagt fram en NOU med en gjennomgang av barnehageloven og barnehagepolitikken, og vi forventer at regjeringen legger fram en helhetlig sak for Stortinget om barnehagepolitikken i forlengelsen av det. Det blir en god anledning til å diskutere barnehagepolitikken i sin helhet og politikken overfor de private barnehagene, muligheten til å stille kvalitetskrav Kristelig Folkeparti ønsker da en helhetlig vurdering, der vi ser regulering av utbytte i sammenheng med de kvalitetskrav vi kan stille i en ny barnehagelovgivning. Med gode kvalitetskrav og makspris er det begrenset hva en privat barnehageeier kan Men det spørsmålet ønsker vi å se i en helhet i forbindelse med det, og så får vi se hva vi lander på. De private har ytt et viktig bidrag til at vi har så god dekning av barnehager som vi har i dag, og til at vi har så mye god kvalitet i barnehagene som vi har i dag. Det er derfor synd at vi ikke har klart å tilby de private barnehagene en mer forutsigbar finansiering. Det er store utfordringer når vi snakker om at vi skal gå opp til 92 pst. finansiering av de private barnehagene som et minimum – det er store utfordringer når det er så vanskelig å beregne hva 100 pst. er. De private barnehagene rapporterer om problemer med beregning av pensjon, lønn, vikarkostnader osv. i sitt regnestykke – sammenliknet med kostnadene ved de kommunale barnehagene. Derfor har Kristelig Folkeparti også fremmet forslag om å sikre en forutsigbar, rettferdig og reell finansiering for de private barnehagene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eiere av ordinære ikke-kommunale barnehager tok ut 43,9 mill. kr i utbytte i 2010, mens eiere av private familiebarnehager tok ut 126,6 mill. kr fra virksomheten. Det er ikke store, avskrekkende tall for en virksomhet som totalt sett består av ca. 40 mrd. kr, og halvparten er altså private. Telemarksforsking har utredet mulighetene for profitt og uttak av verdier blant private barnehager, og det tegnes et bilde av en sektor der de ikke-kommunale barnehagene i hovedsak drives godt og er lojale til formålet i bruken av midler. Men samtidig gis det noen indikasjoner på at det i dag er relativt stort potensial for skjult uttak av verdier. Bakgrunnen for at vi legger fram denne er å sørge for at det fremdeles skal være høy politisk oppslutning om at man bevilger romslig med penger til private barnehager, sånn at de kan drive gode kvalitetsbarnehager. Det skal ikke så mange eksempler til rundt omkring i lokalsamfunn på at private tar ut store utbytter, før en kan begynne å sette spørsmålstegn ved om dette er penger som kommer barna til gode. Det er bakgrunnen for dagens forslag til reguleringer, altså å sørge for legitimitet rundt alle de offentlige kronene som i dag går til å sikre gode kvalitetsbarnehager. Det er riktig som noen har vært inne på her, at vi har hatt ett forslag på høring, der det kom en del relevante motforestillinger. Derfor har vi nå fremmet et nytt forslag for Stortinget som har en annen logikk i sin oppbygging. I dette forslaget går vi ikke etter hva som er utbytte eller ikke utbytte, men vi lovfester at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Det er et veldig viktig prinsipp som nå kommer veldig klart fram i lovverket. Vi har andre områder innenfor Kunnskapsdepartementet som har samme Samtidig som lovforslaget som legges fram, regulerer bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager, sikrer det kommunene adgang til å anvende økonomiske sanksjoner der det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke brukes i samsvar med intensjonen og formålet fastsatt i barnehageloven. Gjennom lovproposisjonen sikres barnehagesektoren at man fortsatt vil ha seriøse aktører som vil bruke offentlige midler og foreldrebetaling til drift av barnehager med høy kvalitet. Innenfor rammen av den nye lovbestemmelsen kan overskudd beholdes, forutsatt at regnskapene til de ikke-kommunale barnehagene viser at midlene er brukt i samsvar med formålet. I arbeidet med å utforme et nytt regelverk har følgende prinsipper vært sentrale: Bevilgningene til barnehagene skal komme barna til gode. De skal ikke gå til privat formuesoppbygging. Forventningene til barnehageeierne må være tydelige gjennom tydelige regler. Nye regler skal sikre legitimitet i sektoren over tid. Vi skal gi et klart signal til alle aktører om at privat barnehagedrift i Norge er for seriøse aktører som vil drive gode barnehager. For å sikre et tydelig regelverk er det viktig med de samme reglene for regnskapsrapportering for alle barnehagene. Regelverket må gjelde alle ikke-kommunale barnehager, selv om det er veldig mange forskjellige selskapsformer. Det som vi nå konkret gjør, er: å innføre en formålsparagraf å stille krav til regnskapsføring og rapportering i tråd med regnskapsloven å stille krav om dokumentasjon av interne transaksjoner å ha krav om revisorattestasjon. Når det gjelder summen av disse forslagene, er jeg veldig glad for at at det ikke er noen som dramatiserer hva slags ekstraarbeid dette blir for barnehagene, og at KS og veldig mange kommuner sier at dette er et godt regelverk som de kan praktisere. Jeg mener at dette er regler som vil sikre oppslutning rundt de private barnehagene framover, og som vil hindre at vi får mange eksempler på store utbytter, som kan undergrave oppslutningen om en overveiende

Regjeringen har klart å komme opp på 92 pst. likebehandling av private og offentlige barnehager. De private barnehagene trenger forutsigbarhet, og skal altså ha 92 pst. av det de kommunale barnehagene får. Men nå har undertegnede blitt kjent med at en del private barnehager i noen kommuner må tilbakebetale opp mot 2,7 mill. kr etter at regnskapstallene for de kommunale barnehagene viser en billigere drift enn budsjettert. Så kan sikkert statsråden si at det er jo bra at de kommunale barnehagene også har klart å spare inn penger, men det gir da en uforutsigbarhet for de private barnehagene. Det som mitt spørsmål til statsråden er om statsråden mener det er rimelig at ikke-kommunale barnehager skal få et krav om tilbakebetaling av det offentlige tilskuddet dersom kommunale barnehager i regnskapet får et lavere kostnadsnivå enn forutsatt i budsjettet og tildelingene. I forbindelse med innlemmingen av de øremerkede tilskuddene i kommunenes rammefinansiering har vi hatt en omfattende prosess med de private barnehagene for å sikre forutsigbare rammebetingelser for dem. dem. Det er nå god kontakt mellom KS og PBL, og vi har selv fra Kunnskapsdepartementets side støttet opp om det arbeid som PBL har gjort for å skaffe seg en oversikt over hvordan de private barnehagene er behandlet av ulike kommuner. Mitt klare inntrykk er at det er et forholdsvis omfattende arbeid for kommunene å sikre gode rammebetingelser for de private, men at det stadig går bedre. bedre. Da har vi tatt utgangspunkt i hva som er kostnadene for den kommunale driften. Hvis det har skjedd noen feil, eller hvis det er store overraskelser i forhold til hvordan finansieringen har vært, er det ikke urimelig at man har en dialog med de private barnehagene om det. Men jeg har ikke lyst til å gå inn og kommentere enkelteksempler i denne sammenhengen. Mitt håp er at vi skal få til et godt samarbeid mellom PBL og KS, sånn at vi sikrer en god finansiering av de private barnehagene framover. Jeg takker for statsrådens innlegg. Det var i grunnen mye fornuftig der, som det var godt å høre på. Nå har denne lange diskusjonen vi har hatt om om nettopp dette temaet, medført en del usikkerhet for de private barnehagene, og mitt første spørsmål er da: Når vi i dag har en ca. 50/50-fordeling mellom barn som går i kommunale og ikke-kommunale barnehager, er det en fordeling som statsråden er fornøyd med, eller ønsker man et mindre innslag av private barnehager over tid? Det andre spørsmålet er: Hva vil statsråden foreta seg for å rydde opp i alle de problemene som private barnehager i dag opplever med beregning av riktig tilskudd i kommunene, knyttet til at man har så store problemer med å finne et rimelig og riktig kostnadsgrunnlag for de kommunale barnehagene?
Vi er helt avhengige av de private barnehagene for å kunne sikre et tilbud om barnehageplass til alle de barna i Norge som har rett til det. De aller fleste private barnehagene driver skikkelig og seriøst og tar ikke omfattende utbytte. Tvert imot, de er opptatt av å drive gode kvalitetsbarnehager. Derfor er det også interessant at mange av de private aktørene innenfor barnehagesektoren støtter dette forslaget. Det tror jeg de gjør fordi de ser at dersom man lager gode rammebetingelser for de seriøse aktørene, blir det også lettere å forsvare nesten 15 mrd. kr i overføring til private barnehager. De ser også at de selv er dem som først og fremst er utsatt dersom det skulle komme eksempler på at noen useriøse aktører tar store utbytter, for da ville veldig mange sette spørsmålstegn ved alle de kronene som går til de private barnehagene. Så dette er et forslag som vil slå ring rundt de private seriøse aktørene i barnehagesektoren. Det er jeg veldig fornøyd med, fordi vi trenger dem, og de leverer gode barnehagetjenester. Det er

med «reasonable profit». De har en god definisjon, som ligger i konseptet. Jeg vet at mange kommuner også undrer på hva regjeringen mener med vesentlig utbytte. Kan kunnskapsministeren si hva hun legger i begrepet, og hvordan kommunene skal oppfatte hva vesentlig utbytte er og ikke er? Jeg forundrer meg ganske Høyre har det standpunktet at det skal være forbud mot utbytte fra private skoler. Men når vi nå legger et lempeligere regelverk rundt de private barnehagene, leter man bare etter en masse unnskyldninger for å la være å gå inn i den diskusjonen. Dette er altså et regelverk som KS mener er hensiktsmessig, som ikke kommunene pålegges å bruke, men som de kan bruke dersom de ser at de f.eks. har noen private aktører i sin kommune som tar ut ublue utbytter. Det mener altså Høyre at de skal nektes. For det som ville vært situasjonen hvis vi ikke gjorde dette, var at kommunepolitikere rundt omkring i en del kommuner kanskje satt med noen eksempler på voldsomme private utbytter uten at de kunne gripe inn i det hele tatt, og det er penger som de ville fått fra kommunen. Det er ikke klokt, for vi trenger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 må bli kvitt de useriøse barnehagene. Det finnes utfordringer for foreldredrevne barnehager, det finnes utfordringer for private barnehager, og det finnes også utfordringer for de kommunale. Vi skal ha god kvalitet på barnehagene våre, men vi skal også ha en kontroll av alle barnehager, både private, foreldredrevne og kommunale barnehager. Vi skal ha kvalitet på dem som passer barna våre, og som har omsorg for barna våre når vi er på jobb. Vi skal ha forutsigbarhet. Men det springende punktet i de fleste tilskuddssaker er hvilken dokumentasjon kommunene legger fram. Dokumentasjonen er ofte svært mangelfull og lite egnet for å kontrollere om alle kostnader er tatt med i beregningsgrunnlaget utfordring. Alle kostnader som ikke er tatt med, fører til lavere tilskudd til de private barnehagene. At de private barnehagene kun mottar 90–91 pst. av det kommunale driftstilskuddet, er noe alle vet. De private barnehager har avslørt at kommunene skylder de private barnehagene millioner rundt omkring i Norge. Hvem lurer hvem, og hvem lurer unna penger? Ja, det er noe vi må få kontrollert, for vi skal ha kvalitet. Men saken er at i f.eks. Sørum kommune i Akershus får de ikke 91 pst. engang – de ligger langt under. Så feilen ligger i regnskapet – feilen ligger i en forskjellsbehandling i regnskapet. De kommunale barnehagene fører husleie under kapitalkostnader, f.eks., noe det ikke er, Men saken er at i f.eks. Sørum kommune i Akershus får de ikke 91 pst. engang – de ligger langt under. Så feilen ligger i regnskapet – feilen ligger i en forskjellsbehandling i regnskapet. De kommunale barnehagene fører husleie under kapitalkostnader, f.eks., noe det ikke er, mens de private har det som driftskostnader. Allerede der er det en skjevfordeling som det bør og kan ryddes opp i med enkle grep. Det sier seg selv at tilskuddet til de private blir langt lavere enn 91 pst. når husleia til kommunale barnehager ikke er tatt med når Men det var under valgkampen. Den praksisen var alle enige om da, men som sagt var det under valgkampen, og nå er man tilbake til gammel praksis. Det er denne kampen som til slutt vil kvele de private og foreldredrevne barnehagene. I flere foreldredrevne barnehager må foreldrene bruke tid på å krangle med kommunene om å få penger de har krav på. Det er uheldig. Vi må likebehandle de kommunale og private barnehagene.

Departementet forslår videre å fastsette i en ny § 84 A at utlendingsmyndighetene kan behandle og gjenbruke personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger. Når et offentlig forvaltningsorgan har opplysninger om noens personlige forhold, er utgangspunktet at disse opplysningene er taushetsbelagte, med mindre noe annet er fastsatt eller klart forutsatt i lov. Det vises i proposisjonen til at utveksling av slik informasjon mellom offentlige organer imidlertid kan bidra til mer rasjonell saksbehandling og dermed kortere saksbehandlingstid. Kortere saksbehandlingstid er en gevinst, både for samfunnet generelt og for den enkelte bruker spesielt. Det vises i saken til at forslaget samtidig innebærer bedre service for brukeren som slipper å levere inn de samme opplysningene flere ganger, eller selv må innhente informasjon fra ett offentlig organ, for så å videreformidle denne informasjonen til et annet. Forslaget vil også gi bedre sikkerhet for at forvaltningen legger korrekte Departementet bemerker at det i noen situasjoner kan være i brukerens interesse å holde opplysninger tilbake eller gi uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen for å oppnå goder eller for å unngå sanksjoner. Det pekes også på at kontrollhensyn taler for at utlendingsforvaltningen bør ha selvstendig hjemmel til å innhente slik informasjon direkte fra et annet offentlig organ. Når det gjelder innvendinger fra Redd Barna, Jussbuss og MiRA-senteret om at forslaget ikke bør gjennomføres fordi det innebærer stort inngrep i privatlivet og krenker personvernet og rettssikkerheten, anser departementet at fordelene ved forslaget oppveier for de nevnte ulempene – noe komiteen Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 gir vern mot at opplysninger gjøres kjent for uvedkommende. For at inngrep i denne retten skal være berettiget, må visse vilkår være oppfylt. For det første må man ta stilling til om utveksling av aktuell informasjon i det hele tatt vil innebære et inngrep i den enkeltes rett til privatliv, og dersom informasjonsutvekslingen innebærer et slikt inngrep, må Det vises i proposisjonen til at innhenting av informasjon i tråd med forslaget i varierende grad vil innebære inngrep i den enkeltes rett til privatliv. I den grad innhentingen innebærer et inngrep i privatlivet, blir spørsmålet om vilkårene i EMK artikkel 8 er oppfylt. For det første må inngrepene være begrunnet i de formålene som framgår av bestemmelsen.

Det vises i proposisjonen til at den foreslåtte informasjonsinnhentingen dermed oppfyller dette vilkåret. Opplysninger som innhentes til behandling av en utlendingssak, vil alltid ha et dobbelt formål: Det vil både gi en fordel gjennom oppholdstillatelse til den registrerte, og det vil kontrollere at vedkommende ikke vil utgjøre en samfunnsfare. Det vises i til at de samme opplysningene brukes senere i en sak for å vurdere flysikkerheten ved retur. Informasjonsbehovet vil således være dekket av det opprinnelige behandlingsformålet, nemlig kontroll av samfunnsfare. Gjenbruken står i en nær og naturlig sammenheng med UDIs virksomhet, i den forstand at vurderingen av flysikkerheten som regel skjer som ledd i iverksetting av et vedtak om avslag på søknad om oppholdstillatelse, som UDI tidligere har fattet. Gjenbruken av opplysninger stiller heller ikke større krav til datakvaliteten enn den opprinnelige bruken, siden det generelt vil være mer inngripende å bli nektet oppholdstillatelse i Norge enn å bli nektet å returnere uten politiledsagelse på flyet. Departementet anser på denne bakgrunnen at gjenbruken ikke vil være uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamling, Jeg vil til slutt bemerke at komiteen har vurdert innholdet i Prop. 95 L for 2011–2012 og finner enstemmig å kunne gi sin tilslutning til endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Flere har ikke bedt om ordet til sak

minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 35 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter og Venstre 10 minutter. Videre vil presidenten forslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletiden. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg utover den fordelte
får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Hovedmålene for norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for

Men bare de neste 20 årene vil verdens energiforbruk øke med 50 pst. Land utenfor OECD vil stå for over 90 pst. av den økningen. Fremdeles vil over en milliard mennesker i verden leve uten strøm om 20 år. I dag er det 1,4 milliarder mennesker – mer enn 20 pst. av jordens befolkning – som lever uten tilgang på elektrisitet. 2,7 milliarder mennesker er avhengig av tradisjonell forbrenning av ved og annen biomasse for å lage mat. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at 1,6 millioner mennesker dør hvert eneste år som følge av lunge- og pustebesvær forårsaket av matlaging over åpen ild, stort sett kvinner og barn. Det er flere enn dødsfallene som skyldes malaria, tuberkulose og hiv/aids. Tilgang på elektrisitet er derfor den viktigste forutsetningen for at verdens fattige skal løftes til et velstandsnivå som nærmer seg vårt. Samtidig behøver vi teknologiske kvantesprang for å realisere lavutslippssamfunnet i 2050, og den rike del av verden trenger å vise utviklingsland at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp. Den grunnleggende utfordringen i klimapolitikken er markedssvikt, eller det faktum at det er for billig å forurense og for dyrt å være miljøvennlig sammenliknet med de sannsynlige kostnadene klimaendringene vil påføre oss. Klimautfordringen er global. Derfor løses denne problemstillingen best ved å ta i bruk en global prismekanisme, som f.eks. et kvotemarked der alle land forplikter seg. Det synes dessverre å være langt igjen før vi oppnår dette, og det gjenstår å se om løftet fra FNs klimakonferanse i Durban om en global avtale fra 2020 faktisk realiseres. I mellomtiden må Norge bruke andre virkemidler som bidrar til nasjonale utslippskutt, uten å øke de globale utslippene. Norge er i dag tilknyttet det europeiske kvotemarkedet, og fra 2013 vil om lag halvparten av norske utslipp være underlagt kvoteplikt. Dette er et effektivt virkemiddel for å redusere utslippene i de sektorene som er med. For de sektorene som ikke er underlagt kvoteplikt, og dermed ikke er konkurranseutsatt, står vi friere til å gjennomføre særnorske tiltak uten fare for karbonlekkasje. Norge har gode forutsetninger for å bidra i arbeidet med å bekjempe globale klimaendringer. Vi har teknologi, kompetanse og kapital til å gjøre en forskjell. Teknologiutviklingsfondet er et av de viktigste virkemidlene som ligger i regjeringens klimamelding. Flertallets innstilling legger til grunn at fondet skal være fullfinansiert allerede i 2016. Fondet skal bidra til å utvikle og implementere ny og umoden teknologi. Slik vil fondet bidra til både forskning og utvikling, som på sikt kan gjøre en stor forskjell både hjemme og ute. Norsk industri er den eneste sektoren i Norge som har bidratt med betydelige utslippskutt de siste 20 årene. Teknologiutviklingsfondet vil forhåpentligvis sette dem i stand til å gjøre enda mer, samtidig som konkurranseevnen vil styrkes. Det er en samlet komité som understreker viktigheten av at norsk industri forblir i Norge. Norsk industri er verdensledende på miljøvennlig produksjon. Ingen er tjent med å innføre rammevilkår som gjør at industrien flytter fra miljøvennlig vannkraft til gass eller kull på andre Derfor er det avgjørende at vi bidrar til å gjøre industrien enda mer konkurransedyktig og miljøvennlig. Dette vil teknologiutviklingsfondet kunne bidra til. Dersom vi skal realisere lavutslippssamfunnet, er det avgjørende at vi lykkes i arbeidet med å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Dette understreker viktigheten av arbeidet ved Teknologisenteret på Mongstad, men også viktigheten av å gjøre mer på dette området. Det er derfor en samlet komité som peker på at Gassnova bør utrede muligheten for et demonstrasjonsprosjekt for løsninger for fangst og lagring av CO2 fra industrien, og som imøteser Gassnovas vurdering av muligheten for å realisere et demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring fra et nytt kullkraftverk i Longyearbyen. Komiteen mener Norge skal ha ambisjon om å realisere minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. I byggsektoren er det stort potensial for å redusere klimagassutslippene gjennom enkle grep. Offentlig sektor bør gå foran med et godt eksempel. Flertallet mener derfor at fossil fyringsolje som grunnlast må fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Flertallet er videre enig om å forby fyring med fossil olje i husholdninger og øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter at det innføres gode støtteordninger til konvertering til bioolje, varmepumpe eller andre miljøvennlige alternativer allerede fra 2013. Den mest miljøvennlige energien er likevel den som ikke brukes. Derfor er det et paradoks at Norge er det eneste landet i Europa uten et mål for energieffektivisering. Flertallet ber derfor regjeringen komme tilbake med et mål for og legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging, fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger. Når dette kommer i tillegg til de skjerpede bygningstekniske krav til nybygg regjeringen varsler i klimameldingen, er klimapolitikken innenfor byggsektoren blitt langt mer ambisiøs enn det klimameldingen opprinnelig la til grunn. Det er viktig å merke seg at svært mange energieffektiviseringstiltak har kort nedbetalingstid og reduserer For privatpersoner er terskelen ofte noe høyere enn i næringsmarkedet. Derfor er gode incentiver viktig. Utslippene fra transportsektoren utgjorde i 2010 32 pst. av Norges samlede klimagassutslipp. Samtidig er dette en sektor som ikke er utsatt for karbonlekkasje. Det er derfor innenfor denne sektoren at potensialet for innenlandske kutt er størst. For å redusere utslippene fra denne sektoren må det fases inn ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til rette for at det skal være lettere å velge kollektivtransport, gange og Flertallet er enig om å styrke klimameldingen på en rekke punkter innenfor transportsektoren. Flertallet fastslår bl.a. at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal styrkes med 250 mill. kr i 2013 og 250 mill. kr i 2014, og at dokumenterte resultater skal prioriteres. Dette vil være et viktig bidrag og incentiv for storbyene til å satse tungt på kollektivtrafikk i tiden fremover. Det vil bidra til å redusere utslippsveksten i storbyen betydelig. Det er også viktig å satse på jernbanen, ikke minst gjelder det i de pendlertunge områdene på det sentrale Østlandet. Flertallet ber derfor regjeringen legge frem forslag om rask fremdrift for utbyggingen av intercityforbindelsen på det sentrale Østlandet. Flertallet ber også om at det må inkluderes en nasjonal kollektivtransportstrategi som en del av Nasjonal transportplan På transportområdet er det et viktig signal at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler skal videreføres ut neste stortingsperiode, så fremt antallet slike kjøretøy ikke overstiger 50 000. Alle partiene på Stortinget står bak dette forslaget, noe som gir langsiktighet og forutsigbarhet for både kjøpere, brukere og Flertallet legger videre til grunn at drivstoffavgiftene og bilavgiftene skal bidra til å gjøre det mer lønnsomt og forutsigbart å velge miljø- og klimavennlig i årene fremover. Utviklingen i transportsektoren bestemmes i stor grad i Nasjonal transportplan og i statsbudsjettene fremover. Selv om flertallet har oppnådd betydelige fremskritt sammenlignet med regjeringens opprinnelige melding, vil mye avhenge av hvordan de ambisiøse mål og ambisjoner som ligger i transportområdet, følges opp i praksis i årene som kommer. La meg til slutt nevne noen andre områder som omfattes av meldingen og innstillingen. I jordbrukssektoren er flertallet enig om at det er behov for en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi. En samlet komité er enig i at Norge må bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet. Komiteen foreslår bl.a. å øke bevilgningene til forskningssentrene for miljøvennlig energi og at det opprettes et nytt senter for geotermisk energi. Komiteen understreker også viktigheten av det svensk–norske markedet for elsertifikater, men ber regjeringen evaluere konkurransesituasjonen mellom svenske og norske Komitébehandlingen har bidratt til å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende på viktige områder. Som saksordfører er jeg glad for at det er bred enighet om norsk klimapolitikk. Samtidig er det viktig å understreke at den kunne ha vært enda bredere. Flertallsinnstillingen er et resultat av enighet mellom seks av Stortingets syv partier. Jeg beklager at regjeringspartiene ikke ønsket å føre samtaler med alle partiene på Stortinget. Opposisjonspartiene forhandlet som blokk, og det var derfor ingen grunn til å holde ett av partiene utenfor videre samtaler, ikke minst fordi forhandlingsposisjonen som lå til grunn for forliket, faktisk var utarbeidet av alle de fire opposisjonspartiene i fellesskap. Da burde alle partiene fått forhandle om dem også. I dag er det imidlertid først og fremst grunn til å glede seg over resultatet, som er en bedre og mer konkret klimapolitikk. Jeg takker komiteen for samarbeidet i en

Jeg vil bare kort nevne grønne sertifikater, hvor vi har fått på plass en avtale med Sverige som gjør at vi tar ansvar for å finansiere over 13 TWh ny fornybar energi. Jeg vil nevne regnskogsatsingen, hvor det er lagt inn milliardbeløp. Det har vært krevende, og det er krevende, men det gir fantastiske resultater, bl.a. i Brasil, hvor avskogingen er halvert. Med tanke på at avskoging står for 20 pst. av verdens utslipp,

klimapolitikk, driver vi politikk i et generasjonsperspektiv. Det er ingen andre politikkområder som krever samme grad av langsiktighet og føre var-tankegang som klimafeltet. Det er derfor enighet om både alvoret i klimatrusselen og de grunnleggende prinsippene for klimapolitikken og at tiltakene er viktige. Det er grunnen til at vi ønsket oss samtaler med opposisjonen med sikte på å få en enighet, til tross for at regjeringspartiene har flertall, og det er grunnen til at jeg er så glad som jeg er for at vi fikk det til på den måten vi gjorde. Jeg vil også benytte anledningen til å takke forlikspartnerne for godt – til dels krevende – men viktig arbeid. Så vil jeg si noe om innholdet i meldingen. Ett av de aller viktigste områdene er samferdsel og satsingen på kollektivløsninger i storbyene. For å bruke et eksempel: I Oslo-området, som jeg representerer, anslår man at det vil bli gjennomført omtrent 500 000 flere reiser i 2030 – ikke i året, ikke i måneden, ikke i uka, men hver eneste dag. Det tallet er vanskelig å ta inn over seg, men det sier noe om hvor enorme kollektivinvesteringer som må gjøres bare for å sørge for at folk opplever å ha omtrent samme tilbud som i dag. Skal vi i tillegg ha som ambisjon å gjøre tilbudet bedre, snakker vi om et kollektivløft i en helt annen størrelsesorden enn vi har i dag. Det kommer til å koste penger, men vi har strengt tatt ikke noe valg. Å forsøke å bygge seg ut av problemet med mer vei, er nytteløst, det er klimamessig feil og dessuten flere ganger dyrere enn å bygge ut kollektivløsninger. Det er grunnen til at klimameldingen slår fast et mål om at trafikkøkningen i storbyområdene skal tas unna med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et signal som regjeringen har kommunisert tidligere, bl.a. da de statlige transportetatene la fram sine forslag til Nasjonal transportplan, og det er nå en viktig del av klimameldingen. Det er umulig at kommunene og fylkene skal klare de investeringene som trengs, alene. Derfor er det et stort gjennombrudd at staten nå så tydelig sier at både investeringer og drift av kollektivtrafikk i storbyene skal gis en sentral plass i Nasjonal transportplan. Til nå har NTP vært en plan for de store nasjonale vei- og jernbaneutbyggingene. Kollektivtrafikken har vært fylkeskommunens ansvar, mer eller mindre alene. At kollektivtrafikken nå løftes inn, betyr en anerkjennelse av at byenes kollektivutfordringer er et nasjonalt ansvar som staten må være med på å løse. Det er et stort skifte i tenkningen rundt kollektivtrafikk. Enigheten med forlikspartene innebærer dessuten at vi får konkretisert styrking av belønningsordningen, som nå skal tilføres til sammen 500 mill. kr ekstra de to neste årene. Det betyr mer enn en dobling fra dagens nivå, og vi kommer opp i nesten Jernbaneutbygging er også helt nødvendig for å hindre at det sentrale Østlandet korker seg fullstendig i løpet av få år. Det kanskje viktigste enkelttiltaket i klimameldingen er realisering av hele intercitytriangelet. NTP-en som kommer neste år, skal gi oss svaret på hvilke strekninger som skal bygges først, men meldingen er krystallklar på at hele triangelet skal realiseres, og med enigheten

Jeg er veldig glad for at vi gjennom stortingsbehandlingen har fått presisert at de avgiftsfordelene som nullutslippsbilene har i dag, skal bestå ut neste stortingsperiode, dvs. fram til 2017, med mindre vi får en eksplosjon og passerer 50 000 slike biler. I morges var det noen av oss som møtte Elbilforeningen foran Stortinget, og de gratulerte med et historisk vedtak. Norge er allerede verdensmester i elbil. Det regimet vi har laget, med en kombinasjon av store avgiftsfordeler og andre fordeler, som tilgang til kollektivfelt, har gjort at ingen er i nærheten av oss når det gjelder tetthet av elbiler. Til nå har elbilen i hovedsak vært en bybil, en nr. 2-bil. Med de nye modellene på vei inn i markedet får vi elbiler som kan fungere som familiebiler. Det gir et helt annet perspektiv på hva elbiler kan komme til å bety i årene som kommer. Så er meldingen tydelig med hensyn til industri. En av de virkelig store diskusjonene i norsk klimadebatt har vært hvorvidt det har vært fornuftig med tiltak i kvotepliktig sektor. For oss er kvotesystemet et veldig viktig virkemiddel. Det sikrer kostnadseffektive kutt. Dessuten utvikler vi et system med global overføringsverdi. Tiltak i kvotepliktig sektor vil helt naturlig føre til at det frigjøres kvoter, og utslippene kommer andre steder. Samtidig ser vi veldig tydelig at kvoteprisen er lav, og at markedsbaserte virkemidler med lave priser er gode på å realisere billige kutt. Men de er dårlige på å levere innovasjon. Derfor reiser det å gjøre tiltak i kvotepliktig sektor noen reelle dilemmaer. Etter Arbeiderpartiets mening er det avgjørende viktig at de tiltakene som gjøres i kvotepliktig sektor, har en gevinst utover rene utslippskutt, f.eks. bidrar til å utvikle ny teknologi. Med opprettelsen av et klima- og energifond er det akkurat det vi gjør. Fondet skal etableres med utgangspunkt i Enovas grunnfond, med to deler, én som ivaretar oppgavene Enova har i dag, og én som ivaretar satsingen på klimateknologi. Til sammen skal fondet opp i 50 mrd. kr. Det vil innebære betydelige midler til utvikling av ny teknologi i norsk næringsliv. Det er bra for klimaet, men det er også bra for konkurranseevnen til For Arbeiderpartiet har det hele veien ligget som en sentral premiss at klimapolitikk og næringspolitikk må spille på lag. Gjennom lang tid har det vært en dominerende oppfatning at offensiv klimapolitikk er næringsfiendtlig, og at politikere må velge mellom næringsutvikling og klimakutt. Det politiske grepet vi gjør nå, demonstrerer med all tydelighet at det er feil. Tvert imot bruker vi nå klimapolitikken som et virkemiddel for positivt å stimulere omstilling og trygge arbeidsplasser i norsk industri. Det er få ting som gleder meg mer enn det. Det har lenge vært et ønske for meg at vi skulle makte å se de offensive mulighetene og potensielle inntektene som ligger i det å være tidlig ute med klimatiltak, ikke bare snakke om kostnader og byrdefordeling. Nå mener jeg at vi gjør det. Norsk klimadebatt har i stor grad flyttet fokus i denne retningen de siste årene. Nå gjør også politikken det, og vi følger en internasjonal trend. Når f.eks. EU fortsetter å ha offensive klimamål og tar på seg forpliktelser, til tross for den alvorlige økonomiske situasjonen de befinner seg i, er det fordi man har en oppfatning av at klimapolitikk ikke dreier seg om deindustralisering, men reindustrialisering, som f.eks. Connie Hedegaard, klimakommisæren, sier det. Det er en grunnleggende oppfatning at klimapolitikken, med fokus på både teknologiske løsninger i industrien og tung satsing på nye energiformer, virker stimulerende på økonomien. Jeg mener det styrker meldingen at vi nå er enig med forlikspartnerne om at opptrappingen av et slikt fond skal være ferdig i 2016, fire år tidligere enn meldingen la opp til.

Det viktigste virkemidlet vi har for nye bygg, er Byggteknisk forskrift. Den skal skjerpes, slik at vi når passivhusnivået i 2015 og nesten nullenerginivået i 2020. Samtidig er det sånn at utskiftingen av bygningsmasse går sakte. Derfor er tiltak i eksisterende bygg viktig, og vi får nå på plass komponentkrav. Meldingen la opp til utfasing av oljefyr innen 2020. Nå tar vi veien og går til forbud. forbud. I petroleumssektoren blir det også skjerping, ved at CO2-avgiften økes med 200 kr. Det mener vi det er riktig å gjøre. Alvoret i klimatrusselen krever at vi som politikere nå makter å gjøre grep som sørger for at vi beveger oss i riktig retning mot 2020 og 2050. IPCCs anbefalinger er tydelige og så mye referert at jeg ikke skal bruke tid på dem her. Men jeg mener at graden av utslippskutt som kreves i årene som kommer, kombinert med at mange flere mennesker krever, og har rett til, tilgang på energi, gjør det innlysende at vi må bruke mange virkemidler på én gang. Innstillingen viser tydelig at det er ett parti som har en grunnleggende annen Der de andre partiene deler beskrivelsen av alvoret i klimaproblemet, har Fremskrittspartiet sine særmerknader, som uttrykker mer bekymring for debattklimaet enn for klimaet som sådan. Det er en grei observasjon å ha med seg videre i debatten, og det beskriver veldig godt hvorfor vi på et tidspunkt valgte å gå videre med forlikspartnerne fra 2008, som har den samme forståelsen av alvoret i problemet og den samme helhetlige tilnærmingen til mål og virkemidler som det vi har. Det er vår mening at dette har blitt et godt forlik, som konkretiserer en god melding, og at de vedtakene vi gjør i dag, kommer til å stå seg over tid som noe vi kan være stolte over å ha fått til. De siste ukene har vært noen underlige uker. Det har vært mye spekulasjoner i media om hvem som er inne, og ukene har vært noen underlige uker. Det har vært mye spekulasjoner i media om hvem som er inne, og hvem som er ute. Det er litt «Big Brother-schwung» over det hele. Fremskrittspartiet gikk inn i forhandlingene med åpne kort. Vi gikk inn for å dra prosessen i retning av vår politikk. Vi spilte med åpne kort og var klare på våre prioriteringer. Det er viktig å understreke at først og fremst i forhold til de andre borgerlige partiene nådde vi ganske langt på tiltakslisten. Men etter hvert utviklet dette seg fra regjeringspartiene til et politisk spill av dimensjoner. Det handlet om å holde oss ute, koste hva det koste ville.

og senere med de andre borgerlige partiene – det var tiltakene det handlet om. Da er det litt underlig at begrunnelsen for å holde Fremskrittspartiet ute fra forhandlingene da de ble gjenopptatt etter bruddet – og det fikk vi for så vidt også bekreftet fra representanten begrunnelsen for å holde Fremskrittspartiet ute fra forhandlingene da de ble gjenopptatt etter bruddet – og det fikk vi for så vidt også bekreftet fra representanten Marthinsen – er at vi ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer. Det var altså ikke en reell politisk drøfting rundt tiltak, og tiltak kan ha mange virkninger på samfunnet klimamessig, men også på andre samfunnsmessige sider. Da ble vi holdt utenfor. Vi var ikke sterke nok i troen på såkalt menneskeskapte klimaendringer til at vi kunne få være med på å drøfte det engang. Sammen med de øvrige borgerlige partiene nådde vi langt i å finne frem til en felles plattform for tiltakene – men det var jo kanskje det regjeringspartiene fryktet, at her var det faktisk rom for at man kunne bli enig. Jeg garanterer at Fremskrittspartiet ikke hadde vært endelig med bak forliket når jeg ser forslagene sånn som de ligger, og den enigheten som ligger i forliket, er det påfallende at en del av de åpenbare snubletrådene som ble lagt der i første runde fra regjeringspartiene, Det var klart fra dag én fra regjeringspartienes side at Fremskrittspartiet ikke skulle være med på dette forliket. Fordi jeg vet det kommer til å bli en debatt her i dag om hvem som tror nok på såkalt menneskeskapte klimaendringer, velger jeg å ta den saken med en gang. Fremskrittspartiet har et mer nyansert syn på det temaet. Vi ønsker en mer nyansert klimadebatt, og vi mener at det er sterk grunn til å revurdere situasjonen, og at det ikke er sånn at FNs klimapanel ene og alene har rett i alle sine konklusjoner. Jeg velger å si det sånn: En kjetter anno 2012 er altså en person som ikke ensidig og uten forbehold aksepterer alle konklusjoner som måtte komme fra FNs klimapanel, og som er åpen for at naturlige variasjoner faktisk kan spille en større rolle i utviklingen av klimaet enn menneskelig aktivitet. For å slå det fast med en gang: Fremskrittspartiet har aldri sagt at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet. Det har vi aldri sagt. Det vi setter spørsmålstegn ved, er virkningen og effekten av den aktiviteten kontra de naturlige variasjonene som foregår rundt oss uansett. Vi er mer åpne for det som er internasjonal forskning, og som er en langt større og mer åpen debatt i verden rundt oss. Vi kan dra til Tyskland. Der er det altså en person, en tidligere miljøpolitiker fra SPD, som har ombestemt seg og gitt ut en bok som heter «Die kalte Sonne» – «Den kalde sol» – som har skapt en enorm debatt i tyske medier. Vi har en professor, en nobelprisvinner i en nobelprisvinner i fysikk, norsk-amerikaneren Ivar Giæver, som mener at man går for langt i ikke å akseptere at det settes spørsmålstegn ved FNs klimapanels konklusjoner. Det er en debatt der ute. Det er en reell debatt. Det er altså ikke en politisk oppgave for oss, verken i denne sal eller andre som ikke er men vi skal være åpne for debatten. Det har alltid ligget – for ikke å være svulstig – i den vestlige sivilisasjons natur at man er åpen for debatt. På dette punktet har man trukket konklusjoner. Media dekker det jo ikke engang når det kommer prominente klimaskeptikere til Norge. Det er ikke interesse fra media man har konkludert, selv om debatten i høyeste grad eksisterer der ute. Så bruker man dette argumentet om konsensus. Jo, de aller fleste forskerne er enige, sier man. Jeg har nettopp bevist at det ikke er sånn, med bare noen få henvisninger. Det er også et ganske farlig utgangspunkt når man liksom skal legge til grunn det